verk når noko har gått gale, er dei krafttaka me verkeleg treng, å førebyggja, førebyggja og førebyggja. Eg har forventningar til at regjeringa ser desse linjene, og at ein i budsjettet, som kjem seinare denne veka, legg krafta der ho trengst mest, ikkje berre der ho viser seg best. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen er

Hofstad Helleland,

Heldigvis har vi nå en regjering som er i gang med å fornye transportsystemet, slik at folk kan komme seg trygt og raskt til og fra jobb og varene komme enkelt inn og ut av landet. Heldigvis har vi nå fått en regjering som tenker helt nytt innenfor samferdsel, og det er på tide. For i dag er veinettet for dårlig, det er for stort vedlikeholdsetterslep, jernbanen må rustes opp, og en kollektivsatsing må til. Det blir ikke nødvendigvis mer vei og bane av bare å benytte gammeldagse løsninger og videreføre byråkratiske og ineffektive systemer som ikke virker. Hva betyr regjeringens satsing konkret? Jo, det betyr f.eks. at veiplanlegging, som i dag tar i snitt ti år gjennomføre fra man setter spaden i jorda, reduseres. Regjeringen er derfor i gang med å kutte planleggingstiden, vi har fremskyndet 25 prosjekter ved å bevilge mer til planlegging. Vi har skåret igjennom og foretatt trasévalg og gitt raske avklaringer. Et eksempel fra min hjemby, Trondheim, er en avklaring av hvor godsterminalen skulle ligge. Det har det tatt ulike regjeringer 20 år å diskutere, for denne regjeringen tok det 6 måneder å avklare. som tidligere er bygd klattvis og delt, skal nå bygges mer helhetlig og effektivt. Derfor oppretter regjeringen et eget veiselskap som skal gi raskere planlegging og mer sammenhengende utbygging av store veiprosjekter. Også innenfor luftfarten finner vi løsninger som gjør livet enklere for folk flest, som forenklet transfer. Fra neste år vil det være mulig å reise videre innenlands uten å sjekke inn bagasjen på nytt. De rød-grønne startet å øke bevilgningene til jernbanen. Det var bra, men de gjorde dessverre nesten ingenting med systemene. De var opptatt av å bruke mer penger, vi er opptatt av bedre resultater. For å få et bedre jernbanetilbud for folk og gods ønsker vi bl.a. å åpne for konkurranse. Jeg er opptatt av å finne bærekraftige samferdselsløsninger som kan stå seg i mange tiår frem i tid. Jeg håper at Arbeiderpartiet også vil tenke seg godt om før de i stedet for å forsvare gamle løsninger som ikke virker, heller ser på mulighetene for å få forankret en mer moderne og fremtidsrettet samferdselspolitikk som kan stå seg i mange Byene våre vokser. De vokser fort, og de vokser tettere. Det er bra for utviklingen, og det er bra for miljøet. Men i dag stiller det også store krav til investeringer i kollektivtrafikken i byene. Derfor har regjeringen forpliktet seg til å gi 50 pst. statlig støtte til de store kollektivtiltakene – tiltak som de rød-grønne stemte imot så sent som for ett år siden. Det var derfor veldig interessant i dag å høre representanten Gahr Støre i et svar si at det alltid var deres plan å gi 50 pst. støtte til de store kollektivtiltakene. I forslaget fra Arbeiderpartiet i Nasjonal transportplan ligger det nemlig ikke noen lovnader om forpliktende finansiering. Det er selvfølgelig representanten Gahr Støres privilegium å ville endre Arbeiderpartiets politikk men det er ikke i representanten Gahr Støres makt å endre historien. Historien viser tydelig at Arbeiderpartiet var imot 50 pst. investeringstilskudd for de store kollektivtiltakene. Mens historien viser at Arbeiderpartiet var imot, er det gledelig at Arbeiderpartiet nå har snudd. som Arbeiderpartiet må svare på, er likevel: Hvilke tiltak i distriktene er det som skal vike når Arbeiderpartiet nå vil gi mer til byene uten å øke rammen? Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen følger opp det vi lovte, og vi er godt i gang med samferdselsløftet vårt. Det vil gi en bedre transporthverdag for næringsliv og for hver og en av oss. Kø og forsinkelser har store kostnader, derfor er det viktig å investere i transportløsninger som vil gi en bedre hverdag for Mye går bra i Norge. Det har over flere år gått bra i Norge på mange viktige områder. Vi har lav arbeidsledighet. Vi har høy sysselsetting – blant begge kjønn. Vi har mange positive trender. Samtidig er tallene ikke nødvendigvis helt korrekte når vi sammenligner dem med resten av Europa. Norge har

på nasjoner og f.eks. bedrifter som har gått bra, men som ikke har klart å omstille seg. Den amerikanske kameraprodusenten Kodak var verdensledende. I 2003 omsatte de for godt over 100 mrd. kr, men valgte ikke å fornye seg. I 2012 måtte de søke om konkursbeskyttelse. Hvis man ser på næringslivet i resten av Europa som våre på næringslivet i resten av Europa som våre bedrifter konkurrerer med, ser man at de har vært igjennom en tøff finanskrise. De har hatt betydelige omstillinger og har klart å fornye seg. Norge har gjennom de siste åtte årene ikke foretatt den nødvendige moderniseringen, effektiviseringen og

gjennom å redusere skatte- og avgiftsregimet, som har tidenes satsing på samferdsel, ikke bare økonomisk, men også organisatorisk, slik at vi får bygd mer vei for de pengene vi bevilger, og mer jernbane. Vi skal også få bygget det raskere og rimeligere, fordi vi har en regjering som tør fornye og effektivisere. Vi har en regjering som reduserer byråkratiet. Mange av disse grepene gir mange gode effekter. Vi vet at hvis vi øker produktiviteten i Norge med kun 0,2 pst. årlig, vil det bety mer for vår velstand enn avkastningen av oljefondet i 2060. Ingen mennesker er helt A4. Det finnes ikke noen standardmennesker. Vi vet at den arbeidsmiljøloven vi har i dag, bygger på et samfunn som har vært i stor forandring. Jeg er glad for at vi nå har en regjering som ønsker å modernisere arbeidsmiljøloven – gjøre den mer tilpasset dagens situasjon og sørge for at døren inn til arbeidslivet er videre og bredere, slik at flere mennesker skal kunne jobbe. Om det ikke nødvendigvis er

at de har en god restarbeidsevne. Døren inn til arbeidslivet må bli videre og bredere. Da vil flere mennesker få mulighet til å jobbe. Det er jeg glad for at denne regjeringen bidrar til.

Som familiepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti er det en glede for meg å registrere at den familiepolitiske debatten er levende. Vi i Kristelig Folkeparti har vært positive til den forsiktige nytenkningen som Arbeiderpartiets leder har snakket høyt om. Det er viktig at vi er framtidsrettet i familiepolitikken og legger til rette for familiene i den situasjonen de faktisk er i, at vi forstår utfordringene som familiene møter, og at de er forskjellige. Vi i Kristelig Folkeparti er jo opptatt av kontantstøtten og at den skal fungere godt. Det er fordi vi ser at den for noen familier gir mulighet for en annen hverdag enn de ellers ville hatt. 6 000 kr er ikke all verden, men for noen er dette nok til at de opplever at de har et valg. Det er ikke et mål for oss at alle følger rett fra permisjon til barnehage, uansett om de ønsker det eller ikke. Barn er forskjellige, det er viktig å ta hensyn til det. Derfor er vi så opptatt av en sterk kontantstøtteordning og en god barnehage med plass når det er behov for det. Jeg tror også det er viktig at vi ser på hvordan både kontantstøtteordningen og barnehagesektoren kan bli mer fleksibel, slik at flere får mulighet til å kombinere: ta ut noen dager i uken hjemme og noen dager i barnehagen.

Og vi vet at det ikke blir bedre når pressede kommune- og barnehagebudsjetter skal gå opp. Kristelig Folkeparti mener at nok voksne i barnehagen er det aller viktigste for god kvalitet. Derfor er vi i Kristelig Folkeparti utålmodige når det gjelder å få på plass en bemanningsnorm som sikrer nok voksne per barn hver eneste dag, hele dagen. Vi har foreslått at en slik norm innføres innen 2016, Kristelig Folkeparti mener 2020 er for Kristelig Folkeparti handler ikke barnehagekvalitet først og fremst om kartlegging og læring. «Aller viktigst er kvaliteten på relasjonen mellom barn og voksen …» har professor May Britt Drugli uttalt om barns trivsel i barnehagen. Vi i Kristelig Folkeparti tror det er noe vi skal lytte til, og vi tror nødvendige forutsetninger for gode relasjoner er at det er nok voksne på jobb, og at dette er trygge voksne som gir barna god omsorg. Med nok voksne, flere barnehagelærere, stabil bemanning og de minste i små grupper går de aller fleste barnehagebarn en fin hverdag i møte. Kristelig Folkeparti mener vi skal ha ambisjon om en skikkelig opptrapping for familievernet, og da snakker vi om midler som gir en reell kapasitetsøkning i familievernet. Det aller viktigste familiepolitiske arbeidet er det forebyggende. Et sterkt familievern kan spare samfunnet for store kostnader, og ikke minst: Det kan gjøre livet bedre for veldig mange, enten det handler om terapi for å styrke gode parforhold og familier, om tidlig hjelp i vanskelige konflikter eller om å gjøre livet ved og etter samlivsbrudd minst mulig konfliktfylt. For et barn betyr det enormt mye når familievernet klarer å dempe konfliktnivået mellom foreldrene. Jeg tror også barneperspektivet er viktig her, at familievernet må ha en aktiv rolle i det å høre barna. Jeg har vært på besøk på Grenland Familiekontor, som tilbyr egne samtaler for barn ved samlivsbrudd – med gode resultater. Jeg tror det kan være et godt forslag at alle barn tilbys i hvert fall én egen time når foreldrene er inne til megling etter samlivsbrudd. Vi vet at høyt konfliktnivå er skadelig for alle, og spesielt for barna.

Ikke minst gir et globalt lavkarbonsamfunn store muligheter for Norge – vi har teknologimiljøer, vi har kapital, vi har naturressurser, og vi har en energimiks som gjør overgangen lettere i Norge enn i mange andre land. I et bærekraftig samfunn forener vi vekst og verdiskaping med framtidige generasjoners behov for at vi tar ansvar for klima og natur. Bærekraft handler altså ikke bare om vern, men også om ansvarlig utnytting av våre ressurser. Norsk oljepolitikk er et eksempel på det. Vi har verdens strengeste klima- og miljøregime på norsk sokkel. Klimagassutslippene ligger på om lag halvparten av gjennomsnittet globalt, vi har et nullutslippsregime av farlige kjemikalier. Vårt oljepolitiske regime har ry på seg for å være gullstandarden med hensyn til klima, miljø og ikke minst forvaltning av verdiene petroleum har skapt. Denne eller som resultat av markedskreftene – politisk vilje har vært drivkraften. Petroleumsvirksomheten gir arbeid direkte og indirekte til rundt 250 000 nordmenn. Denne industrien står for over en femtedel av BNP, over en fjerdedel av samlede investeringer og 30 pst. av statens inntekter. Omtalen av denne viktige bransjen i trontalen begrenset seg til et pessimistisk budskap: «Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst», ble det sagt.

Det kuttes dramatisk i investeringer, oppgradering og vedlikehold på norsk sokkel. Tusenvis av arbeidsplasser forsvinner, og med dem kompetanse i oljeselskaper og leverandørindustri. Disse negative trekkene forsterkes på grunn av regjeringens innstramming av permitteringsreglene. Folk blir sagt opp istedenfor å bli permittert. Behovet for investeringer forsvinner ikke. Dette må tas opp igjen i framtiden. Hvilken kapasitet har vi da? Situasjonen påkaller alvor, det er derfor forstemmende når regjeringen ikke finner grunn til å omtale denne industrien, ikke finner grunn til å gripe inn når et prosjekt som Zidane blir skutt ut i det blå og investeringer på 11 mrd. kr med det, og heller ikke ser ut til å ha vilje til å gjøre noe med permitteringsregelverket. Petroleumsindustrien er en syklisk bransje, og vi står nå i fare for å mangle kompetanse og kapasitet når markedet tar seg opp igjen. Karbonfangst og -lagring kan stå for nærmere 14 pst. av de nødvendige utslippskutt i et lavkarbonsamfunn. Norge er blant de ledende nasjoner som forsker og utvikler teknologi for å få dette til. Regjeringen har bevilget seg en såkalt tenkepause for å lage en ny strategi for arbeidet. Uttalelser fra regjeringspartiene gir oss grunn til å frykte at den nye strategien handler om å droppe fullskala rensing i Norge og satse alt i utlandet. Dersom dette er riktig, vil vi forspille de mulighetene vi har til å dyktiggjøre norsk industri til å bli ledende aktører på denne teknologien. Det vil være et historisk feilsteg og sløsing med humane ressurser i Norge. Det er uro i energimarkedene, det er uro i leverandørindustrien. Vi går mot en varmere verden som gjør det nødvendig å produsere energi med lave klimagassutslipp. Markedskreftene er gode tjenere, men dårlige herrer. Situasjonen energilandet Norge står overfor, krever politisk oppmerksomhet. Vi må sette industrien i stand til å gripe mulighetene, ikke utarme den med et håpløst permitteringsregelverk. Vi må være pådrivere for å få prosjekter som Zidane i gang, ikke lene oss tilbake og overlate til oljeselskapene å krangle om hvordan de skal tjene mest mulig på infrastruktur. Vi må drive fram prosjekter og teknologi for karbonfangst og -lagring i Norge og norsk industri, ikke betale andre nasjoner for å gripe mulighetene. Dette er ikke tid for retningsløs passivitet, det er tid for politisk vilje, og det er tid for politisk handling.

skolen eller arbeidsplassen. Hver eneste kommune og hvert eneste lokalsamfunn er bygd opp av slike fellesskap. Det er viktigheten av og respekten for disse nære fellesskapene som gjør at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen styrker det lokale selvstyret for å sikre sterke kommuner som kan bestemme mer selv og ikke bare være utførere av statlig bestemt politikk eller overvåkere av statlige forskrifter og retningslinjer. kommuner som i større grad er herre i – eller gjerne frue i – eget hus, for å si det slik. Jeg sier det også gjerne slik: Lokalt folkevalgte har de siste årene fått stadig større mulighet til å få refs av sine innbyggere for det kommunen gjør, samtidig som de har fått stadig mindre mulighet til å gjøre noe med problemet – kanskje annet enn å si at det er staten som har bestemt at det må være slik. Slik skal det selvfølgelig ikke være. Derfor viser gjennomføringskraft med kommunereformen, en overmoden sak som endelig og takket være Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen nå er på skinner, fordi sterkere kommuner er en forutsetning for lokalsamfunn som kan ta større ansvar for egen utvikling og ha mindre detaljstyring fra staten. Kommunereformen vil gi som resultat større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger og legger grunnlaget for økt kvalitet på velferdstjenester, på tempo i boligbygging og i næringspolitikken. Derfor er kommunereformen en reform for styrket lokaldemokrati. Regjeringen reduserer den statlige overstyringen og har hevet terskelen for statlig inngripen i lokale arealbeslutninger. Forenkling i saksgang for byggeprosjekter er nå varslet i statsbudsjettet, og fra før er regjeringen godt i gang med forenklinger i plan- og bygningsloven fordi innbyggerne våre og kommunene, for den del – skal få mindre byråkrati og en enklere hverdag, enten det handler om å bygge på huset eller å sette opp en garasje. Regjeringen prioriterer det viktigste først. For 2014 styrket vi det viktigste for lokal bosetting og næringsliv og som også er det innbyggerne og næringsliv etterspør mest: bedre veier og økte bevilgninger til fylkesveiene rundt omkring i landet. Et sterkt samfunn bygd på nære fellesskap forutsetter tillit, at vi som borgere kan ha tillit til hverandre og til samfunnets institusjoner, men også at vi som rikspolitikere i praksis viser at vi har tillit til innbyggerne, til familien, bedriften og lokaldemokratiet. Her gjennomfører regjeringen. Vi snur trenden med statlig overstyring og skaper mer rom for lokale løsninger. Regjeringens ekspertutvalg er i gang med å se på hva som kreves av kommunene for å ta imot nye oppgaver.

men av og til er det veldig situasjonsbestemt fordi at i en del kommuner er det Høyre og FrP som styrer, og jeg mener de har ikke vett nok til å styre sånn som de burde ha gjort.» Med et slikt utgangspunkt blir det ikke mye mulighet for lokalt folkevalgte til å bestemme selv. Et godt samfunn bygges av alle de sterke lokale fellesskapene, men da må vi vise tillit til de samme fellesskapene. tillit til de samme fellesskapene. Tillit handler om å erkjenne at selv om makten riktignok er samlet i denne salen, er faktisk vettet spredt ganske så jevnt ut over landet vårt. Etter Stortingets behandling av kommuneproposisjonen i juni ser det ut som regjeringens tidsplan for gjennomføring av kommunereformen vil ryke. Det er ikke noe bredt flertall for forslaget om å tvinge gjennom vedtak om store kommuner før valget i 2017. Jeg er glad for at så mange i denne salen var enig i Senterpartiets krav om at oppgavene for kommunene må på plass først, og at frivillighetslinjen må ligge fast. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er imot regjeringens opplegg for kommunereformen. Støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for regjeringens opplegg i Stortinget, på tross av at de også uttrykte skepsis. Det betyr at det er et smalt flertall som støtter opp om regjeringen, men flertallet for utredningsplikt er der. Kommunene følger som vanlig opp statlige pålegg.

Det er innbyggerne i kommunene våre som vet best hva som er best for deres kommune, og om deres kommune er tjent med å slå seg sammen med noen eller ikke. Regjeringen sier den vil gjennomføre kommunereformen for å styrke lokaldemokratiet, og de starter opp med å true med tvangssammenslåing i 2017 og overkjøring av lokale vedtak. Samtidig sendes det ut advarsler mot å gi innbyggerne mulighet til å si sin mening gjennom folkeavstemning. De fleste kommunesammenslåinger i nyere tid er gjennomført etter folkeavstemning, og en del har vært stoppet etter nei fra innbyggerne. Slik er våre demokratiske spilleregler. Det er åpenbart at regjeringen er redd for at deres ambisjoner om gjennomføring av de siste tiårenes største strukturreform i hurtigtogsfart skal bli stoppet av velgerne.

De mener endatil at de er klare til å si ja før de har skaffet seg kunnskap om begrunnelsen, ja før utredningsarbeidet er fullført. Jeg deltok på Dyrøyseminaret for en tid tilbake. Der deltok også statsråd Sanner, og jeg merket meg at han behendig unngikk å svare på et konkret spørsmål om han var redd kommunereformen ville føre til sentralisert bosetting, siden flere Kanskje opplevde ikke Sanner spørsmålet som relevant, men for Senterpartiet er dette et av de viktigste spørsmålene det må gis gode svar på i tiden framover. Et annet viktig spørsmål vil være konsekvensen av at antall lokalpolitikere vil bli mer enn halvert. Det vil uten tvil få store negative konsekvenser for lokaldemokratiet og for innbyggernes mulighet til påvirkning. Kommunereformen inngår i en rekke store strukturreformer i offentlig forvaltning som vil føre til store flyttestrømmer og sentralisering – politireformen, statliggjøring av skatteinnkreving, nedlegging av regionkontor i Innovasjon Norge, for å nevne noen. For oss i Senterpartiet vil det være en hovedoppgave å arbeide for en desentralisert forvaltning. Det gjør vi for å sikre oss at både statlig og kommunal forvaltning er organisert på en måte som er tilpasset lokale forhold rundt om i landet. Vi gjør det også for at offentlige arbeidsplasser skal være med og bygge hele landet, ikke bare hovedstadsområdet. Tilbake til kommunereformen: Regjeringen er på vikende front i gjennomføring av hastereformen. Nå er forslaget om å gjøre alle kommuner til ROBEK-kommuner trukket tilbake. Forslaget om at reformstøtten skal forbeholdes kommuner med over 10 000 innbyggere, er trukket tilbake, og planen om sniknedlegging av fylkeskommunen ble stoppet i Stortinget.

må ha en solid finansiering, og det betyr at vi må sikre at folk har en trygg jobb å gå til, både i dag og i fremtiden. Vi må skape nye, grønne og trygge arbeidsplasser for en fremtid der olje- og gassinntektene blir mindre. Det er derfor det er viktig at vi senker skatter og avgifter i dag, slik at vi styrker konkurransekraft og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Det er derfor det er viktig at vi satser på kunnskap, forskning og innovasjon i dag, slik at vi får ideene og løsningene som vi skal leve av i fremtiden, og ikke minst de ideene og løsningene som verden kan leve med i fremtiden. På alle disse områdene er europapolitikken en hovedarena. For det første pågår det nå tunge prosesser i EU om klima- og energispørsmål, prosesser som kan få stor betydning for Norge i fremtiden. fremtiden. Én diskusjon er diskusjonen om energi- og klimarammeverket 2030, hvor EUs mål for energi- og klimapolitikken settes for de neste 15 år. En annen diskusjon er diskusjonen om energisikkerhet i Europa: arbeidet med en energisikkerhetsstrategi og en energiunion. Dette er store beslutninger som har fått ytterligere trykk gjennom den russiske adferden i Ukraina. Også her kommer det diskusjoner som kan få stor betydning for Norge, og derfor er det viktig at vi deltar, at vi spiller inn, som et land som er en partner med EU i klimapolitikken, og som et land som er en betydelig energileverandør til Europa. Det er bl.a. derfor både klima- og miljøministeren og olje- og energiministeren i Milano i dag legger frem norske posisjoner inn mot viktige beslutninger som skal tas i EU kommende uker. Et annet eksempel er forskning og innovasjon. EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er vår viktigste internasjonale forskningsarena og mer enn det: en innovasjonsarena. Det er et program innrettet på å løse konkrete, viktige og store samfunnsutfordringer. For Norge, som investerer mye i dette, er det også viktig å hente mye ut av det og knytte de forskernettverk og få de resultater som kan bygge både næringsliv og velferd for fremtiden. For det tredje er hele diskusjonen i EU rundt konkurransekraft, arbeidsplasser og jobbskaping en diskusjon som har mye i seg av betydning for Norge. De siste årenes økonomiske krise har ført til et helt nytt søkelys på behovet for konkurranseevne, på behovet for forenkling og for å løfte det transatlantiske partnerskapet gjennom diskusjonen om en frihandelsavtale over Atlanteren mellom EU og USA. Det er viktige temaer som over de neste måneder og år kommer til å finne sine løsninger, og i de prosessene er det veldig viktig for Norge å være en aktiv deltaker fra vårt utgangspunkt. Det er også

og at vi løser de vanskelige spørsmålene som i dag hindrer at norsk næringsliv får samme spilleregler som europeiske konkurrenter. Også det er et spørsmål om å løse vanskelige oppgaver i dag for å ruste oss for fremtiden. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg er Jeg er veldig enig med statsråd Helgesen i at Europa er vår hovedarena når det gjelder mange viktige spørsmål som vi står overfor. Vår rolle er der, i tillegg til NATO-medlemskapet, i kraft av EØS-avtalen. Mitt spørsmål handler om det siste punktet som Helgesen tok opp i sitt innlegg, nemlig etterslepet av utestående rettsakter i EØS-avtalen. Det er

og hva statsråd Helgesen har tenkt å gjøre for at vi så raskt som mulig skal komme oss ut av en vanskelig situasjon for norsk næringsliv. Det er riktig at vi har urovekkende høye tall på etterslepet, og har hatt det i flere år. Vi går for det første løs på dette gjennom dialog med våre EFTA-partnere, hvor noe av utfordringen ligger, og så på hjemmebane gjennom systematisk oppfølging av de områdene hvor etterslepet er størst. Dette kommer og går i pakker og med ulike størrelser. En av de tingene vi gjør, er at vi i regjeringens europautvalg hver måned setter på dagsordenen hvor etterslepet er størst, og har en oppfølging av det for å få det ned. Dessuten er det klart at vi nå er i en situasjon hvor vi, på grunn av den uavklarte situasjonen med finanstilsynssaken, etterslepet vokser på finansområdet inntil vi har funnet en løsning. Derfor setter vi stort trykk på å finne en løsning der. Hvis statsråden har noe nytt å melde om finanstilsynssaken, er vi sikkert veldig interessert i å høre om det. Men hvis det ikke er tilfelle, tenkte jeg at jeg rett og slett skulle høre med statsråden om noe annet. Det er kommet en ny kommisjon. Hvordan vil statsråd Helgesen fra sitt ståsted bedømme det nye arbeidsprogrammet til denne kommisjonen? Ja, europasamarbeidet pågår på mange nivåer, men til syvende og sist er det på det politiske nivået løsninger stort sett skal finnes i de viktigste spørsmålene. Hva er hans bedømmelse av den nye kommisjonen, og hvordan vil regjeringen arbeide for å knytte viktige kontakter slik at man kan finne mulige løsninger på norske problemstillinger med en ny kommisjon? Hva er hans vurderinger av

som dreier seg om maritime spørsmål, fiskeri og miljø. For Senterpartiet er det få – om det i det heile er nokon – område som det er viktigare å kjempe for enn Grunnmuren i demokratiet og i folkestyret er Grunnlova, og i § 115 er det slått fast at dersom Stortinget skal gi frå seg suverenitet på eit sakleg og avgrensa område til ein internasjonal organisasjon Noreg er medlem av, skal det skje med tre fjerdedels fleirtal. No ligg EUs tredje energipakke til handsaming i regjeringa. Det vil føre til at Noreg kan kome til å avstå suverenitet til EUs energiregulatorbyrå, ACER. Dersom det er usemje mellom Noreg og eitt eller fleire land i EU omkring kostnadsfordeling og utbygging, kan f.eks. byrået tvinge Noreg til å betale milliardbeløp. Regjeringa har sagt at ein vil arbeide for meir openheit, men det har vore lite openheit om dette arbeidet. Mitt spørsmål til statsråd Helgesen er følgjande: Kan statsråden garantere at Noreg ikkje endar med å gi frå seg norsk suverenitet til EU som følgje av EUs tredje energipakke? Som representanten Navarsete impliserer, er dette en komplisert og veldig viktig sak, og det er derfor den også er tidkrevende. Det som skal være helt sikkert, er at den konklusjonen vi trekker, og som vi vil komme tilbake til Stortinget med, kommer til å følge den praksis som er hevdvunnet i denne sal, nemlig at dersom en myndighetsoverføring er mer enn lite inngripende, vil det være Grunnloven § 115 som gjelder. Er den ikke så inngripende, vil det så inngripende, vil det være Grunnloven § 26 som gjelder – dersom det i det hele tatt er snakk om en

regjeringa. Med eit slikt bakteppe er det ikkje med lita undring Venstre konstaterer at regjeringa har valt å motsetja seg å implementera EU-forordning om kapitalkrav på eitt område: lettingar i kapitalkrava for utlån til små og mellomstore bedrifter, også kalla SMB-rabatten. Kan statsråden forklara meg og Venstre kvifor det er så viktig å ta strid med EU på eit område som ikkje vil svekkja norske interesser, men tvert imot? Konsekvensen, trass i alt, av regjeringas politikk er at norske småbedrifter vert pålagde dyrare lån enn det som er nødvendig, og at Noreg kastar vekk ressursar og goodwill heilt unødvendig. La meg først si at det gjennom de 20 årene vi har hatt EØS-avtalen, har vært en nokså ubrutt linje i ubrutt linje i å akseptere EU- og EØS-rettsakter, som en følge av at dette er hensikten med EØS-avtalen på de områder der EU-rettsakter er EØS-relevante. Forrige regjering hadde gjennom åtte år én sak der man reserverte seg. Vi har lagt stor vekt på å være tidligere ute og dermed, f.eks. på energiområdet, gi synspunkter lenge før det er snakk om EU-reguleringer, bl.a. på forslag som er under oppseiling, hvor vi mener at våre interesser vil være skadelidende ved feil beslutning på EU-siden. Så vi står på for norske interesser. Når det gjelder spørsmålet om kapitalkrav, vil jeg få lov til å komme tilbake til det, fordi det er en komplisert sak, og vi har så langt kommunisert et syn som ikke nødvendigvis vil være siste kapittel i denne historien. Som samordningsminister på Statsministerens kontor er

før ferien. I dag er det slik at ideelle organisasjoner blir omfattet av nye regler, og det blir svært korte anbudsperioder for mange av de ideelle organisasjonene. Mye av dette bunner i pensjonsutfordringene. Kan statsråden si noe om hvor langt man har kommet i det arbeidet, som er ganske krevende for mange ideelle organisasjoner? Det er rett at jeg har fingrene borti mange saker, men i spørsmålet om ideelle organisasjoner har jeg som EØS- og EU-minister vært borti diskusjonen rundt anbud og hvilke muligheter som gjør seg gjeldende for Norge innenfor det nye anbudsregelverket, og det er som EØS- og EU-minister jeg er konstitusjonelt ansvarlig og ansvarlig overfor denne sal. Når det gjelder spørsmålet om pensjonsutfordringene, er det til vurdering. Det er et tema som er av stor viktighet, også ut fra at de nye EØS-reglene for anbud kan få betydning for norske ideelle organisasjoner, nettopp med utgangspunkt i de tunge og store pensjonsutgiftene. Så dette er en stor og viktig materie, som vi arbeider med med full intensitet. Det er

og den er avgrenset på en slik måte at det som da skal legges ut på anbud, både skal kunne gå til frivillige organisasjoner og til kommersielle leverandører, altså til dem som skal tjene penger på det. Det kan jo være en avgrensning som gjør at man kanskje får et negativt svar, og det synes jeg er ganske oppsiktsvekkende hvis det er sånn at å ville sikre at vi kan samarbeide med de frivillige, nonprofit organisasjonene – at det er viktigere for regjeringen å slippe til de kommersielle enn å sikre at de frivillige, nonprofit organisasjonene fremdeles kan være en god samarbeidspartner framover.

altså å videreføre den modellen vi har hatt i noen år. Det var en utredning som konkluderte med at det er det ikke grunnlag for, men at det er grunnlag for på andre måter å se på hvordan vi kan sikre at frivillige organisasjoner, ideelle organisasjoner, også i fremtiden skal ha en viktig rolle å spille i norsk velferdsproduksjon.

I Norge bygges framtidens kompetanse og teknologiløsninger hver eneste dag. Vi lever av å være et kunnskapssamfunn. Det gjør at vi stadig må strekke oss lenger for å holde konkurransekraften oppe. Vi må få flere gjennom videregående skole, for vi trenger mer arbeidskraft. Vi må få flere til å stå lenger i arbeid fordi flere hender skal sikre velferden til flere, og vi må få et enda tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Alle gode krefter må bidra til å nå målet om lavutslippssamfunnet. I Arbeiderpartiet er vi opptatt av å skape vekst over hele landet. Da trenger vi også attraktive arbeidsplasser spredt over hele landet. Et godt organisert arbeidsliv er helt avgjørende for å håndtere de utfordringene vi står overfor. En fast ansatt føler seg tryggere og og større mulighet til å innfri drømmen om å kjøpe seg en bolig enn dem som er midlertidig ansatt. Satser man på familie, er gode permisjonsmuligheter viktig for å kunne være til stede for barnet den første tiden. En modernisering i familiepolitikken gjennom pappapermisjonen er viktig for oss, men regjeringen reverserte gammelmodig den satsingen raskt. Før valget var mantraet fra regjeringspartiet Høyre «Nye ideer, bedre løsninger», men det har vi sett veldig lite av i næringskomiteen, for næringsnøytraliteten er kommet tilbake med regjeringsskiftet. Det er gammelt tankegods som kommer fram igjen, gjerne i litt finere innpakning. For næringskomiteen er statlig eierskap en viktig debatt denne høsten. Stortingsmeldingen legger føringer for hvordan næringsutviklingen skal være framover på den siden. Regjeringen mener at det statlige eierskapet er for stort og vil selge unna. De begrunner det med at det er viktig å få eierskapet over på private hender for å få maktspredning. Hva er spørsmålet når det er svaret? Hva er galt med et statlig eierskap der man går inn som en langsiktig, aktiv og profesjonell eier og stiller strenge krav på fellesskapets vegne? Ta f.eks. Flytoget: Hvorfor bør det selges? Er det fordi det ikke fungerer, er det fordi kundene er misfornøyde, eller er det fordi staten ikke driver det selskapet godt? Nei. Flytoget er et selskap fellesskapet har bygd opp, der kundene er bortimot 100 pst. fornøyd, og det er en viktig del av infrastrukturen rundt hovedstaden. Hvorfor er maktspredning da så viktig? Hvor mye skal spres? Skal alle verdens kontinent få kjøpe et stykke Norge hver for at maktspredningsbarometeret til regjeringen blir tilfredsstilt? Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre statlig eierskap også i framtiden, og vi er opptatt av å være en ansvarlig, langsiktig og profesjonell eier, men også å ha et dynamisk eierskap. For meg ser det ikke ut som det har vært stor innovasjon i Høyres Hus rundt dette temaet. Regjeringen kjører tradisjonell Høyre-argumentasjon, og skulle det

ikke som jeg har hørt, i hvert fall. Likevel betyr det ikke at alle som betaler formuesskatt, opplever at det er rettferdig, og at den treffer dem rettferdig. Derfor ser vi i Arbeiderpartiet at det er viktig at vi tar en grundig skattedebatt nå når Scheelutvalget legger fram sin rapport i desember. Diskusjonen er hjertelig velkommen fra vårt ståsted. Trontalen er

Det landet trenger, er en regjering med et klart ønske om å bringe landet videre gjennom realitetsorientering, forenkling og tilrettelegging for engasjement og skapervilje. Det har landet fått. Når trontalen ses i sammenheng med alle de prosesser som allerede er satt i gang, ikke minst innenfor egen komités ansvarsområde, vet vi at det blir mange spennende debatter om hvordan vi kan legge til rette for en framtidsrettet og innovativ utvikling av norske mediehus – både aviser, radio og TV, hvordan tildelingen av kulturmidler kan bli enda mer treffsikker, og hvordan filmindustrien kan få forutsigbarhet. Alt dette er omfattende og betydningsfulle prosesser med en intensjon om å løfte norsk kulturliv i sin fulle bredde opp til framtidsrettet og bærekraftig aktivitet. Rammene for slik virksomhet må åpne for kreativitet og selvstendig initiativ. Blant annet vet vi at idrett og fysisk aktivitet i tillegg til å være et viktig bidrag til bedre folkehelse også er store og verdifulle fellesskap som fremmer likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Bærebjelken i kulturlivet er likevel den enkeltes deltagelse og den frivillige innsats som hver dag gjennomføres i en mengde organisasjoner, enten det er musikk, visuell kunst, teater, idrett eller deltagelse i alle de organisasjoner som bidrar med tjenester for sine medmennesker i lokalsamfunnet. En regjering som i trontalen tydelig slår fast ønsket om å gi frihet og rom for frivilligheten, er en regjering etter mitt hjerte! Det er et solid og godt mål å ha med seg i arbeidet for velfungerende og gode lokalsamfunn, i arbeidet der vi vil legge til rette for flere lokale avgjørelser, der vi vil at flere avgjørelser skal tas nærmest mulig dem det gjelder, der vi vil oppnå maktfordeling gjennom at regjering og storting skal legge til rette, og fleksibiliteten og innholdet skal bestemmes nær brukerne. Frivilligheten skal tas vare på og være en ressurs vi tar i bruk ved å gjøre det enkelt for dem å være en naturlig del av ethvert lokalsamfunn der det finnes slikt engasjement og initiativ. Så må vi ikke i alle debatter om store summer, systemer og rammer glemme den kanskje viktigste oppgaven vi har. Det gjelder den enkelte som trenger en ekstra håndsrekning fra samfunnet. Vår statsminister har gjentatte ganger snakket om at vi skal tette hullene i det sosiale nettverket. Det følges opp som en sentral oppgave også i denne trontalen. Alle barn skal få muligheter til å oppnå nødvendig kompetanse til å bli en naturlig del av samfunns- og arbeidsliv. Det betyr at barn av de familiene som har minst, må få en håndsrekning for å kunne delta i sosiale settinger og komme gjennom utdanning. Det betyr også at barn som utsettes for omsorgssvikt, skal ha samme rett til samfunnets hjelp uansett om de bor i en stor eller liten kommune. Å sikre disse gruppene kompetent saksbehandling og trygghet for gode løsninger uansett utgangspunkt for utfordringene henger nøye sammen med ønsket om en kommunereform i Norge. Utøvelsen av omsorg kan nok føles minst like god i mindre som i større kommuner, men for mange tilbakemeldinger tyder på at det er utfordrende å sikre saksbehandlingen like godt. Barnevernet må oppfattes som tilgjengelig, troverdig og kompetent for å skape den rette trygghet for de avgjørelser som tas. En slik trygghet er viktig for å spare barna for lange og utfordrende runder med saksbehandling. Regjeringens styrkede satsing på barnevernspedagogutdanningen og økt kompetanse blant de ansatte er gode og viktige bidrag til dette. Kvalitet er denne regjeringens viktigste mål for alle tjenester vi bruker offentlige midler på. At dette kommer så tydelig fram i arbeidet med barna våre, er et signal vi alle skal sette pris på, og det er en prioritering som det ikke er vanskelig å slutte seg til. Det kommer minst like tydelig fram i de valg som er gjort på barnehagesektoren. En tydelig strategi for kompetanse hos alle de ansatte viser at barna i barnehage har fått den plassen de fortjener i regjeringens arbeid. I går kom i tillegg den hyggelige meldingen om at det i budsjettet for 2015 blir en betydelig bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen, og at denne skal sikres innbyggerne uansett hvor de bor. En omfordeling av ressursene som sikrer sosial utjevning, har lenge vært ønsket. Nå tar vi viktige skritt i riktig retning! Fremskrittspartiet mener at kunnskap er

Regjeringen har vist handlekraft og satset formidabelt på etterutdanning av lærere. Tidenes største lærerløft har gjort at rekordmange lærere er i gang med dette. I tillegg er det bevilget flere midler til lærlingtilskuddet, slik at bedrifter får enda større incentiver til å ansette lærlinger. Norske fagarbeidere er blant verdens beste. Det viser også resultatene av Yrkes-EM, der unge norske fagarbeidere deltok. Tre fikk gull, tre fikk bronse, og hele ni stykker fikk medalje for svært godt utført arbeid. Stor gratulasjon fra Fremskrittspartiet til disse ungdommene, som beviser at norsk fagutdanning er i toppen! Og lykke til videre – jeg håper at mange vil følge i deres spor og satse på fagutdanning! Kunnskapsministeren presenterte i forrige uke regjeringens lærerløft. Dette er en direkte oppfølging av den politiske plattformen, noe som tydelig igjen viser at regjeringen innfrir. Vi vet at læreren er den som har størst betydning for elevenes utbytte i skolen. Da er det også naturlig å starte med lærerne for å heve kvaliteten i den norske skolen. Det er en klar sammenheng mellom lærerstudentenes ferdigheter ved oppstart av lærerutdanningen og hva studenten kan ved endt utdanning. Derfor skjerpes opptakskravet i matematikk. For å få flere til å kvalifisere seg til utdanningen vil forkurs i matte, tilsvarende som ved ingeniørstudiet, tilbys. Grunnskolelærerutdanningen foreslås omgjort til en femårig masterutdanning, dette vil gi mer tid til praksis i utdanningen. En viktig del av Lærerløftet er at det opprettes flere karriereveier i skolen. Fremskrittspartiet er positive til dette, da det kan hindre at lærere slutter, tiltrekke flere dyktige folk til læreryrket og heve lærerens status. To tredjedeler av norske barnevernsbarn fullfører ikke videregående skole. Det er svært alvorlig for dem det gjelder, og for samfunnet. Manglende skolegang blant barnevernsbarn har blitt diskutert i denne sal, det har blitt med diskusjonen, dessverre. Denne regjeringen er handlekraftig, det viser ikke minst barneminister Hornes resolutte handling da hun grep inn og bevilget 10 mill. kr for å gi barnevernsbarn bedre tilpasset opplæring. Det er første gang en regjering bevilger ekstra til dette viktige tiltaket. Men det stopper ikke der. Statsråden har pålagt alle barnevernsinstitusjoner at de fra nå i at de fra nå i høst skal ha en skoleansvarlig som sørger for at eleven møter opp og får undervisning i skolen. Fremskrittspartiet har like store skoleambisjoner på vegne av barnevernsbarn som av barn som vokser opp i egen familie. Flere talere har vært opptatt av å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerne. Regjeringen har signalisert at de vil bevilge 200 mill. kr til skolehelsetjenesten for neste år. Dette er en dobling av det som ble bevilget for i år. Flere talere har kritisert regjeringen for ikke å legge fram tiltak mot tidstyver i skolen. Regjeringen har allerede startet arbeidet med å fjerne tidstyver. Det ble i fjor satt i gang et prøveprosjekt med systematisk kartlegging av rapporteringsomfanget i grunnskole og videregående opplæring. Målsettingen er å begrense rapporteringen til det som er nødvendig, og utvikle mest mulig effektive rapporteringsrutiner. Utvalget vil levere sin rapport 1. desember. Dette viser også at regjeringen leverer. Fremskrittspartiet har store ambisjoner for utdanningssektoren på alle nivå, inkludert forskningssektoren. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen viser handlingskraft og gjennomføringskraft, noe som vil trygge dagens og framtidens velferd og vekst. Små forskjeller i samfunnet er

De lekkasjene som er kommet hittil, tyder jo på at regjeringen mener at de som har det aller vanskeligst, har fått for mye. Jeg registrerte f.eks. i helgen at en ung stortingsrepresentant – og vi tjener jo ikke så dårlig – var ute i Dagens Næringsliv og gledet seg over at man nå så for seg at man skulle kutte barnetillegget i uføretrygden, og at man skal redusere muligheten for aleneforsørgere til å skaffe seg en utdanning – med trygg inntekt – slik at de faktisk får jobb, for det funker. Jeg registrerte også at for vel ett år siden tok det ikke akkurat mange ukene før man var i stand til å bla opp ganske mange hundre milliarder kroner til de rikeste menneskene i dette landet. Jeg men jeg har sett nød blant folk som er fattige, og jeg har sett sykdom blant folk som er fattige. Det påvirker barna, og det gjør ikke noe godt. Det er ingen som får jobb og blir frisk av å bli fattig. Derfor vil jeg ha et svar fra regjeringen nå: Hva er for store forskjeller, og hvor store forskjeller mener regjeringen egentlig at vi skal tåle, for det må jo være styrende for om de mener at de aller mest vanskeligstilte, som er for syke til å ha jobb, nå må oppleve kutt – endatil for ungene. Jeg er veldig glad for at det nå er veldig mange kommuner som sier tydelig fra om at kommuneøkonomien er for dårlig. Den er kuttet, og skattetallene svikter – to milliarder kroner – og den som tror at dét ikke kommer til å synes i hvert eneste klasserom eller i eldreomsorgen framover, må tro om igjen. Det er klart at dette handler om at Det er klart at dette handler om at skolen skal bli god nok til at jeg synes den er god nok for mine barnebarn, eller at jeg kan være trygg for at min 90 år gamle mor får den hjelpen hun trenger. Derfor er kommuneøkonomi så viktig, men regjeringen har dessverre lyktes i sin strategi med å få all oppmerksomhet bort fra fakta om skattesvikt og regjeringens dårlige kommuneøkonomi og fått landets politikere, rådmenn og journalister til å bruke all sin oppmerksomhet på å sitte og tegne nye kart og telle innbyggere og fantasere om storkommuner. Kommuneøkonomi er mye viktigere enn kommunestørrelse, uansett om kommunen er stor eller liten, og kommunene i Norge trenger mer penger generelt sett, fordi de trenger å lage en god skole, en god eldreomsorg og å ha rom til kultur og andre viktige ting. Derfor setter SV kommuneøkonomien så høyt og bevilger mer enn de andre, fordi disse tingene er så viktige, og de er mye viktigere enn f.eks. skattelette. Så til slutt: Det er mye ufred i verden, og noen mennesker prøver å komme til Norge for å berge livet, eller for å få et bedre liv. Det tror jeg vi skal ha forståelse for. Nå har regjeringen hatt en offensiv for å få sendt ut mange barn som har vært her lenge. I dag innrømte justisministeren at det regelverket man har sendt ut for å styrke barns rettigheter i asylbehandlingen, ikke holder mål. Høringsinstansene sier at det er en innstramming, slik som SV har sagt. Derfor fremmer SV et forslag nå om at vi skal stille disse sakene i bero, for det vil nødvendigvis måtte ta lengre tid å få fram et regelverk som faktisk sikrer det samarbeidsavtalen sier at den skal sikre, nemlig at flere barn skal få vurdert sitt behov når de har vært i Norge lenge og blitt en del av oss og er et norsk barn, slik våre barn er. De er våre barn.

det som regjeringen har lagt fram. Det har regjeringen innrømt i Stortinget i dag. Derfor oppfordrer jeg alle til å stemme for SVs forslag. Det blir replikkordskifte.

Representanten Lysbakken sa i en replikkveksling tidligere i dag at SV vil reversere regjeringens skattelettelser «krone for krone», og at dette kommer i tillegg til å innføre en finansskatt på 9 mrd. kr. Dette er selvfølgelig prisverdig tydelig fra partiet SV. For å følge opp denne tydeligheten kan kanskje representanten Andersen si noe om dette innebærer å reversere de eller om det er andre skatter representanten Andersen mener man heller burde øke. Det som er hele poenget med dette, er at vi er nødt til å bruke de pengene vi har i dette landet på en best mulig måte, sånn at flest mulig mennesker får et godt liv. Det er det som er hovedmålet med SVs politikk, og at vi gjennom det også skal kunne drive en god næringspolitikk og en god fordelingspolitikk, som gjør at flere beholder helsa og får en god skole. Derfor vil vi gjøre det som Audun Lysbakken sa i sitt innlegg i dag, men det er klart at vi også vil kunne se på mange andre måter å fordele skattebyrden på, på en slik måte at det blir mer rettferdig, og at alle sammen er med og bidrar. Det er jo noe av det aller viktigste og noe av det som den regjeringen representanten Asheim støtter, er med på å fjerne, nemlig at de aller rikeste ikke skal være med og bidra til dette spleiselaget. Det som er opprørende med forslaget om å fjerne formuesskatten, er jo at de aller rikeste i landet da blir gratispassasjerer. Det er SV veldig imot, for vi mener at man skal yte etter evne og få etter behov.

Det som eg reagerer litt på, er at ein set merkelappen «dårleg kommuneøkonomi» på det opplegget som me har lagt til grunn. Det blir ikkje riktig om ein berre seier det mange nok gonger. Det er ikkje eit dårleg kommuneopplegg, og det blir heller ikkje riktig å seia at det er dårleg når ein samanliknar med dei føregåande åra med raud-grønt opplegg. Justerer ein for pensjonsutgiftene og demografien, er opplegget betre for kommunane neste år enn det det var i 2014. Så det eg må spørja representanten Andersen om, Viss vårt opplegg, som er betre enn dei raud-grøne sitt opplegg, har merkelappen «dårleg», kva for merkelapp vil representanten setja på dei åtte åra da SV har kunna påverka kommuneøkonomien? I de årene som vi har påvirket kommuneøkonomien, har kommuneøkonomien blitt styrket vesentlig – hvert eneste år. I tillegg til det har vi fordelt inntektene på en mye mer rettferdig måte. Vi mener med kommuner som vi mener med folk, at de rike skal være med på å dele på utgiftene, slik at også de kommunene som har liten inntekt, skal kunne få muligheter til å ha gode skoler og gi god eldreomsorg.

med over 2 mrd. kr. Det vil vi kompensere. Her ser det ut til at Fremskrittspartiet svikter.

når de forteller oss hva som er hovedutfordringene i skolen i dag. Kristelig Folkeparti ønsker å gi lærerne mer tid til hver enkelt elev og sørge for at færre elever faller av lasset i løpet av de første skoleårene gjennom å øke lærertettheten i de laveste klassetrinnene. Mitt spørsmål er om SV er positive til å være med på et slikt småskoleløft. Ja, det å gi alle unger muligheter til å vokse og realisere alle sine evner og muligheter i livet vil SV være med på – helt fra barnehagen, gjennom den støtten vi gir til familiene, og gjennom skolen. Det vi vet, er at det er dessverre mye i skolen i dag som gjør at den gagner mest dem som klarer seg best fra før. før. Det å ha flere lærere har SV hatt i sitt program i flere år, i flere perioder, så der er vi enige. For meg er det helt åpenbart at hvis du har en klasse med veldig mange elever, har du ikke tid nok til å gi hver enkelt den oppmerksomheten de trenger, enten du kommer fra en vanskeligstilt familie eller ikke.

at regjeringa ikke med ett ord engang nevner utfordringene vi har knyttet til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i sin trontale. Etter vår vurdering er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet et av de største samfunnsproblemene vi står overfor, for spørsmålet omhandler også kriminalitet, svart økonomi og menneskehandel. Det er grunnen til at økonomi og menneskehandel. Det er grunnen til at den rød-grønne regjeringa la fram tre handlingsplaner for å møte de utfordringene. I vår regjeringsperiode opplevde vi at vår kamp mot sosial dumping også var en kamp mot Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget. Men i det siste har det kommet noen nye toner fra regjeringa. regjeringa. Regjeringa har tydeligvis også oppdaget at her er kriminalitet, svart økonomi og menneskehandel involvert. Dette skjedde etter at media prisverdig nok satte søkelys på saken, og ikke minst skjedde det etter at partene i arbeidslivet – representert bl.a. ved LO, som sendte brev til regjeringa i april, et brev som også NHO mente det var viktig at regjeringa fulgte opp – fikk i stand et møte i september, der aktørene som kan møte den svarte økonomien og arbeidslivskriminaliteten, var samlet. Det kom mye positivt ut av det møtet, og det er godt at vi har et seriøst arbeidsliv som tar sakene opp. Men politikken til regjeringa er fremdeles ikke forandret. Permitteringsreglene er et godt eksempel. Store, seriøse bedrifter i Norge ber så pent de kan om å få lov til å være seriøse, altså beholde faste arbeidstakere, investere i dem og utvikle dem, for å få bedre produktivitet. Regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er ikke med på å styrke det det seriøse arbeidslivet. Midlertidige ansettelser gjør det lettere å være useriøs, i tillegg til at det er et forslag som setter oss tilbake når det gjelder trygghet i arbeidslivet. Økt pålagt overtid fra er heller ikke familievennlig. Når man øker kravet til åtte timer – i stedet for dagens fem – for å få én time godkjent hvilende vakt, gir ikke det mer fleksibilitet – det gir mindre fleksibilitet for dem som skal få turnuser til å gå opp f.eks. Det er umoderne og gammeldags.

Den daglige politikken undergraver tryggheten i arbeidslivet, og den undergraver dermed også kampen mot det useriøse arbeidslivet. Fra vår side kan jeg forsikre om at vi kommer til å jobbe videre for å møte kampen mot sosial dumping og arbeidslivkriminalitet, og jeg vil invitere alle gode krefter i samfunnet til å være med og finne løsninger som gjør at vi kan møte den utfordringa som er i ferd med å true det seriøse næringslivet i Norge.

med å bygge opp et verdensledende miljø. Det er selvfølgelig også utrolig gøy for Norge. Hvis vi skal ruste oss for morgendagen, er vi nødt til å reformere og endre i dag. En rød tråd for regjeringen har vært kvalitet – fra barnehage til forskning. Det gjennomsyret også trontalen som ble holdt forleden. Målet vårt er at vi skal ha enda høyere ambisjoner for norsk skole enn i dag. dag. Vi har en skole som på mange områder er veldig bra. Vi har en skole hvor elevene trives. Vi har utrolig mange dyktige lærere som i klasserom rundt om i Norge hver eneste dag lærer barn å knekke lesekoden, lærer dem å skåre enda høyere i matematikk – gir elevene gode fagutdannelser slik at de kan bli gode og solide fagarbeidere. Når jeg sier vi skal ha enda høyere ambisjoner, Vi skal strekke oss enda et hakk lenger for at vi skal få enda flere som kan utnytte sitt fulle potensial. Vi vet av tallene vi har, at Norge har et lavt antall på de øverste nivåene i f.eks. matematikk. Det betyr at vi må ha høyere ambisjoner når bare 12 pst. av dem som får karakteren 2 i matematikk i grunnskolen, klarer å gjennomføre videregående opplæring. Det betyr at vi må ha høyere ambisjoner for hver eneste elev for at alle skal lære seg grunnleggende ferdigheter og ha en trygg skole å gå til. Regjeringen jobber langs flere fronter med dette. For ca. halvannen uke siden lanserte vi Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen. Begge delene av tittelen er viktige – Lærerløftet fordi vi vet at det som betyr aller mest for at elevene skal lære mer, er at gode lærere får bli enda bedre, og På lag for kunnskapsskolen fordi vi vet at det ikke nytter bare å ruste individer hvis vi ikke også klarer å bygge lag. Det er flere grep i Lærerløftet fra regjeringen. Jeg har lyst til å fremheve fire. Det første er at alle elever skal møte en lærer med fordypning i matematikk, engelsk og norsk. De nye kompetansekravene til lærerne vil bli innført så raskt som mulig. lærerne vil bli innført så raskt som mulig. Det innebærer at lærere på barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk. På ungdomsskolen må de ha For å oppnå dette stiller vi krav til kommunene om at den dispensasjonsadgangen som er i dag, skal lukkes i løpet av ti år. Det innebærer også at vi må fortsette den historiske utbyggingen av videreutdanningen, noe som regjeringen er i gang med. Punkt 2: Vi endrer lærerutdanningen. Vi har sagt at vi Vi har sagt at vi tar sikte på å innføre en praksisnær mastergrad fra 2017. Punkt 3: Vi ønsker å skjerpe opptakskravene – fra 3 til 4 i matematikk – for å komme inn på lærerutdanningene, med dagens regler som utgangspunkt, men altså med skjerpede krav. Vi vil videre vurdere ytterligere skjerping. Vi Så skal vi fortsette lagbyggingen i skolen. Det innebærer at de statlige ressursene i enda større grad må rettes inn mot de kommunene som trenger ekstra hjelp. Men det betyr også at vi må fortsette satsingen på programmer som gjør at en lærer som har tatt videreutdanning, f.eks. tatt studiepoeng i hvordan man skal formidle matematikk til elever på mellomtrinnet, opplever en skole hvor man kan komme tilbake, hvor kunnskapen blir delt – tatt i bruk – og hvor andre kan gi faglige tilbakemeldinger. Mange skoler er veldig flinke til dette i dag, men det er dessverre for store forskjeller mellom skolene. Lagbygging betyr at både politikere – nasjonale og lokale – skoleledelse og lærere er nødt til å dra i samme retning. Det blir replikkordskifte. Det er

Nå sier kunnskapsministeren at han skal innføre karakterkravet 4 i faget matte for dem som skal inn på lærerskolen. Det høres flott ut. Men i dette lærerløftet står det noe helt annet. Det står nemlig at det skal søkere som ikke har oppnådd karakteren 4 fra videregående skole – man skal altså kunne komme inn uten 4 fra videregående skole gitt at man tar et obligatorisk forkurs. I valgkampen sa Høyre at man skulle innføre karakteren 4 . Arbeiderpartiet sa at det er greit med karakteren 3 hvis man tar et obligatorisk forkurs. Hvilken politikk er det regjeringen gjennomfører? Høyres eller Arbeiderpartiets? La meg bare først nevne VG-oppslaget om orden i skolen.

Så er regjeringserklæringen veldig klar på at regjeringen ønsker karakterkravet 4 både i norsk, engelsk og matematikk. Men det er her som på alle andre områder av politikken, at dette må avveies. En av utfordringene med et karakterkrav er jo at søkertallet kan gå ned på kort sikt. Nå tror jeg at dette på lang sikt kan være et bidrag til å gjøre lærerutdanningene mer attraktive. Men på kort sikt må det balanseres ut, derfor har vi iverksatt et kompensatorisk tiltak med et forkurs, som gjør at man skal kvalifisere seg til nivået 4. Så vurderer vi ytterligere opptrappinger etter hvert. Først til det med ordensreglene: Vi spurte om hvilke spørsmål statsråden hadde fått om f.eks. dette med å låse døra. Det viste seg at det var null spørsmål som var kommet til departementet, og for å gjøre det klart for statsråden: Null er et fryktelig lite tall. Så til dette med karakterkravet: Er det riktig eller uriktig at man fortsatt kan komme inn på lærerutdanning med karakteren 3, gitt at man tar et obligatorisk forkurs? Man kan si hva man vil på pressekonferanser, men i Stortinget må man snakke sant. Det statsråden sa fra talerstolen, var at man skulle innføre krav om karakteren 4. Det skal man ikke, man skal fortsatt ha karakteren 3, men med et obligatorisk forkurs som ikke gir en ny karakter på videregående, men som selvfølgelig gir kunnskap inn i lærerutdanningen. Det samme gjelder dette med at alle elever skal møte en lærer med fordypning i matte, engelsk og norsk, som statsministeren sa på en pressekonferanse. Ja, det skal de – i 2029. Det betyr at de elevene som starter på skolen i høst, ikke kommer til å får kanskje oppleve det i 10. klasse, når dette blir fullt ut innfaset. Stemmer ikke det også, at dette skal innfases i 2029, og at det da allerede er løst fordi lærerne som utdannes nå, må ha dette fordypningskravet – takket være den rød-grønne regjeringen? Den nye ordningen med karakterkrav i matematikk innebærer – og det står godt beskrevet i Lærerløftet – at man skal ha karakteren og hvis ikke skal man gå gjennom et obligatorisk forkurs som skal kvalifisere til tilsvarende karakteren 4. Jeg forstår at representanten Giske synes det er vanskelig at regjeringen gjør det vi lovet i valgkampen. Etter åtte år med rød-grønt styre lovet vi femårig masterutdanning, og nå har vi lagt frem den konkrete planen for det. styre lovet vi femårig masterutdanning, og nå har vi lagt frem den konkrete planen for det. Da den forrige regjeringen kom med et kompetansekrav for lærerne, sa vi at dette kompetansekravet burde gjelde for alle i skolen. Nå legger vi frem en konkret plan for å få det til. Og ikke bare det: Vi følger det også opp i budsjettene, ikke bare med store ord og valgløfter om milliarder til videreutdanning, som Arbeiderpartiet kom med før valget – vi følger det faktisk opp med konkrete år. I tillegg skal vi gripe fatt i den tidstyvrapporten som kom i 2009. Da hadde de rød-grønne fortsatt tre år igjen å sitte. Den rapporten skal vi nå følge opp og fjerne tidstyver. Kunnskap og kompetanse er mer enn bare studiepoeng. Rundt 10 pst. av alle ungdommer i Norge ønsker å ta et år på For noen blir dette et år der de finner seg selv, der de blir sikre på hva de vil bruke studietiden sin til. For noen blir dette et år der de får tilbake motivasjonen for å gå på skole, slik at de blir klare for videre studier, og slik at de slipper å ende i frafallsstatistikken. For noen blir det et år der de tilegner seg kunnskap og kompetanse som har en verdi i seg selv, men som kanskje også er nødvendig for opptak til videre studier. I fjorårets budsjett fikk Kristelig Folkeparti forhandlet inn oppstartmidler til en ny folkehøyskole i Kristiansand som skal gi et tilbud til unge, enslige mødre. Det er jeg glad for. Mitt spørsmål er om statsråden ser den samfunnsmessige verdien av folkehøyskolene, og om folkehøyskolen er en skoleform som regjeringen fortsatt vil satse på. Jeg ser verdien av folkehøyskoler i aller høyeste grad. Vi gir mye støtte til folkehøyskolene, og det kommer vi fortsatt til å gjøre. Man får for øvrig også tilleggspoeng for å gå på folkehøyskole. Folkehøyskolene fyller 150 år i år, og det er også en fin anledning til å minne om hva de har bidratt med. Men det er nok også sånn at de store løftene som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ser for seg på kunnskapsfeltet, dreier seg om løft i skolen, kvalitetsløft i barnehagen, løft for høyere utdanning, flere verdensledende miljøer og ikke minst mer gjennombruddsforskning der. Så de store pengene skal vi bruke på de prosjektene vi lovet og snakket om før valget. Men folkehøyskoler er også en viktig del av utdanningssystemet.

Det som vi ser etter denne sommeren – og med sommerens lærerstreik – er at det er en tillitskrise mellom lærere og myndigheter. Det er nok noe som har bygd seg opp over lang tid, ikke minst etter innføringa av Kunnskapsløftet, som vi alle står bak. Det lærerne ønsker seg, er mer tid til elevene, tid til å være lærer, og vi hørte også i den debatten som statsråden og jeg deltok i tidligere, at det var ikke noe løft – mente den ungdomsskolelæreren som var med Jeg vet at statsråden og representanter tidligere har henvist til en rapport som skal komme nå før jul. Men jeg lurer på om jeg kunne få lov til å utfordre statsråden på om han kunne ha noen ideer om hva slags type tidstyver han ønsker å fjerne. Jeg tror vi må ta tidstyvproblematikken på en litt annen måte enn vi har gjort frem til nå. En ting er diskusjonen om flere yrkesgrupper innenfor skolen. Jeg mener at regjeringen er godt i gang der, bl.a. med midler til 400 helsesøsterstillinger, som kommer i år. Det er et viktig bidrag inn i den diskusjonen. Noe av utfordringen med Kolle Grøndahlutvalget, som kom med sin rapport i 2009, var at det handlet veldig mye om overordnet skoleledelse, klasseledelse, men det var for lite av en jakt på de konkrete tidstyvene, altså: Hva er det som faktisk tar tid? Da mener jeg at vi skal gå igjennom og vurdere dokumentasjonskrav, og vi skal gå igjennom og se på hva som foregår på den enkelte skole – om det er noen av de statlige ordningene som krever for mye dokumentasjon, uten at det gir nok igjen når det gjelder undervisningskvalitet eller økt sikkerhet for elevene. Også jeg har lyst til å følge litt opp det som representanten jeg har lyst til å følge litt opp det som representanten Tingelstad Wøien var inne på, det med tidsbruken i skolen, for nå har regjeringen lagt fram et lærerløft. Der synes jeg det var veldig mange gode tiltak for å styrke undervisningen, for å styrke skolen, for å styrke statusen til lærerne. Men jeg synes det er litt spesielt – og jeg synes det er litt mangelfullt – når statsråden legger fram et lærerløft

at forrige gang vi så på tidstyvene i skolen, rant det litt ut i sanden, og det kom ikke så mye ut av det. Jeg har lyst til å være konkret og bare spørre statsråden om han er villig til å sette et konkret mål, som f.eks. Venstre har gjort, som har frontet 25 pst. – vi vil kutte 25 pst. i skolebyråkratiet og jobbe ut fra det.

Så vi er nødt til å gå ganske grundig igjennom og se på de statlige tidstyvene, og vi må veie det opp mot andre viktige hensyn, f.eks. elevenes rettssikkerhet og kunnskap om skolen. Så må vi også se på kommunens tidstyver – i hvilken grad er det f.eks. kommuner som pålegger mye mer rapportering enn det de egentlig må, basert på hva de statlige retningslinjene er? Så mener jeg vi også trenger utviklingsprosjekter i skolen for å se på tidstyvene som har opphav i hver enkelt skole. men jeg vil heller ikke binde meg til den nå.

ein lærardytt – ein har berre dytta frå seg ansvaret for å gjennomføre dette, anten det er inn i framtida eller det er over på andre aktørar. Skulle dette verkeleg ha vore eit lærarløft, ville ein ha sørgt for at det var fleire lærarar som kunne drive denne læringa og følgt forslaget til Kristeleg Folkeparti og SV. Men det vil ikkje kunnskapsministeren, for han meiner det ikkje er nokon samanheng mellom fleire lærarar og betre læring. Det er veldig få som kan forstå det som logisk, men det meiner da kunnskapsministeren. kunnskapsministeren. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren er derfor, som kunnskapsminister: Meiner kunnskapsministeren at det er konsensus i forskinga på at fleire lærarar ikkje har Tiden er ute. Jeg tror det er en fordel at jeg får svare selv for hva jeg mener, men nå stilte representanten heldigvis et spørsmål til slutt. Jeg mener ikke at det ikke er noen sammenheng mellom flere lærere og mer læring. Jeg mener er kvaliteten på læreren. Det jeg frykter med normen som SV har holdt på i mange år – nå kom man ikke noe nærmere da man selv satt i regjering, det kom 600 lærerstillinger til slutt, som vi for øvrig har beholdt – er at det vil føre til flere lærere i noen deler av skolen, men færre lærere i andre deler av skolen. Ellers måtte man vurdert å senke kravene, f.eks. for å komme inn på lærerskolen, for å få flere lærere ut i skolen. Det tror jeg også ville vært en veldig dårlig idé og dårlig politikk. Vi gjør akkurat det vi sa vi skulle gjøre under valgkampen. Vi sa vi skulle innføre en femårig masterutdanning, planen kommer nå. Vi sa vi skulle Vi sa vi skulle innføre en femårig masterutdanning, planen kommer nå. Vi sa vi skulle innføre karakterkrav i lærerutdanningen, nå starter vi opptrapping. Vi sa vi skulle innføre tidenes videreutdanningsløft, nå legger vi frem planen, og vi fortsetter å trappe det opp i hvert eneste budsjett, der det var nærmest stillstand i hvert fall i store deler av de foregående budsjettene. Replikkordskiftet er omme. Vi

Konflikter som oppstår andre steder, kan også forplante seg i vår retning. Nordområdene er fortsatt et viktig militærstrategisk område for Russland, og nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Nordområdene preges i dag av sikkerhetspolitisk stabilitet, samtidig som vi ser at klimaendringer kan føre til økt skipsfart, økt skipsfart, økt aktivitet og økt verdiskaping. Dette kan på sikt gi interessekonflikter. Norge tar avstand fra den maktbruken Russland demonstrerer. Vi står i lag med og støtter våre allierte. Samtidig er det av betydning for Norge å videreføre samarbeidet med Kystvakten, fiskerioppsyn, redningstjeneste og grensekommissæren samt tillitsbyggingen med folk-til-folk-samarbeidet i nordområdene. Det ligger til Forsvaret å sikre vår nasjonale selvstendighet og politiske handlefrihet. Sikkerhet og styrket beredskap er viktige satsingsområder for regjeringen. Dette har bidratt til konkrete tiltak for forsvarssektoren: Jegerkommandoen på permanent beredskap, flere seilingsdøgn til Kystvakten, økt øving og trening for Hæren og flere av HVs innsatsstyrker. Det er også gitt klarsignal for bygging av ny infrastruktur til F-35, våre nye kampfly. I tillegg skal forsvarssektoren fortsette med å gjennomføre tiltak for å styrke evnen til å støtte politiet og andre sivile styresmakter. Det er etablert et felles kontraterrorsenter mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten, som allerede har levert godt. Jeg tenker da på den økte beredskapen og tydelige handlekraften som ble gjennomført i sommer på bakgrunn av Internasjonalt har norske styrker sammen med Danmark og andre partnere bidratt til å fjerne og destruere Syrias lagre av kjemiske våpen. I Irak støtter Forsvaret med lufttransportkapasitet til den humanitære krisen og bidrar med fem stabsoffiserer til de hovedkvarterene som skal planlegge og lede den internasjonale militære innsatsen mot ISIL. Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Denne nye situasjonen har også konsekvenser for vår forsvarsplanlegging. Forsvarsministeren har derfor bedt forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene. Jeg vil berømme forsvarsministeren for å ta disse grepene nå, slik at vi har mulighet til å justere våre kapasiteter og vår operative evne i takt med de sikkerhetspolitiske utfordringene rundt oss. Forsvaret leverer høy kvalitet ute og hjemme. De har moderne plattformer og dyktige ansatte. For at Forsvaret skal være et relevant instrument for nasjonal krisehåndtering, må større deler av strukturen kunne stilles tilgjengelig på kortere tid enn hva som er tilfellet i dag. NATO har nylig oppdatert sine beredskapsplaner for forsterkning av Norge og norske havområder. Dette vil stille forventninger og krav til Norges bidrag. Beredskap og innretningen av Forsvaret må utformes slik at dette på en effektiv måte inngår i de allierte planene. Samtidig må regjeringen fortsette de initiativ som er igangsatt for å øke Forsvarets operative evne. Krig, terror og naturkatastrofer truer utviklingen i flere land. I vår globaliserte verden er det feil å tro at kriser og konflikter langt unna ikke berører oss. Det er viktig at vi nå videreutvikler vår operative evne samt sikrer kampflyfinansieringen. Det er gjennom internasjonalt samarbeid vi kan sikre fred og trygge grenser – viktige forutsetninger for vekst og velferd. Utviklingen vi ser rundt oss, bekrefter NATOs betydning som verdifellesskap og sikkerhetspolitisk ankerfeste. Det er

Transportsektoren er løsningen og svaret på begge disse utfordringene. Vi er nødt til å prioritere kollektivtransport og jernbane i byområdene, slik kan vi nå våre mål. Som ombudskvinne spør jeg meg stadig: Hva virker godt som det er, hva virker ikke fullt så godt, og hva virker ikke i det hele tatt? Etterpå spør jeg meg: Hvilken oppskrift vil virke for å nå de

Et eksempel på hva som virker, og som vi ikke bør gjøre noe med, er Flytoget. Det er en stor suksess – passasjerene er fornøyd, og pengene triller inn til fellesskapet, som igjen kan brukes på mer tog og på mer kollektivtrafikk. Regjeringen vil selge ut av landet en av våre største suksesser – det er Arbeiderpartiet imot – der private aktører skal få putte våre penger i sine Noe som ikke virker fullt så godt, er jernbanen. Toget står ofte, og det er trangt om plassen. Det er ikke fordi jernbanesektoren og de ansatte der ikke vil, men fordi de ikke kan. Mye ble gjort under den rød-grønne regjeringen, men fremdeles er det sånn at de kjører på gammel infrastruktur med signalanlegg som er flere tiår gammelt, som er sårbart og i perioder ikke virker i det hel tatt, og som NSB og Jernbaneverket blir offer for. Jernbanesektoren trenger penger på bordet. De trenger penger til vedlikehold, de trenger nytt materiell og ny infrastruktur. Regjeringen sier de vil omorganisere på vei og på bane, det er vi i Arbeiderpartiet åpne for. Vi skal være med på å samordne og omorganisere hvis det fører til mer jernbane og mer vei. Men vi vil ikke gjøre det for

Men hvis regjeringens oppskrift er at det skal bli billigere med enkeltpasseringer i bomstasjonene, men at prosjektene skal bli dyrere totalt, med oppimot kanskje 1 milliard kr, som vi har sett at regjeringen nå legger opp til i et par av prosjektene som har kommet til Stortinget, er vi imot, for det blir dyrere for folk flest og for samfunnet. En av oppskriftene til regjeringen som vi er overbevist om ikke vil virke, er å konkurranseutsette og privatisere jernbanen. ingenting som tilsier at det vil bli mer jernbane ut av det. Jernbanen er et integrert og helhetlig system med mange stordriftsfordeler. Erfaringer fra Europa viser at Sveits og Frankrike, som er de beste på jernbane, har satset på å beholde en integrert og offentlig jernbanedrift, mens konkurransen i Sverige og Storbritannia har fått store konsekvenser både dårligere togtilbud, dårligere sikkerhet og dårlige arbeidsvilkår for arbeidsfolkene. Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår, det er dyrt å bygge, men samfunnet får mye igjen for det: Vi får effektiv transport, vi får mindre klimagassutslipp og forurensning, og vi får tryggere veier.

og møtet med offentleg sektor blir dessverre ikkje alltid den opplevinga som det burde ha vore. Vi har eit ansvar som politikarar for å sørgje for at draumane til innbyggjarane i norske kommunar kan bli verkelegheit. Eg er stolt av at vi har ei regjering som byggjer politikken sin på fridom og tillit til innbyggjarane, der ikkje lenger skal vere eit ord som er synonymt med «frustrasjon». Eit betre samfunn veks ut av skapartrong og verkelyst. Det skal vi leggje til rette for. Vi i Høgre har sett oss eit mål om at det skal bli lett å lykkast i Noreg. Vi skal forenkle Noreg til det beste for folk flest, og er starta. Regjeringa løyser oppgåva bl.a. gjennom å digitalisere fleire offentlege tenester og gjere dei meir tilgjengelege. Dei opphevar kravet om originalvedlegg til reise- og utleggsrekningar. Dei forenklar arbeidsgjevar si rapportering av tilsettingsforhold og inntektsopplysningar, slik at dei berre skal rapportere éin plass. tre gode eksempel på ordningar som alle vil bidra til auka effektivisering og betre oppgåveløysing. Det vil gjere kvardagen enklare. Tiltak som desse er i tillegg anslått å gje betydelege innsparingar – på over 1,8 mrd. kr i året for næringsliv og kommunar. I tillegg Ein enklare kvardag for innbyggjarane betyr mykje, òg for skaparkraft og konkurransekraft, og det bidreg til å skape trygge arbeidsplassar. Eit anna satsingsområde for regjeringa som eg gler meg over å kunne trekkje fram, er IKT. Vi i Høgre er teknologi- og framtidsoptimistar, og vi trur på menneske og deira evne til å finne nye løysingar på dei utfordringane som vi står overfor, anten det gjeld miljø, klima, samferdsel eller helse. Regjeringa har sett seg klare politiske IT-mål. Offentleg sektor skal bli meir tilgjengeleg og meir digital. Elektronisk kommunikasjon skal sjåast på i ein større samanheng, og regjeringa er komen godt i gang med eit vesentleg og viktig arbeid i ein større samanheng, og regjeringa er komen godt i gang med eit vesentleg og viktig arbeid med en nasjonal ekomplan, som sikrar at alle gode krefter – offentlege, private, ulike departement og ansvarshavarar – blir tekne i bruk for utbygging av breiband. Sluttbrukaren skal stå i fokus, og ein skal leggje til rette for eit samfunn utan digitale klasseskilje, der teknologi kan bidra
Neste taler er representanten

ikke vanlige folk, slik venstresiden advarte mot, men de som har fått det tøffere med Fremskrittspartiet, er en gruppe som har blitt tatt på med silkehansker altfor lenge: de kriminelle. Gjennomgangen av justisfeltet etter 22. juli viste dessverre at justispolitikken ikke hadde vært en prioritert oppgave for de rød-grønne. Da Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tok over regjeringslokalene i oktober i fjor, arbeidet bare 5 000 av 11 500 politibetjenter med politioppgaver. Norge utnyttet politiressursene dårligst i hele Norden. Bare 13 av 354 tjenestesteder hadde døgnåpent hele uken, og det var færrest politifolk på jobb når behovet er størst. Jeg er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet umiddelbart tok grep. Justisministeren satte raskt i gang arbeidet med en politireform som vil føre til mer politi i gatene, og jeg er trygg på at problemene 22. juli-rapportene påpekte, vil løses på en smidig måte. Den prekære situasjonen Politi-Norge befant seg i høsten 2013, gjorde også strakstiltak nødvendig. 350 ferske politistillinger har kommet på plass. I tillegg er det frigjort ca. 100 politibetjenter gjennom å overlate oppgaver til sivile og andre etater. Det enkle grepet med å overlate fangetransport til kriminalomsorgen i fire politidistrikter har alene frigjort 40 politibetjenter.

Overgrep medfører ofte traumer som gjør at det kan gå flere tiår før et offer klarer å samle tankene nok til å gå til anmeldelse. At saken tidligere ble henlagt som foreldet, var et nytt overgrep mot offeret, men denne gangen fra statens side. Dette er grov urett som Fremskrittspartiet har kjempet for å fjerne i over ti år, og nå har Stortinget endelig gjort det. Blant annet med god hjelp fra et Kristelig Folkeparti med hjerterom for de svakeste var dette en viktig seier for en ny politikk som tar ofrene på alvor. Det er sjelden vi har en regjering som ignorerer Stortingets klare vedtak, men de rød-grønne ignorerte straffeloven i åtte år. Jeg er glad justisministeren ikke lar seg styre av embetsverket, som ønsket ytterligere utsettelse. Det er skåret igjennom, og ny straffelov vil tre i kraft om drøyt et år. Det er nemlig av stor viktighet at vi får på plass straffeskjerpelsene i den nye loven. Eksempelvis økes strafferammen for vold i nære relasjoner fra 6 til 15 år. Venstresiden må gjerne snakke om viktigheten av å bekjempe vold i nære relasjoner i festtaler. Fremskrittspartiet snakker ikke – vi leverer resultater gjennom en streng og rettferdig straff. Dessverre er det ikke bare politiet den rød-grønne regjeringen valgte ikke å prioritere. Ved regjeringsskiftet var fengslene overfylt, med 98 pst. dekning og 1 200 personer i soningskø. At kriminelle som skal være i fengsel, slippes ut på gaten, er totalt uakseptabelt. Vi tok derfor tak i dette umiddelbart, og gjennom tre hektiske budsjettuker i fjor klarte regjeringspartiene, med våre støttepartier, å frigjøre 88 nye fengselsplasser. Vi må heller ikke glemme at vi også på kort sikt har akutte problemer i tillegg til at vi skal bygge flere fengselsplasser. Derfor er jeg glad for at vi også har en justisminister som har sørget for å bedre ordningene for soningsoverføring, slik at kriminelle utlendinger kan sone i sitt eget hjemland. I tillegg er det nå inngått en dialog med nederlandske myndigheter om leie av fengselskapasitet fram til ett eller flere fengsel er på plass i Norge. Vi skal bygge men dette tar selvfølgelig noe tid. Jeg ser dog veldig fram til den stortingsmeldingen som Stortinget får nå i høst, hvor man skal trekke opp linjene for kapasiteten i kriminalomsorgen i årene framover. Det er ikke mulig å rydde opp i alle problemene og det massive etterslepet i justissektoren over natten. Jeg kan likevel med sikkerhet understreke at vi nå endelig har fått en regjering som tar justisfeltet generelt og ofrene Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har allerede tatt en rekke viktige skritt som på sikt vil sørge for at politiet vil ta tryggheten tilbake i gatene. «Norske elever skal lære mer», sa Kongen da han leste opp trontalen. Det er

Det er også en viss uro ute i skolene over at fagene eier alle timene, og at den tiden man før hadde til å drive en generell opplæring – demokratiopplæring – er borte. Jeg håper derfor vi framover kan få en debatt om hvordan vi kan sikre at de gode verdiene som våre elever har med seg fra skolen i dag, ikke skal forsvinne i all fokuseringen på basisfagene. Regjeringen har også nylig lagt Nå skal lærerutdanningen gjøres om til en femårig utdanning. Dette er noe Venstre har kjempet for lenge, og vi er glade for at dette blir en realitet. Jeg tror at når vi har et system som deler utdanningene inn i bachelorutdanning og masterutdanning, er det både nødvendig og bra at lærerutdanningen løftes opp til masternivå. Jeg er også overbevist om at det vil ha betydning for statusen utdanningen og Sammen med Venstre har også denne regjeringen satset på videre- og etterutdanning for lærere – et veldig viktig tiltak. Det har lenge vært stor mangel på sånne plasser, og det kan ikke være sånn at det er tilfeldig om man får videre- og etterutdanning. Man kan ikke ha et system der lærere føler at de vinner i Lotto hvis de får lov til å være med på videre- og etterutdanning. Vi må ha et system som sørger for at alle får det

I tillegg vil vi at det skal ansettes flere nye helsesøstre og merkantilt personale, slik at læreren får mer tid til fag og undervisning. Regjeringen har heller ikke lagt fram noen plan for å beholde de lærerne vi har i skolen i dag, og å rekruttere nye. Vi vil trenge omtrent 11 000 nye lærere fram mot 2020. 2020. Venstre ønsker derfor at det lages en plan for rekruttering av flere lærere fra andre yrker, og at det innføres flere seniortiltak for å beholde de lærerne vi har, så lenge som mulig. Regjeringen har også varslet store gjennomganger innen forskning og høyere utdanning. Det ble tidligere i høst noen uroligheter knyttet til strukturendringene i Nord-Norge. I alle fall vi i Venstre ble kontaktet av flere som var bekymret for at vi ikke lenger skulle ha høyskoler i dette landet. I Venstre er vi selvfølgelig opptatt av at det skal være god kvalitet både i forskningen de ulike institusjonene driver med, og i undervisningen som gis. Vi ser derfor fram til debatten som skal komme, for det vil alltid være nødvendig å se på om de pengene vi bruker, brukes rett, og om vi får god kvalitet ut av pengene. pengene. Det er dette som er det viktigste for oss i Venstre. Det er ikke nødvendigvis et mål at alle høyskoler enten skal bli et universitet eller slå seg sammen med et universitet. Det må være bra om vi har noen kjempegode høyskoler i dette landet som leverer utmerket undervisningskvalitet til studentene sine. Som Rogalandrepresentant er jeg selvfølgelig opptatt av de finansielle forholdene til de såkalte nye universitetene.

Vi har derfor en forventning om at satsingen på høyere utdanning og forskning skal vises igjen i budsjettet som legges fram denne uken. Ikke minst håper jeg at de nye universitetene er ivaretatt, slik at vi kan fortsette den gode trenden fra i fjor. Tidligere i høst ble den såkalte SHoT-undersøkelsen offentliggjort. den såkalte SHoT-undersøkelsen offentliggjort. Den gir oss noen viktige indikasjoner på hvordan det står til med studentenes helse og trivsel. Selv om det er mye bra på den fronten, er det en del ting man bør være bekymret for. Blant annet viser undersøkelsen at hver femte student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Dette er dobbelt så mye som i befolkningen for øvrig. Det er verdt å merke seg at kvinner Tendensene har vi sett tidligere også på andre områder. Vi har forventninger til og er spente på det som ligger av tiltak i budsjettet som kommer på onsdag. Trontalen er

På likestillingsområdet er det kanskje ikke så rart, med en likestillingsminister som mener at likestillingen har kommet for langt, og med en regjering som hver dag jobber for å reversere dagens likestillingspolitikk. I ett år har vi hørt om valgfrihet, armlengdes avstand og nytenking i kulturpolitikken. Hittil har vi sett at de faktiske løsningene som knytter seg til disse ordene, dreier seg om budsjettkutt. Valgfrihet dreier seg om det er krimbøker eller barnebøker som skal ta kuttene. Det er en krevende situasjon for pressen, der bortfall av annonse- og abonnementsinntekter skal løses med mindre pressestøtte og høyere moms. Det er sikkert det komitéleder Harberg mener når han sier at en må realitetsorientere. I går ble endringer av tippenøkkelen presentert som en nyhet. Men dette er endringer som faktisk fikk tilslutning i Stortinget for noen år siden, da stortingsmeldingen om den norske idrettsmodellen ble behandlet. Det er altså ingen ny idé. Den er fortsatt god, under forutsetning av at målet om 1 pst. av statsbudsjettet fortsatt skal brukes til kultur. Hvis ikke har en god idé fått en dårlig løsning. Heller ikke trontalen ga noen svar her, og vi har heller ikke hørt noe om 1 pst.-løsningen i de innleggene som har vært presentert fra regjeringspartiene. Etter at OL-søknaden ble parkert på Høyres gruppemøte, har partiene kappes om å være idrettens beste venn. Idretten er Norges største organisasjon, idretten engasjerer folk på tvers av generasjoner og kulturer, og den inkluderer. Du kan være utøver, organisator, trener, frivillig eller publikum – engasjementet bestemmer du selv. Du tilbys et fellesskap bygd på fair play-regler, spenning og moro, og du stimuleres til egen aktivitet. Mulighetene har vi tilrettelagt for i fellesskap. Gjennom kloke beslutninger har vi lokalt og sentralt bidratt til å kunne tilrettelegge for organisert aktivitet i by og bygd. Det politiske engasjementet for norsk idrett, bredde som topp, er stort. Idretten omtales som limet i lokalsamfunnet, og er bidragsyter til bedre folkehelse og til inkludering og mangfold. «For meg er ikke utfordringen å rekruttere jenter med minoritetsbakgrunn, men utfordringen er heller hvor jeg skal trene disse jentene.» – Sitatet er hentet fra en rapport kulturministeren fikk i april i år. Den forteller alt om hva økt aktivitet faktisk dreier seg om, nemlig anlegg for trening, konkurranser og egenorganisert fysisk aktivitet. Nettopp å støtte opp under anleggsutviklingen er og blir det beste og viktigste idrettspolitiske virkemidlet vi kan bidra med. OL-saken bidro som kjent til å avdekke et stort behov for anlegg i Oslo spesielt, men faktisk også i hele landet. Forventningene til et idrettsløft er mange og store. At verken kultur eller idrett fikk sin velfortjente plass i regjeringens trontale, regner jeg med betyr at det tar desto mer plass i statsbudsjettforslaget som presenteres senere denne uken, og da ikke bare som resirkulerte forslag som allerede er vedtatt tidligere. For idrettens del kan med fordel forenkle og spare arbeid ved å opprettholde og stramme inn enerettsmodellen i stedet for å utrede hvordan kommersielle spillselskaper skal kunne spise av anleggslasset. Verken idretten eller samfunnet trenger det. Liberalisering er ikke til for idretten, ikke for kampen mot spilleproblemer og ikke for å forenkle eller redusere byråkratiet. Når vi skal bygge framtidens Norge, må det også gjelde kulturfeltet. Derfor må vi satse på kultur gjennom Kulturløftet. Arbeiderpartiet vil gjøre noe med etterslepet på idrettsanleggene, og vi vil foreslå nullmoms på papir og digitale medier. På den måten bygger vi landet videre.

den andre siden og staten på denne siden – for å si det sånn. Vi har hatt noen «prøvesteiner» som denne regjeringen allerede har løst på første forsøk. Vi klarte rimelig enkelt å lande avtalen om inkluderende arbeidsliv mellom partene i arbeidslivet. Der fikk vi til et tillitsfullt og godt samarbeid. Så har det også vært et rimelig greit lønnsoppgjør med moderat lønnsvekst. I sum har det vært relativt støyfritt rundt lønnsoppgjørene. Når det er sagt, har regjeringen klare ambisjoner om et modernisert arbeidsliv som er i takt med framtiden. Derfor har regjeringen nå en rekke forslag på høring som skal til Stortinget så snart som mulig, for å endre arbeidsmiljøloven. Det gjelder bl.a. å ta makten vekk fra den ene av partene i arbeidslivet når det gjelder godkjenning av alternative turnusordninger. I en nær sammenheng med partene i arbeidslivet skal det være en balanse. Når det gjelder å legge ned veto mot turnusordninger som er lokalt godkjent av lokalt ansatte, arbeidsgivere og fagforeninger, opplever veldig mange i dag, enten det er på Ladegården i Bergen, om det er på sykehjem i Trondheim eller sykehus rundt omkring eller på Vea eller Tananger sykehjem, en økende motstand fra fagbevegelsen. Det har regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet, sagt at vi ønsker å fjerne og la Arbeidstilsynet ta den endelige avgjørelsen dersom det er uenighet lokalt. For det som er greit for Sykepleierforbundet i nær sagt alle saker, ok for noen i fagforbundet i noen saker, og de har ulike argumenter. Det rydder regjeringen opp i. Vi har en helt annen bruk av gjennomsnittsberegningen av overtid uten å øke den totale bruken av overtid. I dag er det sånn at man kan jobbe 200 timer overtid hvis man ikke er med i en fagforening, 300 timer overtid hvis man er med i en fagforening og 400 timer hvis Arbeidstilsynet sier ja – i løpet av et år. De forslagene regjeringen har, rører verken ved de 200, 300 eller 400 timene, men det regjeringen har foreslått, er at i noen perioder i løpet av den ansattes liv og på en arbeidsplass må det gå an å gjennomsnittsberegne, slik at i noen måneder arbeider man mye og tilsvarende mindre andre Vi vil også ha en oppmyking av reglene for søndagsarbeid. De aller fleste ønsker ikke å jobbe på søndager – det er gjerne studenter som gjør det. Sykepleiestudenter og hjelpepleierstudenter, som ellers går i praksis på ukedagene, har med dagens arbeidsmiljølov ikke mulighet til å jobbe mer enn annenhver helg. Det er litt ironisk, for de kan jobbe mer enn annenhver helg, men de kan ikke gjøre det for samme arbeidsgiver.

gleder meg til å få diskutere mer konkret her i stortingssalen. Alternativet fra vår regjering er at om man blir arbeidsledig i dag, kan man få dagpenger i 52 til 104 uker. Det er i praksis en midlertidig ansettelse i to år, det. Alternativt, hvis ikke det går bra, kan man få arbeidsavklaringspenger i inntil 4 år, som også i praksis er midlertidig ansettelse. Så for oss er hele poenget at vi vil ha midlertidig ansettelse i det ordinære arbeidslivet, noe som øker sjansen for at man får en ordinær jobb. Det, sammen med en omfattende satsing både på Arbeidstilsynet og på strafferammer for å få bukt med den økende arbeidslivskriminaliteten, gjør at vi har en regjering og et stortingsflertall som jeg tror klarer å ordne opp i framtidens arbeidsliv på en god måte her i

at menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til global oppvarming, og at klimaendringene vi har sett de siste tiårene, har hatt virkninger på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. I dag står vi dessverre langt unna å kunne klare å redusere oppvarmingen til to grader hvis alvoret ikke synker inn. Det mest pessimistiske scenariet er at vi kan ligge an til å få en verden som er nesten fem grader varmere enn den var i førindustriell tid. Det kan ikke skje! skje! Det er ikke rart at FN stresser og sier at det haster med tiltak. I trontalen sier regjeringen at vi må omstille oss. Det er fint. Men talen er verken spesielt ambisiøs eller konkret. I fjor bar trontaledebatten preg av at vi hadde en helt ny regjering, og uansett hva man tok opp, fikk man stort sett til svar at regjeringen må få muligheten til å levere før vi kan begynne å stille de krevende spørsmålene. Nå har de hatt mulighet til å stake ut kursen og levere i et helt år. år. Jeg kan ikke se at regjeringen tar klimaproblemet fullt på alvor. De snakker om et nytt og forsterket klimaforlik, men når vi etterspør det, blir det tyst. De snakker veldig mye om en grønn skattekommisjon – og grønne skattekommisjoner er sikkert interessant og fint, men vi har faktisk ikke tid til å redusere klimapolitikken til utvalg, kommisjoner og utredninger. Vi har ikke tid til bare å omtale problemet, det haster med å få på plass tiltak. Og det bekymrer meg stort at det kan virke som om regjeringen har gitt opp at vi skal nå klimamålene våre fordi det er krevende. Ja, det er krevende, men vi har muligheten til å nå dem. Det kan vi gjøre gjennom kloke vedtak om budsjett og andre saker vi behandler året rundt. Og det verste av alt er at vi vet hva som skal til. Miljødirektoratet har til og med laget en liste over hvor vi kan sette inn tiltak for å nå vårt eget mål for 2020. Det er handling som trengs. Jeg mener vi trenger et forsterket klimaforlik der vi legger vekt på teknologiutvikling, mer bruk av fornybar energi og en omlegging av transportsystemet og -sektoren og bypolitikken, og der vi også bidrar internasjonalt og er med på å ta regningen for klimatiltak utenfor egne landegrenser. Vi trenger et skikkelig løft for storbyene våre fordi de vokser. Det påvirker hvordan vi må bygge, hvordan vi må bo, og Veksten i persontrafikken i storbyområdene kan ikke tas med bil. Veksten må tas med kollektivtransport, med jernbane, sykkel og gange. Skal vi få til det, må vi også innføre rene tiltak for å redusere bilbruken, sånn som rushtidsavgift. Det vil kreve politisk mot. Det kreves åpenbart også litt å føre en framtidsrettet politikk for jernbanen. Jeg har merket meg at noen mener at framtidens løsning for jernbanenettet er å åpne for konkurranseutsetting av flere strekninger. Land som Sverige og Storbritannia har smertelig erfart at det ikke nødvendigvis er det smarteste man kan gjøre. Vi må fortsette å legge avgiftssystemet for bil i en klimavennlig retning. Omleggingen som startet i 2006, har så langt gitt en reduksjon i utslipp fra nye biler på rundt 30 pst. Det er ganske bra. I dag sier Transportøkonomisk institutt at elbilsatsingen har vært klok. Vi har fått mye klima for det arbeidet vi har gjort. Jeg mener derfor at avgiftssystemet blir viktig for å sikre klimavennlige løsninger. Utvikling av klimateknologi må også være en sentral del av framtidens løsning. Jeg liker dårlig de signalene som nå er kommet, om at ambisjonene fra regjeringserklæringen om CO2-fangst og -lagring muligens ikke er til stede likevel. Jeg tror det er umulig å innføre klimaambisjonene vi har, om vi ikke får på plass Jeg mener at vi i samarbeid med industrien må jobbe for å sikre etablering av fullskala fangst og lagring fra utslipp i Norge. I samarbeid med industrien kan vi forsterke muligheten for å satse på miljøteknologi, energiomlegging og klimavennlig industrivekst. Helt til slutt: Norge må fortsette å ta ansvar globalt, gjennom skogsatsingen og ved å bidra med finansiering av klimatiltak og utvikling av bl.a. fornybar energi i andre land. Jeg håper derfor at regjeringen starter i en litt annen ende enn de gjorde i fjor når det kommer til statsbudsjettet, hvor det første de ga til Stortinget, var et forslag til kutt på nettopp disse områdene. Jeg håper vi slipper den runddansen i år.

Vi senker skattene og avgiftene for vanlige folk og norske bedriftseiere i dag for å styrke konkurransekraften og skape trygge arbeidsplasser i framtiden. Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi det betyr mye for å løfte elevenes læring i framtiden. Vi fornyer og forbedrer politi og beredskap i dag for at vi i framtiden skal ha trygghet

Jeg hørte i dag at justiskomiteens leder Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet sa at de flere ganger har invitert til tverrpolitisk debatt om politireform, men at de ikke har fått respons. Er det virkelig slik at når regjeringen inviterer til bredt samarbeid, sier Arbeiderpartiet nei og mener at det riktige er å møte på debatter som Arbeiderpartiet inviterer til? Da spør jeg meg: Er problemet for Arbeiderpartiet at det er feil adressant på den som har leveringsansvaret for denne viktige reformen? Vi behøver et politi i framtiden som klarer å være robust nok til å møte morgendagens kriminalitetsbilde. Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen påviste alvorlige mangler hos politiet. Norge har i dag ikke et enhetlig politi. Det er for store variasjoner i den Analysen konkluderer med at politiet verken er godt nok organisert eller rustet for å møte det kriminalitetsbildet vi står overfor. I regjeringsplattformen er det også fastslått at vi må omstrukturere politiet for å skape en handlekraftig organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. For Høyre i regjering er det en målsetting med det nye nærpolitiet at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. Høyre er innforstått med at dette vil kreve økt grunnbemanning i politiet. Også her har regjeringen vist sin vilje til å prioritere politi. Det er lovet 165 mill. kr til 350 nye politistillinger i neste års statsbudsjett.

Hadde det vært vilje til å prioritere dette arbeidet, ville vi i dag kunne sett at spaden allerede var satt i jorda. I dagens nyhetsbilde hører vi også at det kom som et sjokk på kriminalomsorgen at andelen utenlandske innsatte i norske fengsler var så stor – én av tre innsatte har ikke tilhørighet til Norge og skal heller ikke integreres i det norske samfunn etter endt soning. Da er det en Da er det en viktig og riktig jobb regjeringen har startet når den nå har innledet samtaler med Nederland for midlertidig kjøp av fengselsplasser der, fram til vi har fått bygd ut egen kapasitet. Handlekraft vises også ved at justisministeren har varslet at straffeloven av 2005 skal ikraftsettes i løpet av neste år – de rød-grønne så dette for

og der de får utvikle seg som hele mennesker, er av avgjørende betydning for framtiden vår. Derfor er jeg glad for at regjeringen er tydelig på at den vil prioritere skolen, og at den viser vilje til å satse på utdanning av barn og unge. I forrige uke ble Lærerløftet lansert, og vi vet at Stortinget i tiden framover skal behandle spennende og viktige saker som bl.a. omhandler kvalitet og struktur i høyere utdanning.

Da ga lærerne noen tydelige signaler som det er vel verd å lytte til. Da lederen av Utdanningsforbundet skulle forklare hvorfor lærerne gikk til streik, var hun tydelig på at dette handlet om mer enn bare arbeidstid. Det handlet om en langvarig frustrasjon blant lærerne. Det handlet om at lærerne må få muligheten til å utøve yrket sitt på en god måte, og det handlet om at lærerne må få tid nok til hver enkelt elev. I dag er det mange lærere som opplever at de ikke får tid nok til hver enkelt elev. I en undersøkelse som ble gjennomført før sommeren, svarte tre av fire lærere at de ikke har tid nok til å følge opp elevene på en god nok måte. Det er kanskje ikke så rart, for i tillegg til at lærerne har blitt tillagt stadig flere oppgaver de siste årene, så rart, for i tillegg til at lærerne har blitt tillagt stadig flere oppgaver de siste årene, har klassestørrelsene samtidig vokst. Det betyr at hver lærer har fått ansvar for flere elever, og da sier det seg selv at det blir mindre tid til hver elev og mindre tid til å tilpasse opplæringen. Det er liten tvil om at denne utviklingen får konsekvenser for elevene. Samtidig som klassene har blitt større, har Flere barn enn tidligere faller av lasset allerede i løpet av de første skoleårene, og vi må bruke enorme ressurser på å tette kunnskapshull senere i skoleløpet. Dette er ikke lærernes skyld. Det handler ikke om mangel på evner eller kompetanse blant lærerne, og det løses ikke ene og alene gjennom å sette lærerne på skolebenken igjen. Det handler om ressurstildeling i skolen, det handler om hvilke rammer som legges for lærernes yrkesutøvelse. Lærerne sa tydelig fra om dette i sommer, og jeg håper at en regjering som sier at den har tillit til lærerne som fagpersoner, også vil ta disse signalene på alvor. Folkeparti har fremmet et forslag som vil gi lærerne mer tid til hver elev, et konkret tiltak for tidlig innsats i skolen der vi setter inn mer av de gode lærerressursene tidlig i skoleløpet. På den måten får hver enkelt lærer ansvar for færre elever. På den måten blir det lettere å tilpasse undervisningen, og på den måten kan vi tette kunnskapshullene idet de oppstår i stedet for å bruke stadig mer ressurser på spesialundervisning senere i skoleløpet. På den måten kan vi få det beste ut av lærerne våre, og på den måten kan vi legge til rette for at lærerne kan klare å løfte elevene. Det er vel og bra med et lærerløft, og det er selvsagt viktig å satse på kompetanse hos lærerne, men det aller viktigste

– vær så god.

Norge har en godt desentralisert utdanningsstruktur, med over 50 faste studiesteder. Det har gjentatte ganger blitt diskutert om vi har en for desentralisert utdanningsstruktur på høgskolenivå. Etter Senterpartiets mening har nettopp den desentrale modellen ført til at vi har klart å heve kompetansenivået over hele landet og nå er et land i verden som andre ser til som et forbilde for livslang læring. Den nære og desentrale muligheten for høgere utdanning har bidratt til lokal og regional næringsutvikling. Regjeringa har varslet en stortingsmelding om struktur i høgere utdanning. Gjennom media har vi blitt kjent med at det har vært litt usikkerhet om strukturen i Nord-Norge skal diskuteres som en del av den helhetlige debatten om strukturen i resten av landet. Det er viktig med bred kunnskap og demokratisk behandling når store og viktige strukturendringer skal vedtas. Kunnskapsministeren har skapt usikkerhet om regjeringa vil omgå Stortinget og hastesammenslå høgskolene og – eventuelt – universitetene i nord før stortingsmeldinga legges fram. Jeg hadde håpet at statsråden hadde avklart regjeringas standpunkt når det gjelder dette, i dag. Statsråden har tidligere uttalt at strukturprosessen ikke skal starte med å tegne kartet, men med en vurdering av hvilke kvalitetskrav alle studietilbudene må leve opp til. Det høres tilforlatelig og bra ut, men det er veldig viktig for Senterpartiet at kvalitetskravene ikke utformes på en sånn måte at de diskvalifiserer institusjoner på forhånd. Det vil i realiteten være en fordekt måte å tegne et nytt kart på – før en diskuterer kvalitet og finansiering. Debatten om struktur og kvalitet blir veldig viktig for Stortinget denne vinteren. For Senterpartiet er det viktig at vi først tar diskusjonen om hvilken rolle de ulike institusjonene skal ha i kunnskapssamfunnet – for arbeidslivet, privat og offentlig, og for utviklingen ellers i de ulike regionene. Hva skal være universitetenes og høgskolenes framtidige samfunnsoppdrag, og hvordan mener vi dette best kan løses? Kunnskapsministeren uttalte i Dagbladet i vinter: «Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme Jeg leser det som at statsråden sier at et fagmiljø ved en liten institusjon er kvalitativt dårligere enn et fagmiljø ved en større institusjon. Før vi definerer hva som er lite og sårbart, må vi definere hva vi mener med kvalitet. Til nå har institusjonene agert som om antall publiseringer og produserte studenter er lik kvalitet. Oppfølging av studenter og best mulig faglig kvalitet hos dem som har ingen egen kvalitetskategori. Er f.eks. Høgskolen i Narvik – en liten høgskole, men stor innen sitt fagområde, teknologi – dårlig? Både næringslivet og øvrig arbeidsliv i regionen er meget godt fornøyd med de kandidatene som høgskolen uteksaminerer. Senterpartiet er bekymret for at strukturprosessen nå er rigget sånn at regjeringa får de svarene de sjøl ønsker, og at i form av størrelse – vil være styrende i retning av sanering av høgskolesystemet. Oppbygging av fagmiljøer ved mindre institusjoner vil da kunne tape ved at tverrfagligheten og fleksibiliteten som i dag gjør det mulig å svare raskt på regionenes behov, vil svekkes. Vi er også bekymret for framtida for profesjonsutdanningene. Jeg skulle gjerne utfordret statsråden på å fortelle hva som er regjeringas høgskole- og universitetspolitikk i framtida.

Senterpartiet ønsker svar på om regjeringa planlegger en stor saneringsreform der institusjoner skal slås sammen under dekke av kvalitetsheving, der det er publiseringspoeng og spissing som defineres som kvalitet. Senterpartiet ønsker også svar på hvordan de nåværende høgskolenes samfunnsoppdrag skal ivaretas framover. Hvem skal ta ansvar for å imøtekomme regionenes behov for grunnskolelærere, sykepleiere i og ingeniører som det lokale arbeidslivet trenger? En ny arbeidsdeling i universitets- og høgskolesektoren kan ikke tegnes uten å se helheten i samfunnsoppdragene til disse institusjonene under ett – for hele landet. «Noen ganger er

det å hjelpe dem som trenger det mest, er et viktig mål for vår regjering. I sitt innlegg i dag sa Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre at det gjenstår mye arbeid på rus og psykisk helse. Ja, det gjør det etter åtte rød-grønne år. Derfor har vi sørget for at rus og psykisk helse blir prioritert. Allerede i vårt første budsjett øremerket vi 255 mill. kr til kjøp av privat kapasitet innen rus, psykisk helse og rehabilitering. I tillegg økte vi antall rusbehandlingsplasser med 200 fra private og ideelle. La meg få dvele litt ved ordet «partnerskap», for Jonas Gahr Støre brukte også det i sitt innlegg, at vi skal løse helseutfordringene framover i gode partnerskap. Forskjellen er at når vi i Høyre og Fremskrittspartiet snakker om å ta alle gode krefter i bruk, så mener vi alle gode krefter – de offentlige kreftene og de private kreftene, om de er ideelle, frivillige, heleide av staten eller eid av private. Det er fordi vi mener at å ta alle gode krefter i bruk øker mangfoldet, øker pasienters valgfrihet og øker aktiviteten. Også i kommunene ser vi resultater: Vi gjeninnførte øremerking av 343 mill. kr til rusarbeid i kommunene, og vi styrker kommuneøkonomien ytterligere med 400 mill. kr innenfor rus, psykisk helse og helsestasjonstjenesten neste år. Det betyr 650 nye fagfolk som kan jobbe direkte i kommunene med dem som trenger hjelp – så raskt og så tidlig som mulig. Vårt sosiale sikkerhetsnett har sviktet mange av dem som trenger storsamfunnets hjelp aller mest, og derfor skal vi fortsatt prioritere rus og psykisk sykdom, tettere oppfølging av barn i barnevernets omsorg og voksne med lese- og Høyre og Fremskrittspartiet holder også løftene om å prioritere dem som rammes av ulike former for kroniske utmattelseslidelser, ME eller fibromyalgi. Regjeringen har varslet en satsing neste år for å møte disse pasientene på en ny måte. De skal få hjelp til avklaring og diagnose på et tidligere tidspunkt. Bare slik kan de komme raskere tilbake til studiet sitt, til arbeidet sitt og til livet sitt. Selv om vår regjering i årets budsjett ga helseregionene den største budsjetterte vekst noensinne, er det allikevel for mange pasienter som venter unødvendig lenge på helt nødvendig behandling. Å vente på diagnose eller behandling gjør oss alle utrygge, redde og i verste fall mye sykere. Det skaper også et utenforskap, fordi sykdom er den største trusselen for å falle ut av arbeidslivet. Vi vil innføre fritt behandlingsvalg for å øke valgfriheten for pasientene og for å bidra til å redusere de unødvendige ventetidene. Vi gir de offentlige sykehusene mulighet til å behandle flere pasienter og stimulerer sykehusene til å bli bedre gjennom sunn konkurranse med godkjente private sykehus. De som først skal få fritt behandlingsvalg, er de som til nå har sittet nederst ved bordet – de rusavhengige og de med psykiske lidelser. For mange av dem er det å fritt kunne velge behandling selv helt avgjørende for om resultatet blir godt. I forrige uke skrev Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen i et leserinnlegg at «det er mer enn nok å rette på og forbedre ved norske sykehus». Ja, det er jeg helt enig med Micaelsen i. Derfor arbeider regjeringen nå med en nasjonal helse- og sykehusplan som gjør at vi kan rigge spesialisthelsetjenesten til å møte framtidens behov. Det handler ikke bare om hvor sykehusene skal ligge, eller om hvilke funksjoner vi skal ha; det handler også om hvorvidt vi utdanner nok helsepersonell, om vi har oversikt over behovet for medisinskteknisk utstyr, og om et IKT-system som fungerer slik at det er mulig for helsepersonell og pasienter å kommunisere. På nær sagt alle områder som berører oss – om vi er pasienter, om vi er pårørende, helsepersonell eller leverandører – har regjeringen varslet viktige reformer og endringer for å rigge helsetjenesten til å møte morgendagens behov. Neste år kommer det en ny folkehelsemelding, en ny legemiddelmelding, en primærhelsetjenestemelding og en lang rekke viktige nye ideer og bedre løsninger for helsetjenestene. Regjeringen vil også lage en opptrappingsplan på rusfeltet og på rehabiliteringsfeltet. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen endrer og forbedrer Helse-Norge, og vi er i ferd med å skape pasientens helsetjeneste, hvor pasienten og ikke systemet skal stå i fokus. Og derfor sier jeg: Noen ganger er det helt ålreit! Da er vi kommet til taler nr. 50, representanten Knut Storberget, som også er 50 år i dag! Gratulerer med dagen! Takk, president, det var veldig koselig! Man vil jo trenge all den støtte man kan få når man er kommet opp i en såpass moden men det gir også grunnlag for noen refleksjoner i en så overordnet debatt som dette. Min partileder, parlamentarisk leder Jonas Gahr Støre, sa i dag tidlig at mye av de politiske utfordringene vi står foran nå, handler om å bygge landet. Når yngre generasjoner hører dette begrepet, får de kanskje en litt undrende følelse av «hva er nå det?». Men mange av de politiske utfordringene vi står overfor, handler faktisk om å bygge landet, men også om å bygge grunnlaget for den sameksistensen som vi skal ha på hele kloden, det å sørge for at vi nå kan få bidra til en vekst både i Norge og globalt, som faktisk er grønn, og som er bærekraftig, og det gir meg kimen til å peke på noen av de behovene som jeg mener vi står overfor i de årene som kommer, særlig tatt i betraktning de utfordringene vi har i våre primære næringer: jord og skog. Det er avgjørende at vi klarer å identifisere behovene i løpet av de debattene vi skal ha i dette huset, men det er også viktig at vi kan samle oss om gode politiske løsninger. I så måte likte jeg godt det jeg hørte parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, si tidligere i dag om dette. jordbruket, står vi framfor to store utfordringer nasjonalt: For det første at mer mat må produseres her – av volumhensyn, men også av hensyn til matkvalitet. Vi er i en situasjon hvor altså under 40 pst. av det vi livnærer oss på, produserer vi sjøl. Vi har behov for å øke denne produksjonen, og den rød-grønne regjeringa sa sa i sin regjeringsperiode at det ville være viktig å øke dette med 20 pst. innen 2020, for i hvert fall å holde tritt med befolkningsutviklingen. Det er en betydelig import av kornvarer, av soya og av andre viktige bestanddeler som vi bruker i mat og korn, til Norge og som gjør oss mer sårbare. Ikke bare med henblikk på om det er nok mat – at vi ikke skulle ha det, er kanskje en fjern tanke for de fleste av oss – men at den maten vi men at den maten vi spiser, faktisk er av en slik kvalitet at vi holder oss friskest mulig lengst mulig. Dette er en av grunnene til at Arbeiderpartiet i behandlinga av årets jordbruksoppgjør mente at økonomien i opplegget var for svak, og at man måtte sørge for – også tatt i betraktning at man ønsker å bygge landet, bokstavelig talt – å få en økonomi i dette landet som er holdbar, Jeg er optimist og jeg håper at vi i debattene som kommer etter denne, også på et slikt felt, kan enes om at det er helt avgjørende at vi klarer bl.a. å styrke økonomien i landbruksproduksjonen, og særlig inn mot kornøkonomien, slik at man kan få snudd den negative utviklingen som nå er i forhold til vår sjølforsyningsgrad. Det andre elementet i dette er jo – og sommerens debatter viser jo med full tydelighet hvor avgjort viktig dette er – at vi evner å sikre at den maten vi får i oss, er trygg og god. Og situasjonen rundt f.eks. antibiotikaresistens er såpass alvorlig at jeg er glad for at regjeringa, bl.a. i møte med EU i morgen, skal ta opp dette. Men for å få til dette er det helt avgjørende at vi også klarer å forsterke norsk produksjon, og derfor håper jeg at regjeringa også i framtida vil bidra til en noe større aktivitet for å få økt norsk produksjon. Det siste jeg har lyst til å ta opp, er at én ting er å ha rikelig og sunn og god mat, men den konkurransesituasjonen vi ser ute, på vei til forbrukeren, er bekymringsfull. I dag har vi hørt at ytterligere oppkjøp gjør at vi får færre store aktører som skal sikre noe av det viktigste vi kjøper, nemlig maten. Det er all grunn til å etterlyse – også fra regjeringas side – mer politisk handling for å kunne bidra til å avhjelpe en ganske anstrengt konkurransesituasjon, og som bidrar til at vi kan få bedre utvalg, men også rimeligere mat. I så måte ville f.eks. det å fremme en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen – som har ligget gryteklar i lang, lang tid – være et godt grep. Men dette er viktige politiske utfordringer som krever noe mer politikk enn det vi har sett fra landbruksministeren så langt. Det er

Det krev ikkje berre ei storstilt utbygging av fornybar energi på verdsbasis – det fordrar òg ei systematisk teknologiutvikling, som gjer at fornybar energi eller fornybare energiberarar vert alternativ der ulike fossile kjelder er einaste løysing i dag. Tungtransport er eit døme. Deler av prosessindustrien er eit anna. utgangspunkt i verdas energiforbruk i dag, om lag 100 000 TWh – Norge, som er ein av verdas største produsentar av fornybar energi, produserer om lag 140–150 TWh per år, altså ein dråpe i havet – er behovet enormt i eit 2050–2060-perspektiv. Berre i nærområdet til Noreg, i EU, som i dag forbruker ca. 20 000 TWh energi med ein eigenproduksjon på knapt 1 000 TWh, vil ei 80/20 pst.-fordeling, til fordel for fornybart, utgjera ein enorm potensiell marknad, sjølv med fråtrekk for enøk og CCS, karbonfangst og -lagring. Også på heimebane, innanlands, har me mykje å gjera før me er i nærleiken av ei 80/20 pst.-fordeling til fordel for fornybart. i Noreg er på om lag 130 TWh fornybart og 180 TWh fossilt. Sokkelen og transportsektoren står for kvar sin tredjedel av det fossile forbruket i Noreg. Svært mykje av det forbruket kan og må på sikt konverterast til fornybar energi eller fornybare energiberarar. Så berre i løpet av 10–20 år vil behovet for fornybar energi vera betydeleg større enn i dag – noko som igjen fører til enorme moglegheiter for Noreg som energinasjon, også i fornybartidsalderen. Kvart paradigmeskifte har sine utfordringar – ofte i bølgjedalar. Norsk fornybar energibransje står midt oppi ein slik bølgjedal no. Tilgangen på ny fornybar energi aukar langt raskare enn marknaden etterspør han og teknologien gjer mogleg. Låge prisar gjer det igjen vanskeleg å forsvara nye prosjekt, anten det gjeld vasskraft, vindkraft, bølgjekraft, jordvarme eller andre former. Skal Stortinget vera i betre stand til å losa oss gjennom slike dilemma eller bølgjedalar, som i høgste grad er reelle problem for dei som driv butikk i denne marknaden, er det ein føresetnad å ha ein langsiktig styringsreiskap som gjer oss i stand til å sjå forbi og ikkje minst setja i verk tiltak på ulike milepæltidspunkt undervegs mot målet. Venstre ser derfor med forventningar fram til stortingsmeldinga om energi, som regjeringa har varsla at kjem i 2015. Skal ei slik melding verta det styringsverktøyet norsk energipolitikk, klimaet og norsk energibransje fortener og fullstendig manglar i dag, forventar Venstre at meldinga er heilskapleg og tek for seg heile energifeltet, og ser moglegheitene og truslane opp mot klimaproblemet og det som skjer i andre land. Det bør med andre ord vera ei energi- og klimamelding. Ho må ha 2050–2060 som tidsperspektiv og skissera opp ulike scenario, med dei moglegheitene og dei truslane det medfører for Noreg Trontalen borgar for eit fruktbart samarbeid med regjeringspartia, både i arbeidet med energi- og klimameldinga og neste års statsbudsjett, for å sikra at 2015 vert eit viktig år for klimaet. Venstre kjem i begge tilfelle til å vera eit konstruktivt opposisjonsparti, med eit arsenal av konkret politikk og løysingar. Kor krevjande me vert

handler om å sørge for at vi får på plass bedre pendlerreiser, slik at hverdagsreisen som folk tar, blir mer forutsigbar, ivaretar komfort og har fleksibilitet, sånn at det blir attraktivt for folk å velge kollektive reisemidler, i stedet for at en skal bli presset inn i dem ved å fjerne parkeringsplasser og andre ting. Vi skal rett og slett gjøre det attraktivt å velge de miljøvennlige løsningene. Vi har hatt som mål å legge til rette for bedre og Det handler om å få et bedre samspill mellom jernbane og lastebil eller mellom havn og lastebil, sånn at flere velger å bruke jernbanen som hovedtrasé, framfor at lastebilen gjør jobben. Hvis vi får flyttet mer gods fra vei til jernbane og kjøl, betyr det redusert slitasje på veinettet, økt trafikksikkerhet kjøl, betyr det redusert slitasje på veinettet, økt trafikksikkerhet og bedre komfort – hvis man kan si det sånn – for privatbilistene på veiene. Vi vet også at det er en utfordring med konkurransesituasjonen i lastebilnæringen, der mange norske aktører og seriøse utenlandske aktører som betaler for seg, møter en useriøs bransje som ikke fullt ut betaler for seg. Da kan vi ha så mye godsstrategi som vi bare vil på jernbane og hvis vi ikke får ryddet opp i den bransjen og sørger for at den prises skikkelig, vil også de kollektive midlene tape. Vi har hatt en satsing på bedre veier og jernbane. Jeg registrerer at en del mener at man må gjøre enten det ene eller det andre, men vi tror det er viktig å ha begge deler, for det gir igjen en fleksibilitet for både næringslivet og den arbeidsreisende. Vi vet at folk har ulike behov, gjerne den samme men på ulike dager. Vi prioriterer å få på plass nye prosjekter. I løpet av året som gikk, framskyndet vi 12 ulike veiprosjekter på ulike måter. Vi forenklet planleggingsperioden på 13 andre veiprosjekter. Det gjør at en kan komme raskere i gang med å bygge, og det er først når en vei står ferdig at samfunnet har nytte av den. Samtidig har vi prioritert vedlikeholdsetterslepet. Det mener jeg

er ikke et mål i seg selv. Det å si hvilke prosjekter en faktisk realiserer og vise at en tar kostnadssiden på mer alvor, er for oss veldig viktig. Derfor har vi satt i gang mange reformer som har som målsetting å kunne bygge mer vei og jernbane og flere havner raskere, bedre og billigere. I den forbindelse jobber vi for å få ned planleggingstiden for å kunne skjære gjennom og ta beslutninger selv der det er kontroversielt, men vi jobber også med å få på plass et eget der det er kontroversielt, men vi jobber også med å få på plass et eget veiinvesteringsselskap. Stortinget ga sin tilslutning i revidert budsjett før sommeren i år til å gå videre med dette arbeidet. Vi er også i gang med en jernbanereform som vil bli presentert for Stortinget i årene som kommer. Det kommer en bompengereform, med mål om å få ned administrasjonskostnader og finanskostnader for å spare bilistene for utgifter. Det jobbes også med en nasjonal havnestrategi, med formål om å få mer I tillegg begynte en i året som gikk, å bygge opp et infrastrukturfond som nå er på 30 mrd. kr, og som i løpet av denne perioden skal være på 100 mrd. kr. Det handler igjen om å ha forutsigbarhet i det en gjør og sørge for systemendringer som gjør at en får mer igjen for pengene, og at en får bedret hverdagsreisen og godstransportsituasjonen i dette landet. Jeg ser fram til å fortsette det arbeidet. Det blir replikkordskifte.

av de blå-blås slegge. Hun uttalte videre: «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.» Det kunne vært interessant å høre hva samferdselsministeren synes om det utsagnet. Er han enig i at dette er en presis måte å beskrive regjeringens kollektiv- og jernbanepolitikk på?

som har som mål at vi skal gi et bedre reisetilbud for folk i pendlersituasjon, den reisen en tar til og fra arbeid, og sørge for at vi får mer gods over på jernbane. Dette er målsettinger som jeg på ingen måte er første statsråd som uttrykker, men jeg ser at utviklingen på godstransporten ikke har gått i den retningen en har hatt visjoner om før. Det tyder på at en ikke har gode nok system, gode nok strukturer i jernbanesektoren til faktisk å få til en endring. Det handler om for dårlig vedlikehold, det handler om for lite og for dårlig frekvens, det handler om for høye kostnader sammenlignet med alternativene. Vår reform går på at vi skal samle mer myndighetsansvar i noen organ, og la andre organ, som f.eks. NSB, få lov til å være et mer konkurransepreget selskap. Det vi ser, er at der NSB er utsatt for konkurranse, nemlig på NSB Gjøvikbanen, leverer de også best kundetilfredshet. kundetilfredshet. Det er viktig å få reformer som står seg over tid, Arbeiderpartiet er opptatt av veiinvesteringene som ligger foran oss i en offensiv Nasjonal transportplan som nå et samlet storting står bak. Regjeringen har sagt at de vil fremme en bompengereform. Det har statsråden også gjentatt i sitt innlegg i dag.

Istedenfor å fornye, forenkle og forbedre kan man oppnå å fordyre, forlenge og eventuelt forsinke andre prosjekter. Poenget er ganske enkelt: Forlenger vi et lån, må vi betale mer renter. Mener statsråden dette grepet gir mer eller mindre penger til de veiinvesteringene vi har foran oss? Nasjonal transportplan skal denne regjeringen overoppfylle. Det er vår klare ambisjon. Det er en jobb som krever en del innsats fordi i budsjettet det første året var ikke NTP finansiert i tråd med behov, den var kraftig underfinansiert. Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet nå sier de også vil være med og bidra til å oppfylle NTP, for den var altså underfinansiert. Når det gjelder bomreformen, er ikke målsettingen med den å forlenge låneperioden. Jeg er klar over hva slags sak TV 2 laget, men det en må ta inn over seg, er at på akkurat E18 i Vestfold er det en del av en overgangsordning.

men den vil bli redusert igjen i den endelige ordningen, og da er finansieringskostnadene betydelig lavere enn med forrige regjerings plan. Vi i Kristelig Folkeparti er glade for statsrådens offensive holdning til å tenke ut nye løsninger og satse tungt på samferdselssektoren. I klimaforliket skisseres det et mål om gjennomsnittlig utslipp fra nybilparken i 2020 på maks 85 gram CO2. I samme forlik slås det fast at elbilfordelene skal bevares ut 2017, eller til det er solgt 50 000 elbiler. Alt tyder på at dette målet nås allerede i 2015. Elbilsatsingen i Norge har vært et av de mest virkningsfulle tiltakene rettet mot forbrukerne for å kunne nå målene i klimaforliket. Men vi er også kjent med at elbilsatsingen har store utfordringer, bl.a. knyttet til infrastruktur for ladestasjoner. Hvordan vil samferdselsministeren sikre en fortsatt omlegging til en mer miljøvennlig transportsektor også etter at de første 50 000 elbilene er kommet på norske veier?

ingen bompenger, ingen parkeringsavgifter, nesten ingen drivstoffkostnader og heller ingen avgifter til staten. Det er veldig kjekt å se at det er så mange som deler drømmen om den type avgiftspolitikk for biler. Når det gjelder målsettingene om 85 gram CO2, som det refereres til, er det viktig at vi også i den diskusjonen ser på hvilken rolle biodrivstoff kan der man faktisk gjerne har mer enn 85 gram CO2, men der man har det fra fornybare kilder og ikke fra fossile kilder. Det gjør at Stortinget og regjeringen sammen bør ha en god diskusjon om hele elbildebatten – hvordan en videre skal få til den suksessen en har hatt, men også gjerne utvide den til å inkludere flere moderne miljøvennlige biler. Jeg er Jeg er veldig glad for at statsråden brukte en del av innlegget sitt på å snakke om behovet for å få mer gods over på både bane og sjø. Det er en ambisjon som Senterpartiet er veldig glad for at vi skal jobbe videre med, og jeg oppfatter egentlig at det er et tverrpolitisk ønske om å lykkes med det. Så er det sikkert mange ulike tiltak som må på plass. Det er mange utfordringer knyttet til norsk transportnæring for tiden. Vi ser at de sliter. Det er useriøse utenlandske aktører, det er økende kabotasje, og jeg er ganske urolig på vegne av en næring som er viktig for distribusjonen av varer ut i landet. Mitt spørsmål til statsråden er følgende: Vil statsråden bruke handlingsrommet for å stramme inn kabotasjeregelverket? For vi ser jo at det er en problemstilling som vi bør gjøre noe med. Hva er statsrådens svar på det? Vi har gjort mye allerede når det gjelder området lastebil. Det handler om trafikksikre biler, om men også om at en forholder seg til de reglene som er for kabotasje. Da vi overtok, var det igangsatt en arbeidsgruppe av min forgjenger som kikket på kabotasjeområdet. Gruppen kom med en rapport som hadde mange anbefalinger. En del av dem er veldig kontroversielle, men de aller fleste er det bred enighet om. Disse har vi fulgt opp, både ved å sette i gang arbeid i Finansdepartementet, i Arbeids- og sosialdepartementet og i Justisdepartementet i Justisdepartementet for å koordinere politi, skattemyndigheter og arbeidstilsyn i oppfølgingen av dette. I tillegg kan det hende at vi, når vi innfører en obligatorisk bombrikke, gitt at vi kommer til enighet med Datatilsynet, lettere vil kunne få oversikt over ferdselen til utenlandske vogntog i Norge, rett og slett ved at de registreres i bomstasjoner. Det er ikke et arbeid som er ferdig, jeg kan ikke garantere at vi kommer i mål, men gitt at Datatilsynet ikke lager trøbbel,

som også er et nødvendig transportmiddel, særlig i de store byene, hvor vi trenger en mye større sykkelandel som en del av et helhetlig miljøvennlig transportsystem. Men der er det ofte også noen problemer som dukker opp. Det kan være et problem med skiltmyndighet, at man ikke har den lokale kontrollen, og det kan være uenigheter om hvilke standarder man legger til grunn for sykkelnettet. I Oslo er man i ferd med å lage en egen sykkelstrategi. Man snakker om kanskje å lage en egen Oslo-standard for sykkelveier, som vil være annerledes enn Statens vegvesens veinormaler. Vil statsråden være åpen for at man har en fleksibel holdning, nettopp for å gjøre det mulig for byene å lage sine egne løsninger, så vi endelig kan få på plass et helhetlig og godt sykkeltilbud som kan treffe den store bredden av syklende og av befolkningen? Sykling er viktig, både i forbindelse med de målene som et tverrpolitisk storting har satt ut fra et folkehelseperspektiv, og også ut fra god framkommelighet i byene. Jeg tror, slik representanten også tar opp, at vegvesen der jeg ber om at de går igjennom sin sykkelpolitikk og de standardene de har – om vi faktisk gjør det for dyrt å bygge nye sykkelveier, slik at man en del steder lar være fordi det koster for mye, selv om behovet åpenbart er stort. Det handler om å tillate lokale myndigheter, fylker og kommuner å få prøve ut nye strategier, selv om det gjerne går litt på tvers av håndboken, rett og slett for å se på resultatene. Så tror jeg også at elsykkelens inntreden og den veksten som er, vil bidra til at flere av dem som ikke er aktive syklister, men i dag rett og slett er fremmede for sykling, vil velge dette i framtiden, og da gjelder det å legge til rette med sykkelveier og trygge steder å ferdes. Samferdselsministeren er
vegselskap, blir det fart på saker og ting. Som han seier: Vegselskapet skal auke gjennomføringstempoet på store prosjekt. Om det stemmer at eit vegselskap skal presse tannkrem ut av tubene, er det uforståeleg at ikkje samferdselsministeren gjer det same på jernbanefeltet. Då Framstegspartiet sat i opposisjon, foreslo dei så seint som i 2012, i forbindelse med behandlinga av klimameldinga, følgjande: «Stortinget ber regjeringen opprette et statlig selskap for utbygging av jernbane, basert på «Avinor-modellen».» Så spørsmålet mitt er: Står for det han lova før valet? Og er dette noko vi nå kan begynne å sjå fram til i samband med behandlinga av jernbanereforma? Svaret er ja. Og det som gleder meg, er at alle de som stemte imot dette i forrige stortingsperiode, nå begynner å etterlyse at selskapene skal komme på plass. plass. Det gleder jeg meg over, for det viser at denne regjeringen klarer å bidra til at samfunnsdebatten inntar et helt annet spor. Istedenfor at en kun skal si at Vegvesenet har det eneste ansvaret for å bygge ut vei, at Jernbaneverket er de eneste som har ansvar for jernbane, ser en nå at selv aktørene innenfor bransjene, både innen vei og jernbane, ser etter nye mulige måter å organisere seg på, rett og slett fordi den årlige tilnærmingen med budsjettbevilgninger, altfor omfattende planprosesser og langdryge politiske prosesser for å få vedtak gjør at det ofte tar ti år å planlegge før en ser resultatene av det en har satt i gang. Der tror vi at litt ulike måter å organisere dette på vil gi ulike fordeler. Men derfor er det viktig å understreke at Vegvesenet fortsatt vil ha en veldig viktig rolle på mange veier. Vi vil også ha mer OPS en del steder. Og så vil vegselskapet ha et ansvar. Tilsvarende vil en finne innenfor jernbane når vi får lagt fram jernbanereformen.

en del av deres frigjøring, men tvert imot begynnelsen på en kontroll fra Moskva som varte fram til 1990-tallet. For det var bare ett område Den røde armé forlot, nemlig Finnmark. Det gjør at vi har en helt annen tilnærming til våre russiske naboer enn det andre NATO-land har. Vi har fått et stadig bedre naboskap, som ble understreket i delelinjeavtalen som Denne naboskapspolitikken må fortsette, for konflikten med Russland handler ikke om nordområdene, men om russernes folkerettsstridige handlinger på Krim og i de østlige delene av Ukraina. Vi støtter ukrainernes rett til å bestemme over egen utenrikspolitikk og støtter EUs sanksjoner. Vi ser også at russerne ruster opp sitt forsvar etter lang tid med lite fornyelse. Det betyr at vi må ha økt årvåkenhet i nordområdene. Vår operative evne må styrkes innenfor alle forsvarsgrener. Men vi må også styrke samarbeidet med russerne i nord innenfor forskning, miljø og folk-til-folk-samarbeid. Vi trenger økt satsing på fellesprosjekter i en tid hvor spenningene øker. Den største humanitære katastrofen siden annen verdenskrig fortsetter i Syria og brer om seg til Irak. Flyktningene trenger mer enn noen gang støtte til helsehjelp og skolegang. Derfor har jeg store forventninger til regjeringas bistandsbudsjett. Vi kan ikke godta kutt i andelen til bistand i en tid som vi nå er inne i. Vi ser grufulle handlinger fra ISIL. Verdenssamfunnet må gå sammen om å bekjempe dem innenfor folkerettens rammer. Regjeringa har varslet at Norge vil bidra med fem stabsoffiserer til den militære innsatsen, og vi i Arbeiderpartiet har støttet dette. Hvorvidt vi skal bidra med mer, må regjeringa komme tilbake til Stortinget med. Militære bidrag innenfor Iraks grenser etter invitasjon fra irakiske myndigheter er i overensstemmelse med folkeretten. Samtidig er det viktig å understreke at vi allerede har bidratt gjennom å ta ut kjemiske våpen fra Syria. Dersom det er slik at ISIL hadde fått tilgang til disse, kan vi bare tenke oss hvordan denne konflikten hadde sett ut i dag. Diskusjonen om norsk deltakelse må ses i sammenheng med det ansvaret vi har for sikkerheten i Afghanistan og i nordområdene. For Arbeiderpartiet vil også deltakelse i FN-operasjoner være høyt prioritert. I sommer så vi hvordan Gaza ble bombet. Vi kan ikke godta at verdenssamfunnet gang på gang blir bedt om å bygge opp Gaza uten at årsaken til problemet blir imøtegått, dvs. Israels blokade og bosetting. Arbeiderpartiet vil at regjeringa skal fraråde kjøp av varer produsert på okkupert territorium, for folkerettsbrudd må behandles på samme måte enten de skjer i Ukraina eller Israel. Israels reaksjon var ute av proporsjon, og den svenske regjering Dette må også føre til en diskusjon om norsk politikk. Jeg ser fram til at den norske regjering som leder av giverlandsgruppa bidrar sammen med Sverige for å komme videre i denne politikken. Det er bred enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Men når det gjelder bistandsnivå – nivået på hjelpen til Syria og håndtering av situasjonen på Gaza – så er det forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Jeg synes heller ikke regjeringas slagord om at de vil gå fra dialog til handling i nordområdene foreløpig har ført fram, verken når det gjelder dialog eller handling. Derfor har vi høye forventninger til statsbudsjettet når det gjelder nordområdesatsingen. Det er viktig for Arbeiderpartiet.

Norge er et godt land å bo i. Som nordmenn fødes vi på den grønne gren, men velgerne så at åtte år med rød-grønt var nok. Velgerne så at vi utviklet et kostnadsnivå som ikke var understøttet av produktivitet. Velgerne så at det var en sterk skjevhet mellom de siste års utvikling i fastlandsvirksomhet og den oljemotoren vi ble stadig mer avhengig av. Trontalen var meget klargjørende.

Velgerne ser ingen motsetning mellom å stimulere norsk eierskap og arbeidsinnsats og velferd – snarere tvert imot. Vi må skape mer, ikke skatte mer, og vi må utvide mulighetene for alle for at velferden skal være bærekraftig. Velgerne ville ha en politikk med fokus på samferdsel og infrastruktur. Høy bevegelighet i arbeidsstyrken og større arbeidsregioner vil gi bedre muligheter i hele landet. Den norske stat er, og vil i uoverskuelig framtid, være en stor eier i norsk næringsliv, men vi trenger mangfold. Vi trenger det private initiativ for å sikre den innovasjonskraft som er nødvendig for et næringsliv med konkurransekraft. Derfor må diskrimineringen av det mangfoldige, private, lokalt funderte norske eierskap, som utvikler arbeidsplasser i hele Norge, avvikles. Representanten Botten Hun bør også snakke om hvem Arbeiderpartiet skal diskriminere. I eierskap diskriminerte man norsk eierskap og stimulerte statlig og utenlandsk eierskap. Vi vil gi norsk privat eierskap en mulighet til å konkurrere på like vilkår. Det er på høy tid med nye ideer og bedre løsninger. Velgerne ville ha en politikk med fokus på kunnskap, at alle skal kunne gripe mulighetene, og og en forskningspolitikk som stimulerer næringslivet til å utvikle framtidas produkter og prosesser, slik at Norge forblir et av verdens beste land å bo i. Regjeringen har vist sterk handlekraft på alt dette. Det viste tilleggsproposisjonen i fjor. Vi bevilget ca. 0,5 mrd. kr ekstra til forskning, 1,5 mrd. kr ekstra til samferdsel og 1 mrd. kr ekstra til skattelettelser til næringslivet i forhold til det Arbeiderpartiet og de rød-grønne la fram. Vi fylte opp næringsrettet forskningstiltak gjennom BIA og bedret SkatteFUNN. Fokuset på forenkling og mindre byråkrati er sterkt. Et så enkelt grep som at kravet om originalbilag til reise- og utleggsregninger ble opphevet i sommer, sparer næringslivet for ca. 1,2 mrd. kr. Lekkasjene fra statsbudsjettet som kommer, er langt færre nå, men signalene så langt er klare. Man fortsetter sporet med fokus på konkurransekraft, vekstfremmende skattelettelser, kunnskap, forskning og samferdsel. Det er medisinen næringslivet trenger. Jeg tror regjeringen har rett i at vi har sett det beste av oljen som en ensidig drivkraft for norsk økonomi og velferd. Det haster med et bredere fokus, men er det noe oljealderen har vist oss, er det at nordmenn og norsk næringsliv klarer å gripe muligheten når den er der. Vi har omstillingsevne og vilje. Det sentrale er å føre en politikk som stimulerer til konkurransekraft og vekstkraft. Det gjør denne regjeringen. Den vil åpne mulighetene for alle. Trontalen peker i riktig retning. Det er grunn til å se lyst på framtida med en regjering som så klart ser utfordringene vi står overfor.

For første gang siden annen verdenskrig har en europeisk stat med makt erobret en del av et naboland. Gjennom den folkerettsstridige anneksjonen av Krim og aggresjonen mot Ukraina har Russland brutt folkeretten og de sikkerhetspolitiske spillereglene, med ustabilitet og uforutsigbarhet som resultat. NATO har svart på utviklinga gjennom flere viktige vedtak på annet skjer det gjennom økt vektlegging av kollektivt forsvar, reaksjonsevne og beroligelse av NATOs medlemsland i øst. I Irak og Syria ser vi en utvikling der terroristorganisasjonen ISIL i løpet av kort tid har erobret store landområder. Deres brutale framferd er godt dokumentert og har skremt en hel verden. I sum er det grunnlag for å si at dagens sikkerhetspolitiske bilde er preget av større usikkerhet og et skjerpet trusselnivå i Europa. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen må også få konsekvenser for hvordan vi innretter Forsvaret. Jeg ba onsdag i forrige uke derfor forsvarssjefen om å utarbeide et nytt fagmilitært råd. Det vil danne grunnlaget for den neste langtidsplanen for Forsvaret. Vi bygger et moderne forsvar, slik at vi kan ha trygghet og sikkerhet for våre verdier i framtida. EUs medlemsland er ved siden av USA våre viktigste partnere i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi deler et felles verdigrunnlag basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. Regjeringa la i juni fram en strategi for samarbeidet med EU og våre partnere i Europa. Nær dialog med landene i EU og de europeiske institusjonene skal bidra til å ivareta våre interesser. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nord har vi sentrale norske interesser å ivareta: hav-, fiske- og energiressurser, miljø- og folk-til-folk-samarbeid, stabilitet og sikkerhet. Regjeringa har med økt vekt på kunnskapsdrevet næringsutvikling innledet et nytt kapittel i nordområdesatsinga. Norges tradisjonelle markeder er i ferd med å komme seg over de siste årenes økonomiske krise. Den globale veksten og ikke minst veksten i global etterspørsel kommer likevel først og fremst fra nye og framvoksende markeder. Det er mot dette bakteppet at regjeringa vil gjennomføre et taktskifte i arbeidet med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt, bl.a. gjennom mer aktiv bruk av utenrikstjenesten. Den overordnede ambisjonen for regjeringas utviklingspolitikk er å bidra til å utrydde ekstrem fattigdom. Regjeringa opprettholder derfor et høyt nivå på den internasjonale bistanden, der Norge er blant de største bidragsyterne. En sterkere konsentrasjon av bistanden, langsiktige partnerskap med samarbeidsland og sterkere krav til resultater vil gi en mer effektiv utviklingspolitikk med bedre resultater. Regjeringa la i juni fram Meld. St. 25 for 2013–2014, Utdanning for utvikling, og har gjort utdanning til en hovedprioritering Norge har en pådriverrolle med å innfri FNs tusenårsmål. Regjeringa er aktivt med i arbeidet med å utforme FNs utviklingsagenda etter 2015, der man er i ferd med å utforme nye universelle mål under navnet Sustainable Development Goals – eller bærekraftmål, som vi kaller det i Norge. Flere store, komplekse og langvarige humanitære kriser krever at det internasjonale samfunnet stiller opp. Norge bidrar med betydelig humanitær innsats både bilateralt og gjennom multilaterale organisasjoner. I forbindelse med bekjempingen av ebolaepidemien er Forsvaret beredt på å kunne stille lufttransportstøtte til transport av personell og utstyr inn og ut av og vi holder også nå på med et intenst arbeid for å etablere en back up-løsning for medisinsk evakuering av norsk personell når det eventuelt blir nødvendig. Vi kan i tillegg på kort varsel stille med sykesenger og smittevernutstyr som Klimaendringer er vår tids største globale utfordring. Arbeidet med å møte dette må gis høyeste prioritet og en tydeligere plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Norge skal være en pådriver for en ambisiøs internasjonal klimaavtale med bindende forpliktelser for alle land. I tider som nå, med store utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer, ser vi betydningen av å slå ring om folkeretten og det multilaterale systemet. Norge skal være en solid og pålitelig partner og alliert, som i samarbeid med andre bygger sikkerhet og stabilitet i våre egne nærområder og i den verdenen som omgir oss. Det blir replikkordskifte. For noen uker siden mente regjeringa at det var viktig at Norge bidrar humanitært og ikke militært til å løse konfliktene i Syria og Irak. Så at det var viktig at Norge bidrar humanitært og ikke militært til å løse konfliktene i Syria og Irak. Så kom regjeringa til Stortinget og ba om støtte til fem stabsoffiserer, noe Arbeiderpartiet støttet. Hva er regjeringas syn videre militær deltakelse? Kan statsråden gjøre rede for hvorvidt det er riktig å stille med flere militære bidrag her, eller bidra til økt satsing i nordområdene, og også stå fast ved forpliktelsene i Afghanistan? Regjeringa har ikke på noe tidspunkt utelukket eventuell bruk av militære virkemidler, men vi bidro i første omgang humanitært, og Det at vi nå fikk Stortingets tilslutning også under konsultasjonene til å sende fem stabsoffiserer, er bl.a. for å kunne planlegge et eventuelt militært bidrag. Vi har ikke konkludert på det ennå, fordi det foregår veldig mange planprosesser blant de landene som nå utgjør en ganske bred koalisjon – det er over 50 land som har sagt at de ønsker å bidra militært, humanitært og politisk i kampen mot ISIL.

sikkerhetsstyrker, hvor vi bidrar til antikorrupsjon, og hvor vi også bidrar til å få demokratisk kontroll over militære styrker. Det er veldig mange aspekter ved kapasitetsbygging som kan være aktuelle. Men jeg gjentar: Regjeringa har ikke konkludert på dette ennå, og det er en av årsakene til at stabsoffiserene nå er med i planleggingen, for å kunne vurdere og eventuelt hva Norge kan bidra med. Dette er noe vi har gjort på ulike kontinent. Vi har gjort det i Afghanistan over tid, vi har drevet med kapasitetsbygging og sikkerhetssektorreform i Ukraina, og gjør det fortsatt, og vi har også gjort det i mange afrikanske land, i nært samarbeid med våre nordiske naboer. Noreg er

Senterpartiet vil peike på at Noreg har behov for ei sterk forsvarsevne over heile landet, uavhengig av situasjonen i Russland. Vil forsvarsministeren sikre eit nødvendig løft for Heimevernet i åra som kjem, slik at dei både får øvd og får nok utstyr til å vere det Forsvaret me treng?

var å øke bevilgningene til Heimevernet med 7 mill. kr for at fem utvalgte tropper i innsatsstyrkene kunne øve og trene mer, altså fra 20 til 30 dager. Det har stor betydning for den operative evnen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett forserte vi opptrappingen til Heimevernet med 45 mill. kr, bl.a. til personlig bekledning og utrustning for å øke den operative evnen til Heimevernet, som er en viktig bestanddel i det norske forsvaret. Så kommer budsjettet på onsdag, så får representanten Navarsete smøre seg med tålmodighet fram til da, og så får vi se hva som ligger der.

kan statsråden kommentere på nødvendigheten av å ha en strategisk tålmodighet i Afghanistan, og at Norge vil bidra til nettopp den tålmodigheten så vi ikke nå trekker oss tilbake etter så lang tid og gjør det for tidlig?

at det er blitt signering av både den bilaterale sikkerhetsavtalen med USA og også statusavtalen med NATO. Det danner grunnlaget for den lenge planlagte Resolute Support mission som etter planen skal overta 1. januar. Norge har ikke konkludert eventuelle bidrag til Resolute Support mission annet enn å si at dersom det skal være aktuelt for oss å bidra, kommer vi etter alt å dømme til å konsentrere den innsatsen rundt det vi gjør i dag. Vi var for ikke lenge siden på tre steder i Afghanistan, nå er vi på ett sted, Kabul-området, og det er i det området vi tenker oss en eventuell fortsatt innsats, men det kommer vi tilbake til Stortinget med på vanlig måte når regjeringa er klar til å konkludere. Forsvarsministeren understreket betydningen av at Norge har et solid folkerettslig grunnlag for vår deltakelse i internasjonale operasjoner. Nå er

territorium. Spørsmålet er da, når Norge er en del av denne operasjonen: Hva er det folkerettslige grunnlaget, eventuelt den folkerettslige problematikken, som forsvarsministeren ser ved at vi er en del av en operasjon som utvider operasjonsområdet utover det som er det eksplisitt folkerettslige grunnlaget? Som jeg nevnte i et tidligere svar, har den norske regjeringa veldig klart sagt at for oss er et eventuelt bidrag begrenset til Irak. Det foreligger en invitasjon fra irakiske myndigheter – et klart folkerettslig mandat. Det har Norge gjort i likhet med relativt mange andre land. Men det er noen land som har sagt at de også kan delta i militære aksjoner i Syria. USA har sendt et brev til FNs generalsekretær, hvor de sier at dette kan gjøres innenfor FN-paktens artikkel 51 om selvforsvar, man tolker altså selvforsvarsretten fra Irak og inn i Syria og mener at det er et folkerettslig grunnlag. Det har så langt ingen av Sikkerhetsrådets medlemmer bestridt. Det har heller ikke kommet andre som har ment at dette ikke skal kunne gjelde som et folkerettslig grunnlag. Amerikanerne får svare nøyere for hvordan de vurderer det, men vi har sagt at vårt eventuelle bidrag konsentrerer seg om Irak, der det utvilsomt er et folkerettslig grunnlag.

Det er viktig at vi er i stand til å hevde vår suverenitet og organisere grensekontrollen på en god og sikker måte. Mitt spørsmål er: Hvilke verdier syns statsråden man skal legge til grunn for å kunne håndheve grensa på en god og sikker måte – og matche det som stables opp på den andre sida av grensa? Dette gjelder den grensepasseringa som vi har i

mener jeg er viktig å understreke i denne sammenheng – er: Selv om Norge, i likhet med de aller fleste andre land, har suspendert det bilaterale militære samarbeidet med Russland, har vi vektlagt å videreføre samarbeidet om grensekontroll, kystvakt, søk og redning og hendelser på havet – for folks trygghet. Vi har gjort det også med det formål å unngå eventuelle misforståelser, nettopp fordi det er økt militær gjort det også med det formål å unngå eventuelle misforståelser, nettopp fordi det er økt militær aktivitet. Vi har sett det over tid. Vi har derfor vektlagt å holde kanalene åpne – kontakten mellom Forsvarets operative hovedkvarter og sjefen for Nordflåten – rett og slett fordi det bidrar til å unngå eventuelle misforståelser. Det mener vi er viktig, som et tillitsskapende tiltak. Det har det vært lenge. Vi ønsker å videreføre det, selv om det bilaterale militære samarbeidet for øvrig er suspendert. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en

mot den produktiviteten i næringslivet som representanten Gundersen snakket varmt om, mot rekrutteringen til yrkesfagene, som flere har vært innom i dag, mot norske arbeidsplasser og mot norske lønns- og arbeidsvilkår – ja, faktisk hele den norske arbeidslivsmodellen og derfor også hele den norske velferdsmodellen – er problemet med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er derfor urovekkende at dette ikke ble viet oppmerksomhet i trontalen, heller ikke oppmerksomhet fra noen av talerne fra regjeringspartiene her i dag. Arbeidsministeren har forlatt salen uten å si noe om denne trusselen. Statsministeren kommer i morgen, og jeg håper hun bruker anledningen til å redegjøre for hva regjeringen har planlagt å gjøre for å få bukt med dette problemet. Det er på tide – vi trenger handling. Til tross for at den la fram tre planer med over 40 tiltak som har virket, ser vi at uvesenet bare brer om seg. Vi står foran en krevende periode med økende ledighet. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet kommer til å få bedre vekstvilkår med det. Hittil har vi sett mye god retorikk fra arbeidsministeren og regjeringen der man sier at man skal røyke ut de kriminelle elementene i norsk arbeidsliv. Retorikken er dessverre fulgt av svært lite handling. som skulle bli holdt i desember, ble holdt i juni. Av tiltak er det kun kommet forslag om strengere straffer og mer kontroll. Det alene holder ikke. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes som all annen kriminalitet med forebygging og med straff. Det er langs de to hovedsporene Arbeiderpartiet bekjempet uvesenet de siste åtte årene, mens regjeringen beveger seg knapt nok langs det ene. I tillegg helles det bensin på bålet ved at man reverserer tiltak mot sosial dumping, som vi innførte, som kollektiv søksmålsrett. Det helles bensin på bålet ved å legge til rette for mer bruk av midlertidige ansettelser og mer innleie av arbeidskraft. Det er bensin på bålet fordi det understøtter det uorganiserte arbeidslivet. Det legger til rette for mer bruk og kast av arbeidskraft, uoversiktlige forhold på arbeidsplassen, og det er med på å gjøre det enklere – ikke vanskeligere – å drive urent. Dette er i det hele tatt det stikk motsatte av hva norsk arbeidsliv og det norske samfunnet nå trenger. Det bygger ikke Norge – tvert imot. Det vitner om en regjering som ser seg blind på egne gamle løsninger og ideer og blå ideologi framfor fakta, forskning og arbeidslivets reelle utfordringer.

at mennesker som er syke eller trenger pleie, skal få nødvendig helsehjelp i tide og ha tydelige rettigheter. Regjeringen er allerede godt i gang med å levere. Det behandles flere syke, det bygges flere sykehjemsplasser, og personer med alvorlig funksjonshemming har fått rett til brukerstyrt personlig assistent. Vi har gjeninnført regelen om at helseregionene skal prioritere rusomsorgen og psykisk helse, og vi har gjeninnført satsingen på psykisk helse i skolen – begge to tiltak som den rød-grønne regjeringen hadde fjernet. Altfor mange venter unødig lenge i helsekø og

Det er heller ingen nyhet at Arbeiderpartiet har strittet imot hver gang Høyre har utvidet og styrket pasientenes rettigheter. Fritt sykehusvalg og medisinsk bestemte tidsfrister kan nevnes som eksempel. Så kommer de luskende etter, slik de også gjør nå, når de hevder at de er for å oppheve aktivitetstaket ved de offentlige sykehusene og utvide bruken av private gjennom anbud. De som har lidd mest gjennom åtte år med rød-grønn politikk, er dessverre ruspasienter og psykisk syke pasienter. Svært mange sliter med ulike former for kroniske utmattelseslidelser, såkalt medisinsk uforklarlige plager hvor det er vanskelig å stille noen form for diagnose. Eksempler som kan nevnes er ME-pasienter, pasienter med fibromyalgi, borreliose og andre udefinerbare muskel- og skjelettsykdommer. Ifølge Dagbladet utgjør disse den største pasientgruppen i landet, med 130 000 langtidssykmeldte eller uføre ved At det nå blir forsket mer på denne typen lidelser, og at regjeringen bevilger 20 mill. kr for at disse pasientene skal bli møtt med et mer tverrfaglig behandlingstilbud i fremtiden, er svært positivt og viser at regjeringen leverer.

I dag er det ca. 70 000 personer som har en eller annen demenssykdom, og mer enn 250 000 mennesker er pårørende til noen med demens. Antallet demenssyke øker drastisk, og anslagsstudier viser at sykdommen vil koste oss 18 mrd. kr i året om få år. Det er for lite kunnskap om demens i samfunnet, blant ansatte, brukere og pårørende. Dette fører ofte til at mange som utvikler demens, kommer for sent i kontakt med helsetjenesten for å få informasjon og hjelp. Hvis man tidlig får hjelp, kan man bremse utviklingen av demens gjennom livsstilsendringer og medikamenter og lenger leve et så normalt liv som mulig. Mye av det viktige forebyggende arbeidet skjer i kommunene. Men de trenger også midler til å gi brukere og pasienter gode pleie- og omsorgstjenester. Regjeringen vil bygge og modernisere boliger tilpasset personer med demens, og vi er allerede godt i gang. Regjeringens satsing innebærer bortimot en dobling av tilskuddet, noe som gir et stort handlingsrom for kommunene til både å fornye og modernisere eksisterende plasser, og til å bygge nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Fremskrittspartiet viser handlekraft og skaper frihet og trygghet for personer med demens. Teknologien gir oss store muligheter til å gjøre hverdagen tryggere og mer forutsigbar for personer som er rammet av denne sykdommen. Velferdsteknologien løper raskere inn i fremtiden enn mange av landets kommuner klarer å henge med. Flere kommuner må ta i bruk slik som har kommet langt på dette området. Bevegelsessensorer for å få rask hjelp ved fall, bruk av kameraer, GPS, trygghetsalarmer og påminnelser for å ta medisiner – i bofellesskap for personer med demens – forsterker tryggheten i hverdagen betraktelig, både for syke og pårørende. Dette er fremtiden. Det må være et mål for oss at flere kommuner lærer av de kommunene som benytter velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

Jeg vil bruke resten av dette innlegget til å løfte fram en spennende visjon som viser at slike tilsynelatende motsetningsfylte målsettinger kan la seg kombinere på en god måte. Nye og innovative løsninger kan bringe oss et langt skritt nærmere nullutslippssamfunnet, samtidig som hensynet til økt og mer effektiv veitransport blir ivaretatt. I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2014–2023 stilte et samlet storting seg bak ambisjonen om å bygge en ferjefri E39 innen 20 år. Statens vegvesen er nå i full gang med å utrede ulike tekniske løsninger som må til for å nå målet om en ferjefri E39. Som en del av prosjektarbeidet har Statens vegvesen utredet mulighetene for å utvinne energi fra strøm, bølger, sol og vind i de store fjordkryssingsprosjektene som er under planlegging. Tanken er da å utvikle nye og innovative konstruksjoner der broer samtidig er kraftverk som utvinner fornybar energi. Konklusjonen til Statens vegvesen så langt er at det er mulig å utvinne nok energi til å drifte alle elektriske installasjoner langs E39. I tillegg vil det bli generert et kraftoverskudd som er stort nok til å levere strøm til en stor del av kjøretøyene på strekningen, forutsatt at prosentandelen av elbiler fortsetter å øke. Det er altså langt på vei mulig å gjøre framtidens E39 utslippsfri. Visjonene til Statens vegvesen må ikke bli husket for ettertiden som luftslott som aldri ble realisert på grunn av manglende politisk handlekraft. Tanken om en utslippsfri E39 lar oss ane konturene av et nullutslippssamfunn der veitransport er en del av løsningen. Utvikling av ny innovativ teknologi kombinert med grensesprengende ingeniørkunst kan gi næringsliv og kunnskapsmiljøer langs Vestlandet nye bein å stå på når olje- og gassalderen går mot slutten. Nye konsepter utviklet for en utslippsfri E39 kan bli en global salgsvare. Men det haster med å få dette politisk forankret. Tiden nærmer seg for at prosjekter skal ut på anbud. Da er det viktig at aktuelle fagmiljøer blir koblet sammen i nettverk og samordner arbeidet med å utvikle integrerte løsninger som både kan redusere reisetid og produsere grønn energi.

Å ta frå dei som bur spreidd og gi gode til dei mest formuande, helst busette i byen, synest å vere mottoet for regjeringa. Likevel knyter det seg like mykje spenning til korleis budsjettet vil slå ut for Noreg si rolle når det gjeld å jamne ut dei store forskjellane me ser mellom rike og fattige globalt. Senterpartiet meiner Noreg òg må bidra med eit ekstraordinært stort bistandsbudsjett. Det går no føre seg så mange humanitære kriser i verda samstundes, at dette er nødvendig. Irak, Syria, Vest-Afrika, Gaza og Ukraina er alle døme på område der dei sivile lir under sjukdom, naud og valdshandlingar. I nokre av konfliktane har me sett eit brutalitetsnivå som har vore skremmande, og som har sendt tusenvis av menneske på flukt. Gjennom eit ekstraordinært bistandsbudsjett vil me kunne gi akutt hjelp til fleire menneske som ikkje har nok mat, medisinar eller helsehjelp. Noreg har ein stolt tradisjon som ein stor bistandsytar. Gjennom å hjelpe landa som har teke imot tusenvis av flyktningar, kan me betre levekåra til svært mange, samtidig som me sender eit viktig signal til resten av verdssamfunnet om kor viktig det no er at alle som kan bidra til å hjelpe dei som treng det mest, gjer det. Den raud-grøne regjeringa la meir vekt på berekraftig landbruk og Me meiner at den dramatiske situasjonen når det gjeld svolt, fattigdom, landbruk og klimaendringar, krev langt sterkare innsats på desse områda enn det dagens regjering har føreslått til no. Me håpar at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2015 vil føreslå ei stor satsing på støtte til berekraftig landbruk i utviklingsland. Å bidra til å gi fleire menneske trygg tilgang på mat må vere høgaste prioritet. Det er ingen andre næringar som kan måle seg med landbruket når det gjeld å skape sysselsetjing og økonomiske ringverknader for dei aller fattigaste i verda. Noreg har høg kompetanse innan landbruk. Generelt bør meir av Noregs utviklingspolitikk gjere nytte av dei områda der Noreg kan bidra med særskild kompetanse. I tillegg til landbruket har Noreg mykje å tilføre innan område som forvalting av marine ressursar, vasskraft og petroleumsressursar og

når det som får regjeringspartienes representanter til å juble mest på tv, i radio og på sosiale medier, er saker som segway, sjokolademelk, mer taxfree og nå i dag proffboksing, må jeg jo spørre meg om det var dette Trond Helleland mente med hverdagslige utfordringer. For det kan ikke ha vært husholdningsøkonomien til folk flest representanten Helleland siktet til. De såkalte skattekuttene som folk flest får av regjeringen, er så ubetydelige at de ikke engang veier opp for de økte barnehageprisene f.eks. som nå skal økes ytterligere. Jeg mistenker at representanten Hellelands folkelige harang om hverdagslige utfordringer mest av alt er et forsøk på å unngå å stilles til ansvar for de valgene Høyre har tatt det siste året i regjering. Når flere i industrien sies opp, ja, mer enn 5 000 bare i av endringene i permitteringsregelverket bl.a., når flere asylbarn kastes ut av landet, når krigsskadde flyktninger fra Syria ikke får komme til Norge – ja, da er det ekte mennesker som rammes med langt mer prekære hverdagslige utfordringer enn de ubetydelighetene Fremskrittspartiet vanligvis så frenetisk feirer som store seire. Man kan som Gjermund Hagesæter f.eks. være så glad man bare vil, og posere i Bergensavisen med to ekstra vinflasker, men smått er det uansett. De varsla kuttene i barnetillegget for uføre, som Høyre ønsker seg, er et annet godt eksempel. Vi har alle hørt regla: Det er teoretisk mulig å få mer i uføretrygd og barnetillegg enn om man hadde jobbet. Knapt noe politisk poeng har vært gjentatt mer av Høyre det siste året. Sett at man tjener 330 000 kr før man blir ufør. Da skal man altså ha fire barn for å ende opp med mer penger enn det man hadde da man jobbet. Av de drøyt 36 000 uførepensjonistene med barn i 2008 var det 800 som mottok tillegg for fire barn eller flere. Det man nå gjør, er å kutte i ytelsene til alle fordi man teoretisk sett kan ha så mange barn at man får mer i uførepensjon enn man fikk i lønn da man var i arbeid. Man må ha vokst opp inne i kalkulatoren til Høyre for å mene at dette er nødvendig og god politikk. Nå straffer Høyre og Fremskrittspartiet tusenvis av mennesker som allerede har dårlig råd på grunn av et petimeterpoeng som gjelder ytterst få mennesker, men som av Høyre er blitt blåst opp til å bli et stort samfunnsproblem. Det er dårlig politikk, og det bekrefter bildet av Høyre: Er du rik, er det beste staten kan gjøre for deg, å gi deg skattekutt, men har du slitt ut kroppen din i arbeidslivet, skal vi ta fra deg pengene. Så langt strekker nemlig ikke tilliten til enkeltmennesket seg. Så viktige var ikke de hverdagslige

enkeltmennesket seg. Så viktige var ikke de hverdagslige utfordringene. I dag er en stor dag for norsk forskning. Alle hyller i kveld hjerneforskerne og ekteparet Moser ved NTNU, fordi det i dag ble kjent at de har fått Alfred Nobels pris i medisin. Dette har ikke skjedd før. Det er stort, og all ære og heder skal gå til May-Britt og Edvard Moser, samt den amerikansk-britiske forskeren John O’Keefe, som de deler prisen med. samt den amerikansk-britiske forskeren John O’Keefe, som de deler prisen med. For dem som følger norsk forskningsdebatt, kan det kanskje komme som en overraskelse at noen norske forskere får den svært prestisjetunge nobelprisen i medisin. For dem som har fulgt oppbyggingen av dette forskningsmiljøet ved NTNU, er det mindre overraskende. I tillegg til den utrolige innsatsen disse to har lagt i å bygge opp miljøet, er det noen tydelige forskningspolitiske grep som har gjort dette mulig. Det viktigste er at mer penger har gått til de beste. Moser var den første som fikk lede ett av flere sentre for fremragende forskning. Disse sentrene er ett av våre fremste virkemidler for å fremme kvalitet, og det i et langsiktig perspektiv på ti år. Forskningen skal være på høyt internasjonalt nivå og har forskerutdanning og internasjonalisering som delmål. Vi må tørre å satse langsiktig på utvalgte miljøer og fagfelt. Vi må tørre å satse der vi har forutsetninger for å bli best. Forskning på dette nivået er lagarbeid og ikke mulig uten internasjonalisering. Da den forrige kirke-, utdannings- og forskningskomiteen besøkte laboratoriene til Moser, møtte vi mange forskere fra hele verden. De hadde kommet til Trondheim fordi de ville jobbe på dette unike prosjektet. I tillegg var de utenlandske forskerne veldig fornøyde med familiepolitikken i Norge, med gode barnehager til lav pris, lang svangerskapspermisjon og pappaperm. NTNU har vært et utmerket vertskap for disse forskerne. Universitetet har brukt egne frie midler på forskningsmiljøer som de mener har et stort potensial. Hjerneforskningen til Moser var en opplagt kandidat å støtte, og uten NTNU i ryggen kunne ekteparet Moser fort ha reist til utlandet. På dette nivået kan dyktige forskere velge og vrake blant toppuniversitet. Ekteparet Moser er geniale. De er veldig kreative, de har den nødvendige utholdenhet og er svært opptatt av forskningsledelse. De er gode forskerforbilder. Tildelingen av prisen kan vise seg å bli viktig for norsk forskning. Den vil gi forskere en stolthet, og den vil legitimere en eliteforskning – som trengs like mye som vi trenger en breddeforskning. Dessuten framhever dette den fortellingen om noen fantastiske forskere, som mange nordmenn kanskje ikke trodde vi hadde her i landet. Den politikken som har gitt oss en så høythengende forskningspris, må vi føre mer av.

oss en så høythengende forskningspris, må vi føre mer av. Det er som vanlig en ære å få være med og debattere her i denne sal, ja fra denne talerstol. Trontaledebatten er prikken over i-en, og da spesielt i år. Det har vært et spennende år, og med Fremskrittspartiet i regjering har jeg fått være med på å legge om den politiske kursen, og det til det beste for alle som bor i vårt vakre land. I de forrige fire årene har jeg snakket mye om samferdsel – hva som burde bli gjort, f.eks. i mitt fylke, men som vi den gang ikke fikk gjennomslag for. Det er derfor med glede jeg kan stå her i dag og vite at endringene er i gang, og at vi har begynt å bygge det landet som vi alle ønsker oss. Det er stygt å hate noe, men bomstasjoner tror jeg de fleste i Norge hater. Ja, selv om det ikke gjorde seg veldig gjeldende i valget i 2013, tør jeg likevel påstå det. For meg som FrP-er har det derfor vært helt fantastisk personlig å få være med og rive ned en Selv med bare 16 pst. oppslutning for Fremskrittspartiet forsvinner det bommer, og/eller vi reduserer bomkostnadene for innbyggerne. Bommen på rv. 9 var i landsmålestokk liten, men det betydde mye for dem det gjaldt, de som bor der, at de endelig kunne bli kvitt denne bommen. Bompengene fra rv. 9 gikk for det meste til administrasjonsomkostninger, ja, mer enn til vei, og jeg er stolt av at vi har begynt å legge ned slike ulønnsomme bommer rundt om i landet. Det er i grunnen en skam at de i det hele tatt ble satt opp. Kommunene i Aust-Agder hvor rv. 9 går igjennom, har gjort et godt stykke arbeid selv for at veien skal bli utbedret og få gul midtstripe gjennom hele dalen. De har vist en utrolig vilje til å være med på et spleiselag med staten. Ja, jeg har ikke hørt om andre kommuner som har gjort noe liknende. På tvers av alle politiske partilinjer har de stått sammen for rv. 9. Det fortjener nasjonal oppmerksomhet. Derfor tar jeg opp dette fra denne talerstolen i dag. Deres engasjement gjør det lettere å jobbe videre for en viktig vei som går gjennom flere fylker,

For ikke å snakke om at statsråd Ketil Solvik-Olsen i vår var i Arendal med penger, slik at det ikke ble stopp i planene for strekningen E18 Arendal–Tvedestrand. Nå venter vi alle på Sørlandet spent på vårt eget budsjett og på om også E18 Arendal–Tvedestrand er inne der, slik at spaden kan bli satt i jorden og strekningen ferdigstilles i 2018. Det hadde vi kanskje fortjent etter å ha ventet i 50 år. Ikke holder jeg innlegg i trontaledebatten uten også å nevne Arendal Lufthavn Gullknapp, som i grevens tid nå i juni fikk konsesjon. Arbeidene på Froland er i full gang, og vi gleder oss til åpningen i 2015. Dette er saker det har vært jobbet hardt med, men før det ble en realitet med en Høyre–Fremskrittsparti-regjering, var det ikke mulig. Det var ikkje mykje om likestilling i trontalen. Det er

som blir helsefagarbeidarar. «Det er bra med flinke piker, men dårlig kjønnsbalanse er ikke bra for læringsmiljøet.» Det sa rektoren ved Universitetet i Oslo i samband med den høge kvinneandelen på haustens opptak til høgre utdanning. Det er kanskje på høg tid at me òg reiser diskusjonen om kjønnsbalanse i yrkesfaga – for å fremja rekruttering til faga, auka likestilling og Men ansvaret for betre kjønnsbalanse kan vel kanskje ikkje overlatast til 15-åringane åleine. For at fleire skal velja yrkesfag – og kjønnsutradisjonelt – må me ta grep på fleire område. Me må ha betre rådgjeving allereie på ungdomsskulen. Dersom me har god rådgjeving der rådgjevarane også kan litt om yrkesfag, kan me gje ungdommen vår dobbelt så mange moglegheiter. Dersom ein skal velja yrkesfag, må ein òg vita at det gjev ein kompetanse, at det gjev kompetansemoglegheiter. Y-vegen er ein ting – eg synest at fagbrev bør

for omval. Eg trur at yrkesfagleg påbygg kan vera eit godt alternativ. Den raud-grøne regjeringa la i Meld. St. 20 for 2013–2014 godt til rette for dette gjennom forsøk med vekslingsmodellar. Så til fellesfaga – eg er nøydd til å seia noko om dei. Eg er så glad for ein som er lærling i industrimontørfaget. Han skriv i ein artikkel i Morgonbladet:

på alvor. Det er fint å yrkesretta faga, men me må sørgja for at me i kampen mot

i samfunnet. Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Mange viktige reformer er i støpeskjeen, og vi er i gang med å levere det vi lovet. En av regjeringens hovedsatsinger er å fornye og forbedre politiet og beredskapen, for at vi i framtiden skal ha trygghet og sikkerhet for våre verdier.

må bygges på et demokratisk lovverk og samfunnets evne til å håndheve dette. Det er derfor grunn til å undres over at politireformen, allerede før den er formulert, karakteriseres som en sentraliseringsreform av Senterpartiet, og at Arbeiderpartiet nå sier at de inviterer til en bred politisk debatt om reformen. Vel, den eneste invitasjonen jeg har sett til dette, kommer fra justisministeren, og den sa Arbeiderpartiet nei til. Når det er sagt, håper jeg likevel at vi kan få en størst mulig enighet om hovedlinjene i politireformen. Høyre vil i alle fall bidra til dette. En reform med solid støtte i Stortinget vil gi politiet den ro og stabilitet de trenger – og jeg vil si fortjener for å gjennomføre reformen. Vi har et godt politi i Norge, men det er et politisk ansvar at politiet er i stand til å møte de nye utfordringene og oppdragene i framtiden. Det er derfor gledelig at trontalen så tydelig vektlegger at tryggheten i samfunnet er så viktig for regjeringens prioriteringer samfunnet er så viktig for regjeringens prioriteringer framover. Hva kjennetegner et demokrati? Det har vi brukt hele 2014 på å debattere. Gjennom markeringen av grunnlovsjubileet har vi fått rikelig anledning til å få fram betydningen av frie valg, maktfordeling og menneskerettigheter. Jeg mener det nå er på tide at Stortinget tar sitt ansvar når det gjelder å løfte den andre bærebjelken i vårt demokrati, nemlig journalistikken. Mediene opplever – internasjonalt og i Norge – dramatiske endringer. De tradisjonelle papiravisene opplever sin verste krise noensinne. Norsk Journalistlag rapporterer at de har mistet over 700 medlemmer siden 2008. Så langt i 2014 er 352 journalister blitt sagt opp på grunn av nedbemanning, i tillegg til flere hundre journalister bare i Skandinavia. I dette bildet er det mildt sagt urovekkende at trontalen ikke inneholder et eneste ord om mediepolitikk. Det er jo ikke sånn at det mangler Sentrale spørsmål er: Hvordan skal vi sikre norske aviser i den digitale transformasjonen? Hvordan skal vi bidra til fortsatt mediemangfold i en tid med stadig mer eierkonsentrasjon? Hvordan skal vi sikre en sterk allmennkringkaster som bidrar til mediemangfold? Hvordan skal vi styrke norske aktører i en svært tøff internasjonal konkurranse? konkurranse? Hvordan skal vi bidra til at internasjonale aktører som Google og Facebook – som nå tar stadig større markedsandeler – betaler skatt og bidrar til det norske mangfoldet? Hvordan skal vi stimulere til at norsk språk og kultur styrkes i en verden som blir stadig mer omskiftelig? Hvordan skal vi sikre ytringsfriheten i en verden som blir stadig mindre? Dette burde være spørsmål som sto høyere på regjeringens dagsorden. Dessverre opplever vi en passiv regjering, som er mest opptatt av å markere avstand – armlengdes avstand. På mediefeltet har nesten alle forslag fra regjeringen gått i stikk motsatt retning av hva medieaktørene etterlyser. Regjeringen har foreslått kutt i produksjonstilskuddet til norske aviser og kutt i NRK-lisensen. Nå planlegger de å innføre moms på det frie ord. Konsekvensen av en slik politikk kan bli fortsatt oppsigelser av journalister mindre mediemangfold, som kan representere en utfordring for demokratiet. Heldigvis ser det ut til at det er et flertall på Stortinget som vil i en annen retning. Vår historiske oppgave er å sikre at landets innbyggere får sine grunnleggende rettigheter ivaretatt. Da er beskyttelsen av det frie ord helt sentralt.

Folkeparti vil ivareta et levende lokaldemokrati samtidig som vi fornyer, forenkler og forbedrer. Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet nedlegging av fylkeskommunen som forvaltningsorgan. Det er noe underlig for meg, da jeg mener vi trenger et folkevalgt nivå mellom primærkommuner og stat, en samordnet motvekt og motkraft mot opphopning av statlig Jeg hører en viss uro fra kommunene i reformprosessen, der følgende spørsmål reises: Hva med oppgavene i fylkeskommunen? Jeg er derfor fornøyd med at Kristelig Folkeparti og Venstre har fått regjeringens støtte til å videreføre et folkevalgt politisk mellomnivå med enten færre fylkeskommuner eller nye regioner. Fylkeskommunegrenser skal uansett ikke være til hinder ved reformprosesser og endringer.

direktorater og departementer. Her er en rekke politiske forhold, både skjønnsforhold og avgjørelsesmyndighet, som heller burde ligge i en folkevalgt politisk styringsmodell. Da blir dette en reell politisk maktreform og ikke bare grensejusteringer. Det er nemlig viktig at dagens fylkeskommuner får nye og andre oppgaver enn i dagens situasjon, og ikke blir en slags «overkommune» uten at nye oppgaver tildeles utenfra. Folkeparti har tro på, og vil bidra til, at kommunereformen vil føre til en offensiv by-, tettsteds- og distriktspolitikk som gjør det mulig å bo og arbeide og drive konkurransedyktig næringsliv og ha likeverdige tjenestetilbud i hele landet. Det er dette som er målet for reformen. Da må vi sørge for å ha både et tempo og et innhold som støtter formålet.

Økt framkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn ligger til grunn for Arbeiderpartiets samferdselspolitikk og våre prioriteringer i Nasjonal transportplan, som Stoltenberg-regjeringen la fram, og som Solberg-regjeringen nå skal bli målt på. Siden 2005 har samferdselsbudsjettet økt med 90 pst. Vi skal bygge landet. Arbeiderpartiet er stolt av at vi nå gjennomfører tidenes samferdselsløft med rekordhøy utbygging av vei, jernbane og havner, som Nasjonal transportplan legger opp til. Denne storsatsingen må videreføres i årene som kommer. Men etter å ha hørt statsråd Solvik-Olsens tale til Vegforum Trøndelag forrige uke, og ikke minst i dagens debatt, er jeg litt i stuss. Statsråden uttalte at han ikke ønsket å bli målt på bevilgninger sammenlignet med sine forgjengere, men på reformarbeidet. Skal vi nå, når vi har planlagt for tidenes samferdselsløft, få en ørkesløs ideologisk tilnærming til organisering av offentlige oppgaver, eller skal vi få fart på bevilgningene og fri bane der det i dag har en tendens til å proppe seg til i systemet? Den store utbyggingstakten på vei i årene som kommer, vil kreve store planleggingsressurser hos kommunene og statlige etater, gode kontraktsformer og en fleksibel organisering for å sikre god framdrift i prosjektene. Fra den forrige regjeringen ligger det en rekke forslag på bordet Arbeiderpartiet ønsker å bygge mest mulig vei for pengene. Arbeiderpartiet støtter bruk av bompenger, ikke fordi vi ønsker å plage folk, men fordi det er et spleiselag mellom dem som bruker veien og myndighetene, som gjør at vi kan få bygd ut flere veier raskere. Denne holdningen står det nå et helt storting bak. Da behøver vi en bompengepolitikk som utvikler denne finansieringsordningen, ikke en politikk som skal tåkelegge den, ikke en politikk som skal tåkelegge den, eller et politisk lederskap som retorisk distanserer seg fra den politikken det fører. Regjeringen åpner for at nedbetalingstiden på bompengeprosjekter kan forlenges. Dette skjer på E18 gjennom Vestfold. Bompengetaksten reduseres, men baksiden av medaljen er at innkrevingstiden forlenges fra 15 til 20 år. Økte rentekostnader gir en ekstraregning som regjeringen ikke kan kjøre fra.

Vårt svar er at vi må bygge mer for å møte befolkningsveksten. Det krever mer politikk og ikke kun marked, slik Høyre later til å tro. Tre enkle grep, som vil virke raskt, er å styrke Husbanken, ikke kutte, slik som høyresiden gjør, bygge flere studentboliger, og så trenger vi et taktskifte for boligbygging i og Derfor har Arbeiderpartiet foreslått at staten skal ta en større del av regningen for infrastruktur dersom det bygges nok boliger langs kollektivknutepunktene. Det er framtidsrettet, og det er klimavennlig. Skal vi nå målet om et nullutslippssamfunn, må det også skje et grønt skifte i byggsektoren. Ved å bygge hus som produserer mer energi enn man bruker, kan byggene våre gå fra å være en del av klimaproblemet til å bli en del av Et strålende eksempel er plusshuset ute på Kjørbo, som Powerhouse-alliansen står bak. Det er viktig og bra at private aktører er spydspisser, men det er på tide at staten også blir et lokomotiv i det grønne skiftet. Statsbygg har allerede laget et virtuelt plusshus. Nå mener vi at tiden er inne for at staten også bidrar til å bygge det første offentlige plusshuset. På den måten kan vi bidra til teknologiutvikling og et grønt skifte. Så vet vi at vi blir stadig eldre, og flere har lyst til å bo hjemme lenger. I 2040 vil det bo eldre mennesker i en fjerdedel av boligene i landet. Det er i dag vi bygger de boligene som skal huse eldrebølgen. Da må vi bygge slik at folk kan bo hjemme lenger. Derfor er det en dårlig investering i framtiden når regjeringen ønsker å svekke kravene til tilgjengelighet i boliger. Debatten om snusirkel og krav til tilgjengelighet er ikke en teknisk debatt om centimeter. Det er en verdidebatt. Det handler dypest sett om hvilke samfunn vi vil ha. vi vil ha. Arbeiderpartiet vil bygge et samfunn der alle mennesker har frihet til å velge hvor man vil bo, frihet til å ha et sosialt liv hvor man kan besøke venner og familie, og frihet til å leve selvstendige liv. Det er disse frihetene Høyre og Fremskrittspartiet angriper når de går til kamp mot tilgjengelighetskravene. Vår ambisjon er å bygge landet. Det skal vi gjøre i fellesskap, og vi skal skape et inkluderende samfunn der alle får mulighet til å bidra. Slik ruster vi oss best for framtidens utfordringer. Ein etter ein kjem dei opp på talarstolen og proklamerer at alt som går bra i dette landet, er eit resultat av handlekrafta til den nye regjeringa. Eg er sikker på at dersom vi andre menneskelege her i salen berre hadde halde kjeft og late den blå-blå sjølvtilfredsheita få lov til å utfalde seg fritt og hemningslaust, hadde dei også tatt æra for den nydelege sommaren vi har hatt, for så fine somrar var det jo ikkje under dei raud-grøne! Denne sjølvtilfredsheita er eit symbol på det som er Noregs eigentlege fiende. Overdriven tru på eigne evner førte til hybris i det antikke Hellas. Det var straffa frå gudane for dei som mista kontakten med verkelegheita og fortapte seg i seg sjølve og si eiga fortreffelegheit. Ja, vi er eit land med stor rikdom, god velferd, fordeling og likestilling – bygd på ein samfunnsmodell som alle amerikanarar ville kalla sosialistisk. Men nei, det betyr ikkje at alt som står på spel, er kven som har æra for historia, og kven som har sørgt for det gode Kontakt med verkelegheita må bety å sjå dei alvorlege utfordringane Noreg og verda står overfor, og audmjukt jobbe saman for å løyse dei. Fordi vi har store ressursar, har vi også moglegheiter til å satse og til verkeleg å risikere noko for framtida vår. Kva om det var utgangspunktet for næringspolitikken? Da kunne vi ha møtt velferdsutfordringa, med éin av tre eldre og potensielt pleietrengjande i framtida, gjennom å revolusjonere både bruken av teknologi og måten å organisere helse og omsorg på – ikkje med småprosjekt her og der, ikkje med pilotprosjekt innan telemedisin eller e-helse, men gjennom ei nasjonal storsatsing som både skaper betre og meir menneskevenleg velferd og samtidig løftar ei IKT-næring som vi veit vi kjem til å trenge i framtida. Innanfor utdanning der det går føre seg ei enorm utvikling internasjonalt når det gjeld digitalisering av industriprosessar, har Noreg stilt seg på utsida. Innanfor det marine feltet er det verkeleg mogleg for Noreg å vere verdsleiande når det gjeld berekraftige løysingar, men der vel ein å selje seg ut av oppdrett og auke Eg håper vi kan bevege oss ut av dette tilbakeskodande og sjølvopptatte året, sjå framover, løfte blikket og kanskje tore å verkeleg satse noko som land. Jeg vil starte med å

Kommunene forbereder seg i hvert fall ikke på det. De forbereder seg på store kutt i velferdstilbudet sitt med bakgrunn i det regjeringen har sagt så langt, det som ligger i kommuneproposisjonen, og det som ligger av nye utfordringer i den politikken som er ført i 2014. Jeg tenker da spesielt på det som ikke har skjedd når det gjelder inndekning av som man ikke vil dekke opp, som KS nå sier at er på så mye som 2,5 mrd. kr, som kommunene må ta. I tillegg vet vi at det er stor underfinansiering i barnehagene. Men med det som er sagt her i dag, kan vel kommunene se fram til å slippe de store kuttene – eller? Dette vil ikke minst mitt hjemfylke takke for og se fram til. De vil være veldig tilfreds. Det er et av de fylkene som dramatisk dårlig ut med regjeringens politikk så langt. Den nye fordelingsnøkkelen rammer Nordland – og vi har også hørt Sogn og Fjordane og flere andre fylker – ekstra hardt. Vi husker også ennå veldig godt kuttene i de regionale utviklingsmidlene, på 0,5 mrd. kr, som gikk ut over Nordland med 66 mill. kr. Men i dag har vi hørt fra Høyre at regionale utviklingsmidler, det vil ikke fylkeskommunene ha. Sånn er det selvfølgelig ikke. I tillegg ble ikke Nord-Norge kompensert for arbeidsgiveravgiften, i hvert fall ikke fylkeskommunene – så langt. Jeg er glad for at denne regjeringen har innsett at skattekuttene har ført til velferdskutt, om vi skal tro på dem, og at de retter opp dette når budsjettet legges fram på onsdag. Vi skal mulighetenes samfunn. Vår oppgave som folkevalgte er å forstå de store spørsmålene i vår tid, vite hva de krever av oss, at vi er villige til både å trekke på viktige erfaringer og til å tenke nytt. Arbeiderpartiet vil støtte en politikk der vi velger å møte utfordringene som fellesskap. Vi er tydelige på dette: Vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet sammen. Vi skal bygge nytt – det har vi hørt i dag – vi skal bygge om, og vi skal bygge på. Og vi skal ta hele landet i bruk. Vi vil ha et land der by og land henger sammen, ikke et land som avvikler vellykkede virkemidler for å ta hele landet i bruk, som vi så langt har sett av dagens regjering. Til slutt litt om samferdsel: Vi får vente og se om det blir fornye, forenkle og forbedre, eller om det blir fordyre, forsinke og forlenge. Det har vært bred tverrpolitisk enighet om å satse på kunst og kultur for hele landet. Å bygge kulturhus, støtte arrangører og festivaler har vært viktig for

Men da trenger vi arrangører som har økonomi til å kunne presentere innhold. Regjeringen har sagt at den skal satse på talenter. Det er bra. Men en kan aldri bygge noe ovenfra og ned. Vi må begynne med grunnmuren. Også all talentutvikling begynner nedenfra og i bredden. Derfor må vi fortsette satsingen på øvingsrom og annen tilrettelegging sånn at talenter får utfolde seg. Musikkutstyrsordningen kan gjøres tilgjengelig for alle sjangrer, også kor og korps – det ville være å gjøre nye løft for breddekulturen. Regjeringen har sagt at den vil gi kulturen frihet. Til nå har denne friheten stort sett bestått i å prioritere sine egne kutt. Dette har særlig rammet det frie feltet, et felt som det i regjeringserklæringen det i regjeringserklæringen står at regjeringen selv ønsker å prioritere. Dette mangler helt kulturpolitisk troverdighet. Kulturrådet, som ivaretar det frie kulturfeltet, fikk i 2013 store kutt. Regjeringen tar ikke ansvar for disse kuttene, men gjør Kulturrådet til syndebukk. Det er gjennomskuet. Jeg vil Innkjøpsordningen for bøker er i endring, men vi hadde aldri sett for oss at det skulle ramme barn og unge. Det var heller aldri biblioteksjefenes intensjon da de etterlyste en revisjon. Dette vil i særlig grad gå ut over skolebibliotekene, som fra før av – med noen hederlige unntak – sliter med dårlig bemanning og dårlige samlinger. Noen sier at vi ikke er en kulturnasjon, men en skinasjon. Vel, for å bygge en kulturnasjon kreves det i hvert fall møysommelig arbeid over lang tid. Arbeiderpartiet var godt i gang med å legge stein på stein og bygge fra bunnen av. Vi fikk til og med kritikk til tider for å gjøre for mye, bygge for mange hus. I dagens Stavanger Aftenblad går Trude Marit Risnes, direktør i Stavanger symfoniorkester, ut og er bekymret. Da den rød-grønne regjeringen gikk av, mistet vi planverket for kulturlivet, nemlig Kulturløftet. Jeg vil avslutte med å si at den sittende regjeringen plukker vekk steiner fra den kulturelle grunnmuren, og det vil framtiden måtte betale for.

Det kan vera på sin plass med litt fakta om denne ordninga. Fylkeskommunen overtok i 2010 ansvaret for dei fleste riksvegar som ikkje var stamvegar. Forvaltningsreforma hadde som føremål å setja fylkeskommunane i stand til å prioritera fylkesvegane. Rammetilskotet til fylkeskommunane vart derfor auka med 1 mrd. kr utover overføringa frå Samferdselsdepartementet sitt budsjett. I NTP for perioden 2014–2023 sette Stoltenberg II-regjeringa av 17,5 mrd. kr til ein ekstraordinær innsats for fylkesvegnettet. Det blei også sett av ein pott på 10 mrd. kr til fornying og opprusting av vegnettet i form av auke i det fylkeskommunale rammetilskotet, og dette var altså ei nysatsing. I tillegg vart det sett av ein pott på 7,5 mrd. kr til rassikring av fylkesvegar. Det var ein auke på 50 pst. i høve til førre NTP.

Gjennom ulike budsjettlekkasjar ser det ut til at Solberg-regjeringa nå vil vidareføra rentekompensasjonsordninga med ei årleg ramme på 3 mrd. kr. Og slik eg har forstått det, føreset ein at fylkeskommunane vil låna desse tre milliardane, og midlane har visst allereie vortne fordelte etter ein eigen fordelingsnøkkel. Oppe i dette undrar eg nå: Vil fylkeskommunane kunna ta opp ytterlegare lån for å vedlikehalda fylkesvegane? Er det ikkje heller friske pengar dei treng? Og er det lurt å ta opp lån til vedlikehald av vegar? I vedteken NTP skal rammetilskotet til fylkeskommunane auka med 10 mrd. kr i perioden. Vil desse friske midlane fortsatt verte stilte til disposisjon for fylkeskommunane? Viss denne sildrelekkasjen er karakteriserande for det budsjettforslaget me skal få presentert på onsdag, så er det i alle fall ikkje eit budsjett der det fløymer over av godsaker som me har i vente. I trontalen presenterer regjeringen en ny satsing på vei, jernbane og kollektiv, og spesielt er I trontalen presenterer regjeringen en ny satsing på vei, jernbane og kollektiv, og spesielt er det byområdene som skal merke resultatene av kollektivsatsingen. Dette er viktige prioriteringer som vil øke framkommeligheten og gi økt trafikksikkerhet – håper vi – og bidra til at vi kan nærme oss flere av våre klimapolitiske målsettinger. i Kristelig Folkeparti er glad for disse tydelige signalene og ser fram til at politikken blir realisert. Det er imidlertid grunn til bekymring når vi i 2013 fikk en forholdsvis sterk, markant økning av antall drepte i trafikken, en trend som – så langt – fortsetter inn i 2014. Dette er en utvikling som vi ikke kan slå oss til ro med. Det er derfor helt nødvendig, i tillegg til bygging av sikrere veier, å fokusere på alle typer tiltak som kan bidra til at vi kan snu denne utviklingen, med tanke på vår visjon om null drepte og hardt skadde. Her vil jeg på vegne av Kristelig Folkeparti utfordre regjeringen til å komme med en samlet, nasjonal tiltaksplan basert på kunnskaper og dokumenterte erfaringer, som kan gi landet vårt en ny retning når det gjelder antall drepte og Hvert liv som går tapt, er en menneskelig tragedie som angår mange, i tillegg til at det koster samfunnet store beløp. På Sørlandet har vi de siste årene hatt store framkommelighetsutfordringer på E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Med prognoser som tilsier en dobling av tungtrafikken fram mot 2040, og en ulykkesstrekning som hadde det høyeste antall drepte og hardt skadde blant stamveiene i Norge, er det helt nødvendig å opprettholde maksimalt fokus på planlegging og utbygging til firefeltsvei på denne strekningen. Jeg er derfor glad for at samferdselsministeren har gitt Vegvesenet klarsignal til å planlegge hele strekningen som fire felt. For Sørlandet er det også viktig at vi fokuserer på optimal framdrift på E18 Arendal–Tvedestrand og Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim vil ikke bare kunne knytte bysenter og distrikt sammen på en ny måte, men vil også kunne bli en utslippsfri E39. Visjonen om å produsere energiforbruket denne stamveistrekningen har behov for fra ulike kraftinstallasjoner langs korridoren, vil kunne få stor betydning langt utover Norges grenser. Realiseringen av et prosjekt med en slik visjon vil imidlertid kreve at det avsettes midler til forskning og utvikling i en størrelsesorden på ca. 3 pst. av de totale kostnadene på anslagsvis 150 mrd. kr. Det vil være en investering for framtiden som klart vil betale seg gjennom lavere kostnader på sikt, smartere bygging samt materialer som har lavere utslippsegenskaper. Jeg vil

Vi som er så heldige at vi får være folkevalgte i dette fantastiske landet, eller folkets representanter, som kongen sier i trontalen, har som jobb å gjøre hverdagen for folk litt og litt bedre, litt og litt enklere. Et av de store globale utviklingstrekkene er at flere flytter til byer og bynære strøk, også i Norge. Vi kan og bør selvsagt bremse veksten i byene, men å stoppe den er antakeligvis ikke mulig, verken globalt eller i vårt land. Vi skal ha og må ha en distriktspolitikk, men vi skal ha og må ha også en storbypolitikk – en aktiv og framtidsrettet storbypolitikk, der vi har løsninger på framtidas utfordringer som: Hvor skal folk bo, og hvordan skal folk transporteres? Framtidig trafikkvekst i Oslo og Akershus og andre storbyområder må tas kollektivt, med bane, buss og båt, med den nye Follobanen, med bane til Fornebu og bane til Ahus, Akershus universitetssykehus i Lørenskog, og videre til Lillestrøm. Ny jernbanetunnel og ny T-bane i Oslo vil også måtte bygges og sjølsagt intercitystrekningene på Østlandet supplert med ny Ringeriksbane. Tar vi med opprustning av Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen, begynner vi å få et godt banetilbud i hovedstadsområdet. I VG 4. september under overskriften «Tut og kjør!» er ikke leder av transportkomiteen snau. Nå skal NSB-monopolet knuses av de blå-blås slegge, kan vi lese, og komitélederen uttaler: «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.» I replikkordskiftet med samferdselsministeren tidligere i debatten prøvde jeg å få klarhet i hva dette egentlig betyr. Hva er det som skal knuses og skvises? men jeg antar at det er NSB som regjeringen nå vil til livs. I dag la NSB fram resultatet sitt for de første åtte månedene i år. Det viser et rekordresultat, 1,4 millioner flere togreiser enn samme periode i fjor, så noe bra må da NSB gjøre. Jeg håper ikke regjeringen ødelegger det.

Pasientens helsevesen har vært nevnt. For Venstre er det viktig å investere i god helse og pasientens helsevesen. Vi står framfor en god del store investeringer i helsesektoren. Forholdet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er således viktig – hva de nye kommunene som vi diskuterer, skal levere av tjenester innen helsesektoren. På den andre sida står vi overfor sykehusstyrer som ønsker seg store investeringer i visjonære bygg og miljøer. Dette fører oss inn i en spagat der vi som politikere har en utfordring med å følge med på hvilken tjenesteutvikling som skjer på de ulike nivåer.

pasient. Særlig når det gjelder ruspasienter, er ettervernet veldig viktig. I dag er vi i den situasjon at vi årlig, på statens regning, investerer mye i avrusing av mange pasienter, mens vi har en primærhelsetjeneste og en kommunesektor som ikke er i stand til å ivareta de pasientene som vi har brukt så mye penger på. Her er vi nødt til å få bedre samhandling mellom statens bruk av midler og det tilbudet som kommunesektoren skal gi. Det vil ikke bare kreve investeringer i bygg, men også kreve en kompetanseflyt mellom de nivåene, som vi i dag ikke er helt i nærheten av å få til. Det vil bli en viktig oppgave at vi i forbindelse med primærhelsemeldinga, som vi skal få til diskusjon i salen neste år, og i forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan og folkehelsemeldinga, bruker en del politisk debatt på å sette våre politiske rammer for hvilket helsevesen vi ønsker for framtida og tar med kommunesektoren på råd: Hvilken kapasitet, hvilke ressurser er det vi skal ha nye kommuner til å bidra med? Særlig gjelder dette for dem som i dag er rusavhengige, og som vi ikke lykkes godt nok med å føre inn som aktive borgere for framtida. Under et replikkordskifte tidligere i dag uttrykte Høyres Kristin Vinje at hun syntes det var synd at jeg ikke var fornøyd med Lærerløftet som regjeringen relanserte sist tirsdag. La meg få lov til å forklare den misnøyen. Mange hadde store forventninger, særlig etter høstens konflikt mellom lærerne og KS. Representanter fra regjeringen var relativt tidlig ute og tydelige på at her kom det til å skje endringer. Mitt spørsmål tidligere i dag var hvilke tiltak i regjeringens lærerløft som vil hjelpe elevene og lærerne her og nå, og ikke først om tre–ti år – svaret var skjerpede opptakskrav på lærerutdanningene. I denne står det at det først skal skje

Det er mange gode poeng, mye er tilpasninger av ting som allerede er på gang, men handlekraften er ikke imponerende. Det er også interessant å se regjeringens prioriteringer opp mot hverandre. I fjor tok det bare noen dager å gi milliarder i skattekutt, mens kunnskapsministeren på sin side måtte ta fra elevene for å finansiere sine Det er mye studiepoeng og karakterkrav i regjeringens lærerløft. Jeg er ikke uenig i mange av disse tiltakene. Likevel må vi passe oss for at vi ikke blir for snevre. Videreutdanningssystemet for lærere må fortsatt styrkes, slik at det kan favne bredere. Regjeringen har til nå kun satset på matte og naturfag. Hva f.eks. med lærerne til de 80 000 elevene som velger yrkesfag? Vi må tørre å forplikte oss selv og skoleeier til å avbyråkratisere skolen mer enn vi har turt til nå. Her har vi ikke tatt de grepene som trengs, og jeg synes også ministeren i debatten i dag er altfor lite konkret. Flere yrkesgrupper inn i skolen kan avlaste lærerne og spille en viktig rolle for læring. Vi må f.eks. ha flere Vi må videre i arbeidet med tidlig innsats, flere pedagoger må ansettes for å avdekke, avlaste og hjelpe både lærere og elever tidlig. Dette koster penger, enten regjeringen vil eller ikke. Regjeringen er fornøyd og sier at de nå gjør det de sa de skulle gjøre i valgkampen. Det er i og for seg riktig det – i skilpaddefart. Problemet er at

og vi har vært heldige, bl.a. med ressursene, men det handler om mer enn det. Vi har valgt å organisere Norge med utgangspunkt i en fellesskapstanke, hvor like muligheter, likeverd og små forskjeller har vært bærende ideer. Disse ideene har krevd at vi har innrettet politikken deretter. Det kan oppsummeres i tre punkter: sterke offentlige velferdstjenester, et velorganisert og trygt arbeidsliv og et spleiselag hvor man finansierer velferden, og hvor man beskattes etter evne for å dempe forskjeller. Det har alltid vært høy oppslutning om en sånn innretting av politikken i Norge, men det betyr selvsagt ikke at alt har vært og er som det burde være. Ikke alle får den hjelpen de trenger og fortjener, og for mange faller utenfor. Velferdssamfunnet vårt trenger derfor stadig å fornyes, og vi må se kritisk på hva og hvordan vi prioriterer våre felles ressurser. Men det betyr ikke at en skal kaste vrak på det som er det mest vellykkede med det norske samfunnet, nemlig et samfunn bygget på fellesskap og solidaritet. En skal være forsiktig med å male en viss person på veggen i norsk politikk. Likevel er det grunn til å advare mot det som ser ut til å være et forsøk på å demontere det norske velferdssamfunnet fra Høyre–Fremskrittsparti-regjeringas side. Vi skal alle ta et ansvar for å fornye og forbedre viktige samfunnsområder, men å svekke arbeidsmiljøloven, kommersialisere og øke privatiseringa og byråkratiseringa av helsevesenet, kutte skattene kraftig for de aller rikeste og ukritisk selge ut fellesskapets ressurser er ikke en politikk som er til det beste for folk flest. Det har dagens regjering fått klar melding om når de har sendt ut sine forslag på høring, men regjeringa – med det såkalte kunnskapspartiet Høyre i spissen – ser ikke ut til å være nevneverdig interessert i det. Ideologiske hensyn trumfer hensynet til hva som tjener menneskene. Var det ikke noen som i valgkampen stadig vekk sa: «Mennesker, ikke milliarder». Hvor er menneskene blitt av? Norge er

som er i gang med arbeidet, og har et proaktivt forhold til disse endringene. Regjeringen løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Verdier må skapes før de kan fordeles, og vår velferd er i stor grad basert på at vi har en høy yrkesdeltagelse og et konkurransedyktig næringsliv. Rammen for verdiskaping er viktig, og vi har gjennom flere år opparbeidet oss et høyt kostnadsnivå i forhold til våre handelspartnere. Videre har veksten i produktivitet vært svak over noen år, og selv om petroleumssektoren har hatt et høyt investeringsnivå, gjenspeiler dette seg dessverre ikke i fastlandsindustrien, som har investert lite i de siste årene. Det er bra at regjeringen i februar oppnevnte en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og komme med konkrete forslag til hvordan vi kan styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi. Det er også bra at regjeringen varsler at det skal investeres mer i infrastruktur, mer i kunnskap og forskning og mer i innovasjon. Alle disse elementene er viktige vekstfaktorer for næringslivet og vår fremtidige konkurranseevne. Vi er i gang med å levere det vi lovet. Arveavgiften er fjernet, vi har redusert skatt for bedrifter og personer, og regjeringen varsler at den vil fortsette arbeidet med å redusere skatter og avgifter. Dette er viktige bidrag for å gjøre vår industri og norske arbeidsplasser mer konkurransedyktige og lønnsomme. Det er på mange måter spesielt at vi har en formuesskatt som i realiteten betyr at vi favoriserer utenlandske eiere på bekostning av norske eiermiljøer. Vi ønsker å styrke den private kapitalbasen og stimulere til at mer norsk, privat kapital investeres i norske bedrifter og norske arbeidsplasser I meldingen til Stortinget om Norges tilstand går det tydelig frem at nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen har innledet et nytt kapittel i nordområdesatsingen gjennom en økt vektlegging av kunnskapsdrevet næringsutvikling. Nordområdene er i et næringsperspektiv mulighetenes områder med bl.a. rike naturressurser og muligheter for nye seilingsmønstre som følge av høyere temperatur og mindre havis på den ene siden, men også spesielle utfordringer når det gjelder miljø og en bærekraftig utvikling på den andre siden. Det er viktig at regjeringen fremover fører en aktiv nordområdepolitikk, som også er varslet i

at alle disse menneskene havner i helsevesenet? Hvordan skal vi unngå at så mange faller utenfor, at så mange faller ned fra brua og ned i elven, når vi går over sammen? Hvordan skal vi hindre at barn som kommer i barnehagen med blåmerker, går hjem uten at blåmerkene blir oppdaget? Hvordan skal vi hindre at barn går på skolen og føler at de ikke blir sett? Det er jo det trontaledebatten skal handle om – våre løsninger for det neste året, ikke floskler om skattekutt, om kapitaltroner og kapitalløse, framfor frukt, framfor sunnhet. Det snakkes mer om det som har vært, om det man har fått til det siste året, enn det man har lyst til å gjøre. Jeg hører enkle budskapsfraser utformet på noen kommunikasjonskontorer mer enn om det Høyre og Fremskrittspartiet har lyst til å gjøre. For oss i Arbeiderpartiet er det så mye viktigere at alle sammen blir sett. Det er derfor vi sier at vi ønsker flere lærere, for er det noe som det er verdt å investere i for Og selv om det er noen komma og noen null-komma-paragrafer som viser at det har litt mer effekt med etter- og videreutdanning av lærere, betyr det så mye for at den enkelte skal holde seg i skolen, at en blir sett, at en får tidlig oppfølging, og at en får tett oppfølging når en har det tøft. Det er akkurat det samme når det gjelder livsstilssykdommer, som vi ser mer av i samfunnet vårt i dag. Det er derfor Arbeiderpartiet satser på skolefrukt først, som et trinn som fører til en sunnere hverdag i en del av en verden der vi ser livsstilssykdommene blomstre, der vi ser kreft, der vi ser diabetes, der vi ser fedmen øke, og der barn blir mobbet for hva de får i seg, det de får av sine foreldre. har vi ikke fått noen løsninger for. Vi har heller ikke fått svar – fordi formuesskatten er så mye viktigere. Det er ikke mennesker som er viktig for posisjonen i denne trontaledebatten; det er milliarder, det er kapitalformuene, det er kapitaleierne, det er kapitalistene. Det er tydelig at Reiulf Steen hadde rett den gangen han sa at hjertet at hjertet banker på venstre side, og det er der Arbeiderpartiet er, fordi vi setter mennesker foran milliarder, og vi setter skole, eldre og barn foran skattekutt. Sist torsdag fekk vi høyre den beste trontalen på åtte år. Det var ein trontale med optimisme, framtidstru og vilje til endring. Dette er ei strålande oppfølging av valsigeren til Høgre–Framstegsparti-regjeringa. Det er svært gledelig å sjå at regjeringa allereie er godt i gang med å gjennomføre viktige endringar på mange område for å gjere Noreg til eit endå betre land å bu i, og vi har allereie sett ei handlekraftig regjering. Regjeringa løyser viktige oppgåver i dag for på den måten å ruste Noreg for framtida. Den blå-blå regjeringa baserer sin politikk på tillit til enkeltmenneske, familien og lokalsamfunn og gjer det klart i trontalen at ho vil bruke alle gode krefter for å leggje forholda betre til rette for verdiskaping, gründerar og frivillige lag og organisasjonar. Dette er ein svært fornuftig politikk, som står i sterk kontrast til det som den raud-grøne regjeringa har klart på sine åtte år. Høgre–Framstegsparti-regjeringa har allereie senka skattar og avgifter for vanlege folk og norske bedriftseigarar, nettopp for å styrkje konkurransekrafta og skape trygge arbeidsplasser for framtida. Vi ser også at regjeringa satsar på forsking og innovasjon for å skape ideane og løysingane verda kan leve med, og som Noreg skal leve av i framtida. Eit godt døme på dette er at regjeringa allereie i budsjettet for i år, altså 2014, løyvde 0,5 mrd. kr meir til forsking, ca. 1,5 mrd. kr meir til samferdsle og ca. 1 mrd. kr til skatteletter for næringslivet i forhold til Arbeidarpartiet sitt alternative budsjett. Sist måndag la regjeringa fram lærarløftet, som er ein av bærebjelkane i den nye kunnskapsskulen. Hovudpunkta i lærarløftet er at alle elevar skal møte ein lærar med fordjuping i matte, engelsk og norsk, det skal vere femårig masterutdanning for lærarstudentar, ein skal auke opptakskrava frå 3 til 4 i matte for å kome inn på lærarutdanninga, vidare opptrapping av etter- og vidareutdanning og innføring av forsøksordningar for nye karrierevegar for lærarar. Alt dette er svært bra. I trontalen er det i tillegg vist til mange viktige satsingsområde frå regjeringa. Samferdsle og annan infrastruktur og kvalitet i helsevesenet er viktige stikkord. Ut frå dei signala som er komne så langt, vil det bli spennande å sjå kva som kjem i statsbudsjettet om to dagar.

og det blir spennande å sjå om opposisjonen vil delta aktivt i dette utviklingsarbeidet, eller om dei vil stille seg på sidelinja også her.

Ser me oss rundt i Europa, er det framleis økonomiske utfordringar etter finanskrisa med høg arbeidsløyse, spesielt blant dei unge, og svak økonomisk vekst. Ein kan bli redd og uvel når ein ser kva som går føre seg i Syria og Irak. Me ser bilde og reportasjar som slår oss over ende og er nesten over vår fatteevne. Det er viktig å setje ting i perspektiv. Verda er i endring.

Næringslivet sjølv framhevar samferdselsutbygging som eit av dei viktigaste næringspolitiske tiltaka. Regjeringa har allereie teke grep og redusert planleggingstida på nye prosjekt. Det vil bli bygt veg raskare og meir heilskapleg framover. Det kanskje viktigaste satsingsområdet er kunnskap, vårt viktigaste framtidige konkurransefortrinn. Det vil bli gjennomført lærarløft i form av ei stor satsing på etter- og vidareutdanning av lærarar. Her blir det viktig at skuleeigar og lærarar spelar på same lag. Regjeringa varslar ein offensiv næringspolitikk, som vil stimulere til etableringar, auka investeringar, produktivitet og vekst. Regjeringa ønskjer å endre arbeidsmiljølova for å styrkje konkurransekrafta. I statsbudsjettet i fjor blei arveavgifta vedteken avvikla frå 1. januar 2014, formuesskatten blei redusert, og det blei skattelettar til næringslivet og auka satsing på forsking.

Det er eit problem med valfridom innan foreldrepermisjonen, og det er eit problem for den som blir ramma av sjukdom at det er valmoglegheiter. Vidare er ein svært opptatt av likestillingspolitikk. Men når skal folket bli likestilt med politikarar som meiner at dei veit så mykje betre kva som tener den einskilde? Det er inga god løysing at folk blir samla i flokk når dei skal ulike vegar. Derfor er eg glad for å representere ei regjering som har tru på enkeltmennesket – på mora, faren læraren eller lærlingen. Vi er ein opplyst nasjon der folk flest veit sitt eige beste og klarer å ta sine avgjerder sjølv. Denne regjeringa har også stor tru på næringslivet vårt og er opptatt av at vekstaukande skattelette skal gi enkeltbedrifter og næringsdrivande moglegheit til å skape nye arbeidsplassar framfor å la det gå gjennom skattekverna, for så å bli fordelt til verkemiddelapparatet – og så, etter ein omfattande søknadsprosess blir pengane gitt tilbake til bedriftene. Då er det enklare og betre å la bedrifta behalde meir av overskotet sjølv. Og det er noko langt anna enn å gi til dei som har mest frå før. Sist, men ikkje minst, er denne regjeringa si satsing på samferdsel utruleg viktig. På spørsmål til bedriftsleiarar i mitt fylke om kva som er det viktigaste, får vi følgjande svar: samferdselssatsing og framkommelegheit. Det er eit viktig klimatiltak også å sørgje for god framkommelegheit, der vi kan gi fortrinn til dei som vel å bruke nullutslepps- eller lavutsleppsbil – og gjerne innanfor eit kostnadsnivå i klimasaka, som mange har vore inne på, går vi frå åtte års handlingslamming – uttrykt av enkelte – til handlekraft. Denne regjeringa vil forsterke klimaforliket, vi vil styrkje klimafondet, styrkje fornybaretablering, styrkje energiomlegging og styrkje regnskogsatsing – for å nemne noko. Dette er utover det den raud-grøne regjeringa makta, for den blir nok hugsa for feilslått

Utviklingen i Ukraina har vært en sikkerhetspolitisk vekker. Folkeretten er satt til side, og vi ser igjen betydningen av NATO som sikkerhetspolitisk ankerfeste for Norge. Velgerne ville ved valget i 2013 ha nye ideer og bedre løsninger, og regjeringen leverer. Regjeringen har tatt i bruk privat kapasitet og vil gjennomføre fritt behandlingsvalg for å få ned

Støre sitt innlegg. Støre indikerte at Arbeiderpartiet vil støtte kommunesammenslåingene, og at Arbeiderpartiet ser fram til en sak om ny politistruktur. Det lover bra. Norges befolkning får nemlig ikke et så godt politi som pengebruken skulle tilsi. Det er altfor store forskjeller mellom politidistriktene hva gjelder oppklaring, operativ evne og forebygging. Å sprøyte mer penger inn i dagens politistruktur uten å gjøre vil ikke være ansvarlig av dette stortinget. Regjeringen vil at befolkningen skal få det politiet de fortjener – et synlig og kompetent politi som raskt er på pletten når situasjonen krever det, og et politi som oppklarer flere saker enn i dag. Vi ser fram til at Arbeiderpartiet også tar ansvar for dette. Gjørv-kommisjonens konklusjoner står fortsatt ved lag.

og det private. Som vanlig var ideologien viktigst og ikke hensynet til alle dem som befinner seg i en eller annen form for helsekø, en helsekø som for øvrig økte i den perioden de rød-grønne styrte landet. Videre tok Gahr Støre til orde for å ruste opp kollektivtrafikken og trafikkavviklingen i og rundt våre største byer. Men Gahr Støre sa samtidig at Arbeiderpartiet ville forholde seg tro til de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan. Ergo vil det bli mindre bygging av infrastrukturen i distriktene, for hevder man mer satsing på det ene, vil det få konsekvenser for det andre så lenge de økonomiske rammene fra Arbeiderpartiet ligger fast. Verden og Norge befinner seg i omstilling. Skal Norge makte å lede an i en bærekraftig utvikling, er det nødvendig å kunne bli mer effektive, høyne vår konkurranseevne samt redusere kostnadsnivået – en svært viktig del av hvordan vi vil kunne tilnærme oss dagens og morgendagens utfordringer. Ett eksempel er at vi har et veldig stort byråkrati, et annet er innen olje og gass og vår Mange har forsøkt å etablere sannheter som at olje- og gassressursene vil gå tomme innen 2050. Men etter de siste års funn av olje og gass gjennom fracking-metoden i USA og Canada, er det helt tydelig at verden vil ha mer enn nok olje og gass de nærmeste 150–200 år. I tillegg vil Brasil bli en stor eksportør. Fracking onshore har en langt lavere kostnadspris enn norsk offshorevirksomhet har i dag. Vi ser at marginene vil bli mindre, og at feltene må bli større om de skal kunne bli tatt i bruk. Nøkkelordet nok en gang er vårt kostnadsnivå. Hvis vi som nasjon skal møte internasjonal konkurranse, det. I så måte har regjeringen helt rett: Omstillinger, endringer og styrking av vår konkurranseevne i en globalisert verden vil bli særdeles viktig i kommende periode. Politikk spiller en rolle. Hvilke prioriteringer vi gjør i denne salen, har noe å si for samfunnsutviklingen og

ble nedstemt av de rød-grønne i åtte år. Jeg mener det viktigste er debatten om hva vi skal prioritere fremover. Men jeg må samtidig si at dagens innlegg fra rød-grønne utdanningspolitikere mildt sagt bidrar med en kreativ historiefortelling og en kritikk av dagens regjering som egentlig er rettet mot deres egen regjeringstid. Representanten Trond Giske har flere ganger kritisert regjeringen for at fordypningskravet til lærerne kommer for sent. Det er jeg helt enig i. Det kom ca. åtte år for sent. Sannheten er at de rød-grønne aldri innførte et fordypningskrav for alle lærerne. Når de nå mener at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen burde ha vært raskere, kan jeg jo anbefale rød-grønne representanter på jakt etter syndebukker isteden å ta seg en lang og god kikk i speilet. Hadde kravet vært innført for åtte år siden, ville vi ha vært ferdige innen 2017. Rød-grønn kritikk av at dette kommer for sent, kan dermed i sin helhet adresseres til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiets arv etter åtte år i regjering. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen satt i gang et massivt løft for etter- og videreutdanning av lærere. I tilleggsproposisjonen i fjor høst økte regjeringen innsatsen med over 300 mill. kr. I revidert kom ytterligere 200 mill. kr. Skal man tro Arbeiderpartiets historiefortelling, har det vært en bred enighet om å satse på videreutdanning og sikre lærerne det brede løftet de selv har etterlyst i mange år. Vel, det siste budsjettet de rød-grønne la frem før de gikk av, økte satsingen på videreutdanning for lærere med kroner null. Hadde de vunnet valget, hadde de fått fornyet tillit med nytt rød-grønt flertall, ville altså ikke dette løftet ha kommet, på tross av at man sto høy og mørk i valgkampen og lovte en dobling i inneværende periode. Når representanten Tynning Bjørnø beskylder regjeringen for å innfri løftene «i skilpaddefart», er det etter at vi har gjennomført et løft de rød-grønne lot være å gjennomføre i åtte år. Om denne regjeringen er en

Framstegspartiets Ulf Leirstein har anten følgt veldig dårleg med eller så ønskjer han å svartmåle den sterke satsinga den førre regjeringa hadde på dette området når han seier at venstresidas politikarar berre snakkar om dette i festtalar. Det fell på si eiga urimelegheit, men eg ser fram til at Framstegspartiet skal handle på dette feltet. Då justisministeren delte ut den førre regjeringas 50 mill. kr til forsking på vald i nære relasjonar, kalla han det eit taktskifte. Statsministeren har framheva arbeidet med vald mot kvinner og barn som den viktigaste kvinnesaka i sin 8. mars-tale, mens Siv Jensen trekte fram kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Til saman gjev dette oss ein god grunn til å ha store forhåpningar til det første justisbudsjettet som Anders Anundsen sjølv har teke hand om. Me er spente på å sjå om han følgjer opp. Eg er glad for at den førre regjeringas handlingsplan mot vald i nære relasjonar har brei politisk støtte. Som kjent fekk Arbeidarpartiet fleirtal her i Stortinget i år for å styrkje barnehusa – det forpliktar. Statsråd Solveig Horne har ved fleire anledningar lova å vere ein minister for barnehusa. I motsetnad til partifelle Ulf Leirstein rosar statsråd Horne ofte det arbeidet den førre regjeringa la ned på dette området. Eg reknar med at løftet frå Horne er gjeve i dialog med både justisministeren, statsministeren og resten av regjeringa. Dei har i så fall full støtte frå Arbeidarpartiet for dette. Når det gjeld debatten i dag, kan eg ikkje unngå å nemne at eg høyrde at hat blei nemnt frå talarstolen. Me kan kanskje her tenkje på ulike settingar som ein kan setje følelsen hat inn i, men me brukar ordet sjeldan. Eg må berre seie at i årets store trontaledebatt blei hat brukt om bompengar. Eg forstår at misnøya mot dette er stor i Framstegspartiet. At dei lova å fjerne alle dersom dei kom til makta og ikkje greide det, er eit faktum. Eg kan skjøne at ein kan mislike det, men å hate det – av alle tenkjelege ting eg kan kome på at eg hatar,

som innebærer en mer aktiv europapolitikk. Opprettelsen av en egen ministerpost med ansvar for koordinering av EU/EØS-saker har vist seg å være et strategisk svært viktig grep i så måte, for også norsk innenrikspolitikk påvirkes stadig mer av hva som skjer i Europa. EU-regelverk påvirker alle områder av norsk politikk og samfunnsliv. På områder som klima og miljø, energisikkerhet, forskning og innovasjon utvikler EU en ny politikk av stor betydning for Norge. Å ivareta våre interesser knyttet til EU- og EØS-saker bedre ved å komme tidligere inn i prosesser av betydning for Norge sikrer gode betingelser med EØS-medlemskapet, og tilgangen til det indre marked er avgjørende for næringslivets konkurransevilkår, verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, i dag og for framtidas velferd.

De sanksjoner EU har innført mot Russland, skjer i forlengelsen av dette. Norge har tatt selvstendige beslutninger om tiltak, men på samme grunnlag som EU – Russlands handlinger må få konsekvenser. Samtidig berører tiltakene som er innført, norske eksportrettede næringer. Regjeringen er i tett dialog med berørte bransjer om hva de tiltakene innebærer. Selv om situasjonen oppleves som krevende for flere, vil konsekvensene av ikke å stå opp for folkeretten kunne bli langt mer alvorlig. Vi må vise at Norge, sammen med våre partnere og allierte, står sammen mot brudd på internasjonal lov og rett. Jeg er tilfreds med at regjeringen vil samarbeide videre med EU og EU-land om tiltak, men et sterkt NATO vil naturligvis fortsatt være selve grunnpilaren i den norske forsvars- og sikkerhetspolitikken. La meg også først av alt få lov til å rette en gratulasjon til NTNU og

og det viser at det nytter å satse på utdanning og forskning også i et lite land som Norge. Trontalen i år har på mange måter vært forskjellig fra tidligere års trontaler. Mens mange av de foregående års trontaler har vært preget av lite politikk og kanskje lite visjoner, har man dette året satt en ny standard.

Strenge inntakskrav og det å gjøre lærerutdanningen til en femårig masterutdanning vil ha noe å si for strukturen i høyere utdanning sammen med mange andre tiltak. Slike saker er alltid vanskelige. Dragkamper mellom institusjoner og regioner som kjemper en kamp for seg og sitt, gjør ofte at debatten sporer av og at vi glemmer hva det viktigste målet er. Det er ikke sånn at et lite land som Norge kan satse mye på alt Derfor tror jeg det i bunn og grunn er sammenfallende interesser mellom institusjoner, regioner og nasjon. Det tror jeg er viktig å huske på når debatten tar til, mer spesialisering, mer spissing og økt trykk på kvalitet vil ruste Norge for framtida. Det som ikke så mange har nevnt i denne debatten, er langtidsplanen for forskning som kommer sammen med statsbudsjettet. Den er det knyttet store forventninger til, også For å nå 3 pst.-målet må vi investere flere offentlige kroner i forskning, men minst like viktig er det å stimulere det private og næringslivet. Skal vi øke returandelen i Horisont 2020, verdens største forskningsprogram, må vi legge til rette for at flere kan konkurrere på like vilkår med sine europeiske partnere og konkurrenter. Neste taler er representanten Laila Davidsen, som er

Vi kan gjøre i tide alle de grep som er nødvendig for å ivareta et næringsliv som gjør oss i stand til å vokse som samfunn, og som gjør oss i stand til å ivareta de velferdsordningene vi også skal ha i framtida. Derfor er det helt avgjørende at det nå legges til rette for bedre rammebetingelser for landet. Et grep som vi vet virker, er god og forutsigbar infrastruktur. I dag har vi for mange flaskehalser til at næringslivet som er langt fra markedene, skal kunne transportere sine varer med god flyt og på en rask og sikker måte. Dette har denne regjeringen sett og tar nå grep for å forbedre den situasjonen. Etter mange år med økt etterslep på både investeringssiden og vedlikeholdssiden på investeringssiden og vedlikeholdssiden på norske veier ser vi et taktskifte, og det er et taktskifte som er helt nødvendig av flere grunner. Det ene er trafikksikkerhet for alle som ferdes langs veiene våre. Dagens bilde er ikke godt nok, vi har faktisk en rekke veier som går under kategorien «i kritisk stand».

landsdelene mulighet til å utvikle både fornybare og ikke-fornybare ressurser, slik at arbeidsplasser og verdiskaping blir opprettholdt og videreutviklet over hele landet. Mulighetene ligger der, vi har ventet lenge nok på å ta dem i bruk. Høyre gikk til valg på å skape trygge arbeidsplasser og å infrastruktur. Jeg er veldig fornøyd med at årets trontale så tydelig bekrefter at valgløftene følges opp. Da er dagens debatt slutt. Behandlingen av sak nr. 1 fortsetter i morgen kl. 10, og første taler er statsminister Erna Solberg. – Møtet er